fungert fullt så bra, og grave oss ned der. Som saksordfører velger jeg det første, slik meldingen også gjør. Det er de positive resultatene som gir det mest sannferdige bildet av dagens mangfoldige norske samfunn, mangfold og fellesskap, eller mangfold og muligheter som mitt eget partis landsmøte kalte det. Det betyr ikke at alt er perfekt, da hadde vi ikke trengt denne stortingsmeldingen. Alle vet at Men å velge et negativt inntak med ensidig fokus på det som ikke fungerer, gir et vrengebilde av virkeligheten og bringer oss heller ikke videre. Det er et kvalitetstegn ved norsk politikk når nesten hele komiteen framhever at mangfold og fellesskap er viktig for den enkelte, og minst like viktig for samfunnet som helhet. Der er vi dessuten helt på linje med folkemeningen, som Statistisk sentralbyrå måler hvert eneste år, og som fra et positivt utgangspunkt fortsetter å bevege seg i positiv retning. Et stort flertall i den norske befolkningen ser på innvandrere som en viktig ressurs for det norske samfunnet, både i arbeidsliv og med det de tilfører fra sin egen kultur. Så kan en spørre seg hva det er som gjør at konfliktnivået i det norske samfunnet er så lavt som det er. Svaret er vel relativt opplagt. Vi er et samfunn med små forskjeller mellom folk. Vi har bred oppslutning om viktige verdier som demokrati, ytringsfrihet, likestilling og likeverd. Et overordnet mål i integreringspolitikken er at innvandrere som kommer til Norge, opplever seg respektert og som en del av fellesskapet med de plikter og rettigheter som andre innbyggere i Norge har. Det har gjort at vi, bedre enn mange andre, på ganske kort tid har greid å forholde oss til nokså store befolkningsendringer. I 1970 hadde bare 1,5 pst. av den norske befolkningen innvandrerbakgrunn. I dag er dette økt til over 13 pst., med bakgrunn fra 219 land og selvstyrte regioner. Til sammenligning kan nevnes at antall medlemsland i FN er 193. Flertallet understreker at en vellykket integrering bygger på gjensidighet i rettigheter og plikter, at det er helt avgjørende for en god samfunnsutvikling at innbyggerne er i stand til å ta ansvar for egne liv. Hovedansvaret for det vil alltid ligge hos den enkelte selv, men myndighetene må samtidig bidra til å gi nye borgere en sjanse til å bli en del av det norske samfunnet. Integrering er en toveisprosess, basert på rettigheter og plikter. Det handler om å bygge ned barrierer der de måtte finnes, i utdanning, arbeidsliv, helse, tjenesteyting osv. Barrierene kan være høye eller lave, avhengig av den enkeltes utgangspunkt. Det er forskjell på å komme til Norge som arbeidsinnvandrer, familieinnvandrer eller flyktning. Det er annerledes for voksne enn for barn, det er forskjeller mellom menn og kvinner, gutter og jenter. Vi har hele spennet fra høyere utdannede til analfabeter. Det er forskjeller innen og mellom innvandrere fra ulike land og kontinenter. Derfor må også tiltakene være fleksible, mest mulig individuelt tilpassede og dekke alle livsfaser. Dette er en god melding og en viktig melding. Det er et synspunkt som deles av de 16 organisasjonene som deltok i Stortingets høring. Regjeringen viser her hvordan de store og de små integreringsprogrammene og -tiltakene henger sammen på tvers av sektorer. Ansvaret for gjennomføring av de ulike tiltakene for språk, arbeid, utdanning, bolig, fritidsaktiviteter og annen samfunnsdeltakelse ligger i de forskjellige sektorene, men folk lever ikke livet sitt etter sektorprinsippet. Folk lever på kryss og tvers av sektorer, hver dag, hele livet. De veksler mellom offentlig, privat og frivillig sektor. De beveger seg mellom nasjonalt, regionalt og lokalt nivå, og sist, men ikke minst – alle bor i en kommune. Et av de aller viktigste suksesskriteriene for en vellykket integrering blir derfor at vi evner å se ulike tiltak i sammenheng, og gjøre ting i riktig rekkefølge. Når Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har fått ansvaret for å samordne og sikre en helhetlig integreringspolitikk, må det ansvaret også være reelt. Det handler ikke bare om å skrive en melding, det handler vel så mye om bevilgninger og konkret gjennomføring. Stortinget mener at hovedsporet i en slik helhetlig integreringspolitikk er språk, bolig, utdanning og arbeid. Derfor har vi doblet antall timer for dem med rett og plikt til norsk og samfunnskunnskap. Derfor vil vi gjennomgå introduksjonsordningen og foreslå forbedringer i den. Derfor ønsker flertallet å få vurdert mulige utvidelser av personkretsen for rett og plikt til norskopplæring. Derfor har vi forsøk med gratis kjernetid i barnehage, slik at alle barn skal være like godt rustet til å ta fatt på første skoledag. Derfor vil vi at språkkartlegging og språkstimulering etter hvert skal utvides fra dagens til å omfatte alle barn. Derfor har vi innført gratis leksehjelp, for å nevne noe. Den beste måten å lære språk på, er å praktisere det sammen med nordmenn. I den sammenhengen skal vi ikke undervurdere verdien av det frivillige organisasjonslivet. Mange organisasjoner har utviklet gode tilbud, delvis finansiert med tilskudd fra det offentlige, men her er det rom for utvidelser, noe som kom tydelig fram i høringen vår. Arbeid er viktig på alle måter. For den enkelte handler det om mulighetene til å bidra med sine evner og kvalifikasjoner, frihet til å skaffe seg bolig, frihet til å leve et selvstendig liv, delta i fritidsaktiviteter. Arbeid er det viktigste virkemidlet mot fattigdom. Vi vet at innvandrere og barn med innvandrerbakgrunn er overrepresentert blant personer med vedvarende lav inntekt. Velferdssamfunnet vårt er avhengig av de verdiene som skapes gjennom arbeid. I Norge har vi høy sysselsetting, både blant menn og kvinner, og blant innvandrere og befolkningen for øvrig. Men det er en forskjell. Det er større forskjell mellom menn og kvinner blant innvandrere enn i befolkningen ellers. Tall viser at hvis vi evner å tette sysselsettingsgapet, har vi dekket en tredjedel av arbeidskraftbehovet vårt fram mot 2060. Ett av flere tiltak er å få en bedre godkjenningsordning for utdanning og realkompetanse fra utlandet. Et annet tiltak er omdanningen av Ny sjanse-programmet til Jobbsjansen, med særlig vekt på kvalifisering av kvinner som står langt fra arbeidsmarkedet. Et tredje tiltak er forsøk med kvotering av innvandrere til statlige arbeidsplasser. Et fjerde tiltak er et tettere samarbeid mellom Nav og arbeidsgivere for å få flere innvandrere til intervju og ansettelse. Vi trenger gode rollemodeller som kan bidra til å fjerne barrierer som skapes av diskriminerende holdninger, og kanskje særlig de holdningene som ikke er helt bevisste. Siden 2005 er det skapt 330 000 nye arbeidsplasser i Norge, aller flest i privat sektor. Innvandrere gir viktige bidrag til dette. 21 pst. av nye bedrifter i 2011 ble etablert av innvandrere. Dette må det oppmuntres mer til. Derfor vil vi ha etablererveiledning til innvandrere inn i faste former. I noen miljøer vet vi at det forekommer sosial kontroll av unge, særlig jenter, men også gutter, og også av voksne kvinner. Utdanning og arbeid er den beste veien ut av undertrykking og over i selvstendighet og kontroll over eget liv. Det vet norske kvinner alt om. Den kunnskapen må vi også makte å dele med våre nye medsøstre. medsøstre. Det er positivt at innvandrerjenter nå stormer fram i utdanning på videregående og høyere nivå. Forhåpentligvis vil det etter hvert også føre til at de stormer inn på arbeidsmarkedet og trekker flere med seg. Men vi må samtidig bygge ned barrierer for dem som trenger ekstra tiltak for å nå dit. Det er aldri for seint. Det fins mange gode eksempler på det, også blant voksne innvandrerkvinner. innvandrerkvinner. Vi må heller ikke glemme at en del innvandrergutter ikke klarer seg like godt i skolen som jentene. Noen kommentarer om helse: Regjeringen påpeker at et likeverdig helsetilbud betyr at alle må behandles forskjellig, ut fra den enkeltes behov. Det er bra, men her ligger det også en utfordring. Vi vet at vi det finnes sosiale forskjeller i helse. Vi vet at noen lidelser forekommer men et hovedproblem er at kunnskapen vår er fragmentert og har mange hull. Derfor er det positivt at det snart kommer en stortingsmelding om folkehelse, der innvandreres særskilte utfordringer blir omtalt, og i kjølvannet av den, en nasjonal strategi for innvandrerhelse. Helt til slutt vil jeg igjen understreke det positive i at Stortinget står så samlet som vi gjør – ikke helt enstemmig, men så godt som når det gjelder å se mulighetene i mangfoldet. Det er fremmet noen mindretallsforslag, som jeg forutsetter at mindretallet selv presenterer og fremmer. Og så ser jeg fram til en konstruktiv debatt om et meget viktig tema. Jeg vil først takke saksordføreren for en god gjennomgang av saken. Som saksordføreren også sier, er
Representanten Morten Ørsal Johansen har

hva som kan gjøres for at det som ikke fungerer, kan bli bedre. I så måte har meldingen delvis svart til forventningene, og delvis ikke. Det blir i meldingen sagt mye glorifiserende om norsk integreringspolitikk, og det kan på mange måter virke som om det meste fungerer meget bra, og at norsk Det er mye bra med norsk integrering – det må være et bakteppe. Men det er også mye som ikke er bra, og det peker også meldingen på. Det er viktig å ha fokus på det som ikke er bra, for det er det en må gjøre noe med. Regjeringspartiene har pekt på solskinnshistorier om alt som er vellykket, og det som er vellykket, er også Fremskrittspartiet enig i at er bra. Men det er en del av opposisjonens oppgave å sette fingeren på det som er mindre bra, og å utfordre regjeringen på om de virkelig vil gjøre noe med dette. Vellykket integrering handler om hvordan innvandrere skal bli likeverdige bidragsytere i det norske fellesskapet, og finne trygghet i et samfunn basert på essensielle frihetsverdier og mellommenneskelig tillit. Vellykket integrering handler også om store økonomiske verdier i det norske samfunnet, et samfunn der folk bidrar og deltar. Vellykket integrering handler om å bruke de riktige verktøyene for å få gode resultater. Norge har brukt 20 år på tiltak med liten eller ingen effekt. Vi må våge å bruke det som virker. Vellykket integrering handler også om å ha en bærekraftig innvandringspolitikk, en politikk som gjør at norske verdier ivaretas og videreutvikles, slik at Norge fortsatt kan være et velferdssamfunn. I det politiske Norge er vettet sånn noenlunde jevnt fordelt, og jeg setter pris på mine politiske motstandere når de gjør eller sier noe som jeg mener er fornuftig. Jeg vil gjerne få vise til en politisk motstander, nemlig arbeidsminister Anniken Huitfeldt, som nylig sa noe veldig klokt. Hun sa i forbindelse med et oppslag i Aftenposten om aktivitetsplikt for sosialmottakere at å stille krav er en måte å vise omsorg på. Dette er jeg dønn enig i. Det er noe vi i Fremskrittspartiet har ment i alle år, og vi har fått bøttevis av kjeft for det, både fra denne og andre talerstoler. Men det fratar ikke statsråd Huitfeldt momentum på noen måte. Hun har sikkert møtt kritikk fra sine egne partifeller og medlemmer i sine samarbeidspartier, men det hun sikkert spør seg om, og som jeg også spør om her og nå, er: Hvorfor skal vi være redd for å stille krav? Det er både riktig og fornuftig å stille krav. Dette gjelder også for dem som kommer hit for å søke asyl, arbeid eller av andre grunner. Utredninger, høringsrunder og vurderinger og det å se på ting er vel og bra i en del tilfeller, men skal en ha resultater, må en faktisk gjøre noe konkret. Handlingsplaner er også bra, men de må være konkrete, de må brukes, og de må ikke minst evalueres, slik at en vet hva som virker i planen, og hva som ikke virker. Å bruke feil medisin over lengre tid virker ikke, og er ikke bra. Det gjør heller situasjonen verre. Men så lenge en ikke evaluerer tiltakene, vet en som sagt ikke hva som er riktig medisin å bruke. Det å søke asyl i et land er en menneskerett. Det å få familiegjenforening og det å søke arbeid er også lov. Norge skal ivareta sine internasjonale forpliktelser, og vi skal hjelpe dem som er på flukt, og som er forfulgt i sitt opprinnelige hjemland. Når personer søker asyl – eller arbeid, for den saks skyld – i Norge, går jeg ut fra at de som kommer til Norge, kommer hit fordi de vil bo i Norge. Det er mange land i verden som en kan komme til. Noen land er litt mer likt det landet personen kommer fra, både klimamessig og kulturelt. Det må være lov

Det er ikke til å stikke under stol at innvandringen skaper en del utfordringer, og at noen har større vanskeligheter med å bli integrert enn andre. At innvandringen til Norge har vært stor, kanskje for stor, kan være en av grunnene til at integreringen skaper disse utfordringene. Når det kommer flere til landet enn landet klarer å ta imot på en god måte, skaper det problemer. Når en fortsetter å ta inn innvandrere mens tusenvis sitter i asylmottak og venter på å bli bosatt i en kommune, vil problemene bare tilta. Det sitter i dag over 15 000 personer i norske asylmottak. Bare i 2012 søkte nesten 9 800 personer asyl i Norge. I tillegg kommer selvfølgelig familieinnvandring og arbeidsinnvandring. Dette er forholdsvis høye tall. Når en samtidig vet at mange kommuner ikke har kapasitet til å ta imot og bosette innvandrere på grunn av mangel på boliger, mangel på arbeidsplasser mangel på skoleplasser samt manglende kapasitet til å imøtekomme krav innenfor helse- og sosialfeltet, forverrer dette situasjonen. En må huske at det er ikke regjeringen som integrerer innvandrere, det er heller ikke Stortinget; det er kommunene og de som bor der. Norge er det landet som tar imot flest innvandrere i forhold til folketallet. Kanskje er det på tide at vi setter på bremsene litt i en periode, slik at vi kan ta bedre vare på de som allerede er her, her, istedenfor å fylle på med enda flere. Det kan hende at vi har nådd et metningspunkt der kommunene ikke makter å ta imot flere, og at det er derfor bosettingen går tregere. Mange som kommer til Norge, kan verken lese eller skrive – de er analfabeter. De har da heller ingen utdanning. Disse personene får i større grad utfordringer med å integrere seg. De skal lære et fremmed språk, de skal lære å lese og skrive, de skal få en utdanning, og de skal prøve å komme i jobb. Mange av disse klarer lite eller ikke noe av dette. De havner derfor som mottakere av velferdsytelser og blir dermed en belastning for samfunnet, snarere enn en berikelse. I meldingen sier regjeringen at innvandrere er en ressurs, og at sysselsettingsprosenten er beviset. Faktum er at flere og flere av dem som har kommet som arbeidsinnvandrere og har blitt værende i landet, havner i ledighetskø og blir mottakere av trygdeytelser. Frischsenteret har studert dette og kommet til en del interessante funn. En studie viser bl.a. at innvandrere fra Litauen og Polen som kom til Norge i perioden 2003–2007, og som i stor grad fikk jobb i bygg- og anleggsbransjen, i langt større grad enn nordmenn ble arbeidsledige, og at de ble værende arbeidsledige i langt større grad enn sammenlignbare nordmenn. Tidligere studier viser at pakistanere og tyrkere som kom til Norge på nokså raskt forsvant fra arbeidsmarkedet. Etter bare ti år i Norge var disse overrepresentert på trygdestatistikken. Ifølge studien avdekkes det lignende trekk hos nye grupper fra ikke-europeiske land. Studien viste at arbeidsledigheten blant innvandrere var høy, opp mot 18 pst. Det som er bekymringsfullt, er at ledigheten blant disse øker, og at den holder seg høy. Så viser det seg at samtidig som de som kom først, og som gikk ut i ledighet, kom det mange nye, som gikk rett ut i jobb. Det er bekymringsfullt, da det er lett å forestille seg at også disse kan komme til å havne på statistikken, og at det kanskje er en viss kynisme i arbeidslivet. Frischsenteret peker på flere forklaringer på dette fenomenet. Språkproblemer, dårlig kontaktnett, at de er mindre omstillingsdyktige, og at de har lavere formell utdannelse, er noen av punktene. Så kommer selvsagt de norske velferdsordningene som en mulig forklaring. Dette vil i lengden være lite bærekraftig for det norske samfunnet. Det blir da stadig færre til å betale velferdsgodene til stadig flere. Dette viser at innvandringen ikke er helt vellykket og ikke helt bærekraftig. SSB beskriver dette gjennom sin rapport 15/2015. Jeg siterer: «En varig økning i innvandringen fra EU-land, Amerika og Australia vil i noen grad lette presset på offentlige finanser ut dette århundret gjennom langsommere aldring av befolkningen og økte skatteinntekter. Innvandring fra lavinntektsland svekker derimot offentlige finanser. På svært lang sikt vil ikke innvandrere som har samme økonomiske atferd som dagens ikke-innvandrere løse velferdsstatens finansieringsutfordringer, for også disse vil bruke Yrkesaktivitet er avgjørende for utviklingen.» At deltakelse i arbeidslivet er en viktig faktor for integrering, er det enighet om. En annen viktig faktor er språk og samfunnsforståelse. Behersker en ikke språket, vil en være utenfor arbeidslivet og utenfor samfunnet ellers. Fremskrittspartiet vil vise til at altfor mange som har rett og plikt til undervisning i norsk og samfunnskunnskap, ikke er i arbeid eller under utdanning. En sammenstilling av status for kursdeltakerne fra årene 2005 til 2009 viser at om lag 40 pst. av kursdeltakerne ikke var i jobb etter avsluttet program. Dette er betenkelig. Det er også et klart tegn på at integreringen av innvandrere ikke på langt nær fungerer godt nok,

Fremskrittspartiet ser klart at et utenforskap fra arbeidslivet på 40 pst. av deltakere av introduksjonsordningen er et alvorlig samfunnsproblem, og at de som faller utenfor, må fanges opp. Det er mange årsaker til dette frafallet. Vi mener at fravær av en tverrfaglig tilnærming for å fange opp disse personene på sikt vil føre til at de vil falle utenfor det Det er etter min og Fremskrittspartiets mening klart at en i slike tilfeller må stille sterke krav, og at offentlige ytelser kun skal utbetales mot arbeidsplikt. Meldingen sier også at språk er viktig, og en samlet komité mener at kartlegging av språk på et så tidlig stadium som overhodet mulig er et viktig verktøy for å kunne gi god språkopplæring. Det er viktig at språket læres. Introduksjonsordningen har nå 600 timer språkopplæring. Problemet er bare at det er oppmøteplikt og ikke læringsplikt. Det er derfor mange fullfører introduksjonsordningen uten å kunne et ord norsk. Dette er etter Fremskrittspartiets mening uakseptabelt. Regjeringen legger opp til at en skal ta prøve i samfunnskunnskap, men at denne kan tas på eget morsmål. Det mener jeg er skivebom. Samfunnskunnskap og språkopplæring må ses i sammenheng. Det må stilles krav til språkopplæring og samfunnsforståelse. De som skal ha opphold i Norge, må kunne avlegge en prøve i språk og De som skal ha opphold i Norge, må kunne avlegge en prøve i språk og samfunnskunnskap. Det må settes karakterer, som vil si noe om den enkelte innvandrers kunnskap. Dette vil også fungere som et vitnemål overfor arbeidsgivere ved en senere anledning. Integreringsmeldingen er omfattende når det gjelder ord, men litt fattig når det gjelder handling og tiltak. Regjeringen har brukt åtte år på å finne ut hva de skal vurdere eller utrede. Vi kan i meldingen telle: Regjeringen skal vurdere 19 tiltak, utrede ni problemstillinger og sende ut på høring én fattigslig liten ting. Handlingsplaner som ikke er evaluert på 20 år, utredninger og gode ønsker hjelper lite for å få en mer vellykket integrering. Det er kun konkrete tiltak som hjelper. Det gjenstår mye før en kan si at og én ting er jeg sikker på: Denne meldingen avslutter ikke integreringsdebatten i Norge. Arbeiderpartiet sier at alle skal med, og jeg spør: Når da? Jeg vil med dette avslutte med å ta opp de forslag Fremskrittspartiet har fremmet i innstillingen, enten alene eller

og Oslo er den hovedstaden i Europa som vokser sterkest. Hva har skjedd? Vi har fått økende fødselstall på grunn av omlegginger i familiepolitikken, og vi har hatt en kraftig vekst i innvandringen, spesielt i arbeidsinnvandringen fra EØS-området. Jeg vil derfor i mitt innlegg fokusere mest på det regjeringen har fokusert minst på i sin melding, nemlig arbeidsinnvandrerne. Innvandring gjennom familiegjenforening, flyktninger og asylsøkere er behørig presentert av saksordfører, og et stort flertall i Stortinget slutter seg til det meste av regjeringens konklusjoner på disse områdene. Språk, utdanning og arbeid er det viktigste for en vellykket integrering, spesielt viktig er det å fokusere på kvinner i denne sammenheng. Behovet og mulighetene for personbevegelser på tvers av landegrensene øker som følge av økt verdenshandel, reduserte transportkostnader, nedbygging av grensehindre og økt handel mellom land. Høyre mener økt arbeidsinnvandring er et bidrag for å ta denne utviklingen på alvor og utnytte det potensialet som ligger i globaliseringen. Vi er kritiske til at meldingen i svært liten grad vektlegger de forholdene ved integrering som berøres av arbeidsinnvandringen til Norge. Vi savner en oversikt over hvilke bransjer og yrker det vil være behov for arbeidskraft i de kommende år, hvilke informasjonstiltak som er iverksatt for å sikre god informasjon til den økende strømmen av arbeidsinnvandrere fra EØS-landene, hvilken kompetanse som i dag etterspørres, og hvilke virkemidler som bør tas i bruk for å sysselsette dem som i dag ikke er en del av arbeidslivet. Vi ser behov for en utredning av hvilke kriterier som sikrer suksess når det gjelder flerkulturell rekruttering. Arbeidsmarkedet vil trolig være preget av økende migrasjon av arbeidstakere og tjenesteytere i årene framover, men også av større konkurranse om arbeidskraft mellom land. Det å ha en bevisst og helhetlig arbeidsinnvandringspolitikk er en av de største politiske utfordringene i årene framover. Kunnskap og kompetanse, sammen med mangfold i arbeidsstyrken, er avgjørende for innovasjon og næringsutvikling i et stadig mer konkurranseutsatt og internasjonalt arbeids- og næringsliv. For å opprettholde dagens velferdsnivå og sikre verdiskaping gjennom en levende kunnskapsøkonomi må Norge føre en politikk som gjør oss i stand til å hevde oss internasjonalt i konkurransen om den kompetente arbeidskraft. Hovedmålet for arbeidsinnvandringspolitikken er å legge til rette for at bedrifter og virksomheter kan rekruttere arbeidskraft fra utlandet på en enkel og effektiv måte når de måtte ha behov for det. Samtidig bør rammer og tiltak utformes slik at de gevinstene som følger av arbeidsinnvandring, kan realiseres på en balansert måte for arbeidsgiver, individ og samfunn. Hver enkelt arbeidsinnvandrer skal sikres gode forhold i arbeid og samfunnsliv for øvrig. At det er arbeid å få, og at det lønnes godt, er helt avgjørende for om arbeidstakere i andre land vurderer det som aktuelt å søke arbeid i Norge. Det er viktig å sikre arbeidsinnvandrere bedre informasjon, gjerne på flere språk, enn i dag. Før finanskrisen bidro arbeidstakere fra andre land med helt nødvendig arbeidskraft i bl.a. bygge- og Uten denne ekstra tilgjengelige arbeidskraften ville veksten i norsk økonomi ha bremset opp. Samtidig ser vi at flere av disse arbeidsinnvandrerne har slått rot i Norge, og familiene har flyttet etter. Da er det viktig at man får anledning til å lære språket skikkelig, enten gjennom arbeid eller kurs. I tillegg er det behov for flere tiltak som mer målrettet vil tiltrekke spesiell kompetanse til Norge. Høyre ser at det ikke er noen selvfølge at den kompetente arbeidskraften søker seg til Norge. Vi betaler relativt lave lønninger for akademikere, spesialister og forskere og har en komprimert lønnsstruktur. Det er viktig å markedsføre Norge for utenlandsk arbeidskraft. Selv om Norge er et attraktivt land for dem med lave kvalifikasjoner, søker de høykvalifiserte seg gjerne dit hvor de får bedre betalt for kompetansen. Denne problemstillingen må tas på alvor dersom Norge i framtiden skal kunne vedlikeholde og videreutvikle velferdssamfunnet Det bør vurderes hvilke virkemidler som kan benyttes for å øke innvandring av kvalifisert arbeidskraft, ikke bare fra EU-land, men også fra resten av verden. I dag er det slik at Norge taper denne konkurransen i forhold til land som USA, Canada og Storbritannia, til tross for at Norge årlig kåres til verdens beste land å bo i. I dag er det strenge krav som må være oppfylt for at utenlandske statsborgere som ikke kommer fra EØS-området, skal få arbeidstillatelse. Siden 1975 har Norge hatt en begrenset og regulert innvandring. Dette innebærer at utlendinger ikke kan flytte til Norge og ta arbeid her, med mindre utlendingen oppfyller vilkårene i en av unntaksbestemmelsene. Alle utlendinger som har til hensikt å ta arbeid eller drive egen virksomhet, må ha arbeidstillatelse. Høyre mener at bedrifter bør kunne forhåndsgodkjennes slik at faglærte/spesialister kan påbegynne arbeidet sitt der, mens Utlendingsdirektoratet, UDI, saksbehandler søknaden. Det bør innføres et hurtigsporsystem for forhåndsgodkjente bedrifter. I dagens forskrift er det regulert hvem som kvalifiseres som spesialist, for dermed å falle innenfor ordningen. Det bør i større grad overlates til arbeidsgiverne/bedriften selv å bedømme hvorvidt en arbeidstaker har den rette kompetansen. Det vil fjerne byråkrati og frigjøre ressurser til behandling av mer kompliserte saker. Arbeidstillatelse som faglært kan gis i opptil tre år, men ikke lenger enn arbeidsforholdets varighet. Fornyelse er en svært byråkratisk prosess, som tar mye tid og gir lange perioder med uavklart situasjon og stress for dem det gjelder. Denne kontrollvirksomheten må kunne forenkles, spesielt for de bedriftene som forhåndsgodkjennes. Høyre foreslår derfor at det utredes en modell med forhåndsgodkjenning av bedrifter. Kun 5 pst. av innvandrerne som søker seg til EU-landene eller Europa for øvrig, har høyere utdannelse eller er faglærte, mot over 50 pst. av dem som får oppholdstillatelse i USA og Canada. Det bør derfor vurderes en helhetlig endring av arbeidsinnvandringspolitikken gjennom å se på erfaringene EU og USA har gjort seg på feltet. Vi har tidligere foreslått innføringen av et såkalt «Blått kort» lik EU-landene, etter modell fra det amerikanske «Green Card». Det er helt avgjørende for velferdsmodellens bærekraft at Norge klarer å videreføre en høyere andel av verdiskapende og skattebetalende innbyggere. Samtidig må vi sikre at de som faktisk er i arbeid, ikke blir avhengige av varige tilskudd for å opprettholde en inntekt de kan leve av i Norge. Selv det beste velferdssamfunnet er avhengig av finansiering fra overskudd i produktiv sektor. Det er viktig at flest mulig deltar i arbeidslivet, samtidig som vi går sammen om å sikre en grunnleggende trygghet for dem som ikke er i stand til å arbeide. Det grunnleggende utgangspunkt for Høyre er at hver enkelt tar et personlig ansvar for seg selv, sitt Samtidig må et raust og medmenneskelig samfunn sikre alle muligheter til et anstendig liv. Grunnlaget for velferden er at det må lønne seg å jobbe, samtidig som en sikrer gode og anstendige støtteordninger for dem som er for syke til å delta i arbeidslivet, men selv om en skal ha gode inntektssikringsordninger, må det alltid lønne seg å jobbe. Vi ønsker et særlig fokus på å få flere innvandrerkvinner ut i jobb Ifølge SSB bor det minst 8 600 innvandrere i Norge i alderen 16 år og over som ikke har fullført noen som helst utdanning. Omtrent 5 600 av disse er kvinner. I tillegg til at det er langt flere kvinner uten utdanning blant innvandrerne, er det også relativt sett flere innvandrerkvinner med kort høyere utdanning. Ny sjanse, innført av Bondevik II-regjeringen, er en forsøksordning der formålet er å prøve ut og dokumentere erfaringer med ulike metoder for å få flere innvandrere over i arbeid eller utdanning. Det er behov for å styrke aktiviteten i tilknytning til økonomisk sosialhjelp, spesielt for gruppen unge sosialklienter. Ingen unge som ikke har sterkt redusert helse, skal kunne gå på passive offentlige overføringer. Den som kommer til de kommunale sosialtjenestene, skal møtes med et tilbud og en forventning om å delta i arbeid eller arbeidsavklarende aktiviteter. Det er betydelig rom for både å stille krav til aktivitet og å kutte stønaden dersom kravet ikke følges opp i sosialtjenesteloven § 20. Vi mener det trengs en forsterket innsats rettet inn mot unge, og prioriterer innsatsen rettet mot unge sosialklienter som senere kan ende på uføretrygd. Vi vil ha en «snu i døra»-praksis på alle Nav-kontor i hele Norge. Det må stilles krav til dem som mottar offentlig støtte, samtidig som det legges til rette for deltakelse. Det å mestre språket er avgjørende for en god integrering. Motivasjonen blant innvandrere til å lære seg norsk er ofte større enn det offentlige språkopplæringstilbudet. Vi må styrke norskopplæringen samt legge til rette for å godkjenne innvandrerelevers morsmål som 2. fremmedspråk. Språkopplæring bør også bli en rettighet for arbeidsinnvandrere fra EØS-land, og arbeidsledighet bør ikke ekskludere en fra å ta del i språktrening. Slik opplæring vil gi arbeidssøkende innvandrere ytterligere kvalifikasjoner og kan bidra til at de raskere kommer inn i arbeidslivet. En rekke frivillige organisasjoner, som Røde Kors og

Dagen etter var det stort møte i Jern og Metall Oslo, der Reiulf Steen ifølge avisreferatet bl.a. uttalte: «Rasisme er en sykdom som vi alle kan bli rammet av. Vi er alle disponerte til å bli rasister, under bestemte forhold og omstendigheter.» Ellen Stensrud, som da var leder i Jern og Metall Oslo, fulgte opp med å si: «Så lenge vi har økonomiske problemer, vil flere bli smittet. Derfor er det viktig at vi, i likhet med bedriftshelsetjenesten, driver forebyggende Ellers frykter jeg at sykdommen brer seg langt inn i våre rekker.» Så skjedde det en imponerende brei mobilisering, og kampanjen, som jeg allerede har nevnt, «Ja til et fargerikt fellesskap», ble lansert av Røde Kors og fikk tverrpolitisk oppslutning. Ikke minst i skolemiljøer ble det delt ut jakkemerker med teksten: «Ikke mobb kameraten min.» Jeg hadde to døtre som, sikkert helt frivillig, gikk rundt med Det var på slutten av 1980-tallet at ikke-europeisk innvandring ble merkbar i landet vårt, i hvert fall for de av oss som bodde i sentrale bystrøk. Det er også i denne perioden vi finner den første artikulerte og organiserte motstand mot den samme innvandringen. Ikke minst var det i mediene vi møtte dette. I stedet for en saklig og kunnskapsbasert tilnærming bombarderte mediene sine lesere, hørere og seere med en rekke sjokkartede enkeltepisoder. Budskapet var, ifølge Skirbekk, nærmest at det var en sjukdom som var i ferd med å infisere Norge, og, som Skirbekk skrev, at den eneste anstendige reaksjonsmåte som ble foreskrevet, var at en måtte prøve å isolere den samme sjukdommen og «hindre smitte fra å spre seg». I ettertid sier Skirbekk at hvis en leser norske aviser fra denne tida, ser det ut til at kampen mot aids og kampen mot rasisme blir møtt på samme måten. Dette er virkelig pinlig å lese nå i ettertid, et kvart århundre senere. I disse 25 årene har vi hatt innvandring. Alt tyder på at det vil fortsette, og at vi faktisk vil at det skal fortsette. Denne meldinga, og ikke minst innstillinga, viser det på en veldig god måte. Det er et stort flertall i dette huset, og jeg er overbevist om at det er det samme på som vil ha innvandring, og at dette stort sett har gått svært så bra. Vi har blitt et rikere land i mange betydninger av ordet, et rikere samfunn, et mer spennende samfunn – rett og slett et mer moderne samfunn, som moderne samfunnsborgere trives med å bo og arbeide i. Innvandring er ikke en trussel mot videre samfunnsutvikling. Innvandring er tvert imot en forutsetning for god og moderne samfunnsutvikling mener – og jeg siterer fra innstillinga

både verdimessig og ikke minst kunnskapsmessig. I paneldebatter med fremskrittspartipolitikere den siste tida, og slike har det vært mange av i disse asylbarntider, karakteriseres norsk innvandrings- og integreringspolitikk nærmest som en katastrofe. Det brukes uttrykk som total skivebom. Så la jeg heldigvis merke til at Morten Ørsal Johansen modifiserte seg litt i dag. SV er opptatt av når vi prater om innvandringspolitikk, at det er viktig å ta utgangspunkt i at innvandringsbefolkninga har noen utfordringer knyttet til utdanning, kompetanse, språk osv. Men det er vel så viktig å ta utgangspunkt i at det norske samfunnet som de innvandrer til, har noen utfordringer. Vi er et klassesamfunn, vi har et kjønnet arbeidsmarked, vi har et arbeidsliv som er preget eller infisert av sosial dumping, og vi har en vanskelig situasjon på boligmarkedet – ikke minst for folk med lav inntekt. Vi har et system for voksnes læring som bør bygges ut og bli kraftigere og bedre. Vi har et samfunn der folk med psykiske problemer sliter, osv. Vi sliter med mobbing på skoler, på arbeidsplasser og på nettet. Nettopp å innvandre til et slikt samfunn og leve i et slikt samfunn er krevende for oss alle og, naturlig nok, litt ekstra krevende for innvandringsbefolkningen vår. Denne meldinga er god. Den beskriver og argumenterer for både retter og plikter. Ja, den argumenterer for plikter. Representanten Ørsal Johansen må lese meldinga grundigere. Den beskriver, argumenterer for og handler ikke minst om helhet og om det Ellen Stensrud for 25 år siden omtalte som forebyggende arbeid. En utsjekking som er naturlig å gjøre for en som er medlem av kommunalkomiteen, er å legge ved siden av hverandre tre ferske stortingsmeldinger: distrikts- og regionalmeldinga, boligmeldinga og den meldinga vi diskuterer i dag. Den viser på en god måte

Først vil jeg takke saksordføreren for et godt og grundig gjennomført arbeid. Norge er en del av en stadig mer globalisert verden. Innvandringen har bidratt til at Norge har fått en mer mangfoldig befolkning med ulike språk, tradisjoner, kulturer og ulik kompetanse. Denne utviklingen har gitt oss mange nye muligheter, men den gir oss også nye utfordringer. Norges største ressurs er folkene som bor Vi trenger kompetanse og arbeidskraft, og alle prognoser tilsier at vi er avhengig av innvandring for å dekke arbeidskraftbehovet framover. Samtidig gir det oss selvsagt utfordringer, ulike utfordringer for ulike grupper av innvandrere. Det er forskjellige årsaker til at folk velger å slå seg ned i Norge. Innvandrerne kan deles inn i fire hovedgrupper: De som kommer hit for å ta utdanning, flyktninger og asylsøkere,

De fleste kommer til Norge og søker om oppholdstillatelse fordi de mener de er forfulgt i hjemlandet. Noen har høyere utdannelse, snakker flytende engelsk og har gode muligheter for å skaffe seg jobb relativt raskt. Andre er analfabeter og har da selvsagt en mye lengre vei å gå før de behersker norsk og kan tilegne seg kompetanse som det norske arbeidsmarkedet etterspør. Noen av dem kommer fra samfunn ganske likt det norske, andre fra landsbyer uten strøm og innlagt vann. Noen må rett og slett lære å bo i en norsk bolig. Det sier seg selv at tiden det tar for å bli integrert i det norske samfunnet, vil være forskjellig for disse ulike gruppene. Den nest største gruppen er familieinnvandrere. Noen av dem har samme bakgrunn som andre har giftet seg med norske statsborgere og kommer fra land som er relativt likt Norge, og har først og fremst behov for språkopplæring. Flertallet i denne gruppen er kvinner. Den desidert største gruppen innvandrere er arbeidsinnvandrere. Flertallet i gruppen er menn, men mange av dem har også familien med seg. Disse har ikke rett og plikt til introduksjonsprogram, men de har inntekt og derfor mulighet til å ta språkopplæring på egen hånd. Jeg mener også at arbeidsgiverne her bør ta på seg et stort ansvar for språkopplæring. Mange av innvandrerne har med seg familie som ikke har arbeid i Norge, og dette er en stor, uutnyttet arbeidskraftreserve i et arbeidsmarked som sårt Her er det nok mye å hente for arbeidsgivere som sørger for god språkopplæring og sørger for at disse får kompetanse som trengs i lokalmiljøet. Tross store forskjeller i bakgrunn har alle innvandrere én viktig ting til felles: behovet for å bli godt integrert i det norske samfunn – med de rettigheter og plikter som gjelder for alle som velger å bo her. God integrering er viktig for den enkelte, men minst like viktig for samfunnet som helhet. Vårt samfunn har gjennom århundrer vært tuftet på grunnverdier som demokrati, rettsstatens prinsipper, menneskerettigheter, ytringsfrihet, likestilling og likeverd. Integreringspolitikken må forankres i disse verdiene. Integreringsprosessen blir dermed et ansvar som omfatter alle – både dem som bor her fra før, og dem som kommer flyttende hit. Det er en viktig forutsetning for en vellykket integrering, der alle får brukt ressursene sine, og alle tar del i fellesskapet. Alle innbyggere i Norge har de samme rettigheter og plikter, og det er viktig å føre en politikk som tydeliggjør sammenhengen mellom rett og plikt. Alle må få en sjanse til å lykkes, og alle må møtes med felles krav. Den viktigste faktoren for god integrering er uten tvil gode norskkunnskaper. Det

KS påpekte i høringen de særlige utfordringene dette medfører, og at disse er bosatt i ulike kommuner over hele landet. KS anmoder derfor om et ekstratilskudd for analfabeter i norskopplæringen. Jeg har stor forståelse for at det er en krevende problemstilling, og det er en sak man eventuelt må komme tilbake til i forbindelse med budsjettbehandling.

likestilling. Bruken av heldekkende hodeplagg i skolen bør forbys lokalt, og egne bønnerom på skolene mener jeg bør unngås. I høringen kom det fram at noen av høringsinstansene ønsket å fjerne kontantstøtten. Fra barnehageåret 2012–2013 er og det gis ikke lenger kontantstøtte for unger over to år. Faren for at kontantstøtten kan virke negativt på barns språkutvikling, eller at den skal medvirke til at innvandrerkvinner blir gående hjemme over flere år, er dermed eliminert. Kontantstøtten bidrar til større valgfrihet for familier med unger fra 12 til 24 måneder. Ikke alle unger i den alderen er modne for å begynne i barnehage, og ikke alle foreldre er modne for å sende så små unger i barnehage. Senterpartiet vil jobbe for at denne ordningen videreføres. Bosetting av flyktninger er en viktig og en varig oppgave for kommunene. Jo raskere etter innvilgelse av opphold en flyktning får etablert seg i en kommune, jo raskere kommer vedkommende i gang med introduksjonsprogram og veien mot arbeid eller utdanning. I det siste har ventetiden dessverre økt, og det gir grunn til bekymring. Mangel på egnet bolig til rett tid og på rett plass i kommunene er ofte en viktig grunn når kommunene ikke kan ta imot flyktninger. Husbanken har flere virkemidler som styrker det boligsosiale arbeidet i kommunene, og det er viktig at kommunene er kjent med det. Flyktninger er blant målgruppene for disse ordningene. De fleste flyktninger er ikke i en situasjon der de kan kjøpe bolig når de kommer fra mottak. Ofte kan en kommunal utleiebolig derfor være det best egnede alternativet. Regjeringen har flere ganger styrket tilskuddet til utleieboliger, og Husbanken kan gi mellom 20 og 40 pst. tilskudd til boligprosjekt til flyktninger og andre prioriterte grupper. Boligmeldingen signaliserer at maksgrensen på 40 pst. kan brukes i større grad. Det er jeg glad for.

og tilstrekkelig kompetanse til god språkopplæring. Derfor er jeg glad for at vi nå har fått på plass en samarbeidsavtale med KS som legger til rette for raskere bosetting. Aller først takk til sakens ordfører for et godt stykke arbeid med en viktig melding. Det er

og for at den enkelte skal kunne ta del i samfunnet. Integreringsarbeid er alltid en toveisprosess. Det handler om vilje til deltakelse og om vilje til inkludering. En rask bosetting etter at oppholds- og arbeidstillatelse er innvilget, er av stor betydning for den enkeltes tilpasning til og deltakelse i det norske samfunn. I dag bosetter kommunene betydelig færre enn det IMDi anmoder om,

og i 2012 har ventetiden for enslige mindreårige gått ned fordi denne gruppen har vært prioritert i bosettingsarbeidet i kommunene. Likevel bosettes bare 61 pst. innen målene. Det er mange og sammensatte årsaker til at flere kommuner har utfordringer knyttet til bosetting. Mangel på boliger er trukket fram som en viktig årsak. Jeg tror sikkert at det også finnes flere årsaker, men det man har pekt på, er jo at det lave investeringstilskuddet til boliger har vært en hindring. Men nå har regjeringen sagt i boligmeldingen at de vil øke boligtilskuddet fra 20 til 40 pst., og dette er positive nyheter som Kristelig Folkeparti støtter helhjertet. Det som mangler nå, er tidfesting av når pengene vil ligge på bordet, og Det som mangler nå, er tidfesting av når pengene vil ligge på bordet, og en forsikring om at også rammene vil øke tilsvarende. Øker kun tilskuddsandelen, men ikke rammene, vil det ikke gi noen effekt. En flyktning kommer til en kommune gjennom bosetting, men blir værende gjennom arbeid. Arbeidsplassen er den beste arenaen for å tilegne seg kunnskap om norsk språk, kultur og samfunn, og det er derfor svært viktig å få nyankomne raskt i arbeid. Arbeidsledigheten blant innvandrere er høyere enn for befolkningen for øvrig, og det er en utfordring å nå målet om at nyankomne innvandrere raskest mulig skal bli økonomisk selvhjulpne. Det holdningsskapende arbeidet for å få arbeidsgivere til å ansette personer med innvandrerbakgrunn i ledige jobber må styrkes og bli Kunnskap i norsk er den viktigste forutsetningen for å kunne delta aktivt i samfunnet. Derfor er det viktig fremdeles å opprettholde deltakelse i introduksjonsprogrammet – 600 timers opplæring i norsk og samfunnskunnskap – som obligatorisk for nyankomne innvandrere fra utenfor EØS. Gjennomført opplæring er vilkår for å få bosettingstillatelse. Jeg støtter også at kunnskaper i norsk skal være et vilkår for å få statsborgerskap, men det er helt klart at her er vi nødt til å ha noen unntaksregler. Introduksjonsprogrammet skal ivareta den grunnleggende kvalifiseringen av nyankomne innvandrere og skal preges av kontinuitet, god planlegging og informasjonsflyt. Kartlegging og kompetanse, individuelle kvalifiseringsplaner, tett oppfølging, heldagsbeskjeftigelse med mulighet for kombinasjon av og en økonomisk stønad knyttet til deltakelse i kvalifisering er noen av de elementene som må være på plass for å ivareta kontinuiteten og helheten i opplæringen. Dessverre er ikke dette tilfellet i alle kommuner, og det er behov for at sentrale myndigheter i større grad tilrettelegger for at kommuner, næringsliv og Nav kan gjennomføre introduksjonsprogrammet på en tilfredsstillende måte. Men det er ikke alt kommunen skal eller bør gjøre. Det finnes ofte bedre og mindre ressurskrevende måter å drive god integrering på. Å engasjere frivillige og ideelle institusjoner og organisasjoner er blant dem. Frivillige organisasjoner har i en årrekke vært viktige aktører i integreringsarbeidet. De er en viktig arena for arbeidstrening og samfunnsdeltakelse, samtidig som deres innsats mot uverdige forhold, som rasisme, diskriminering, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse eller annet, er av stor betydning for vårt demokrati. Kommunene bør også benytte det potensialet som ligger i bruk av frivillige organisasjoner i kvalifiseringen av introduksjonsdeltakerne, og det potensialet organisasjonene har som møteplass og arena for deltakelse for flyktninger og deres familier i lokalsamfunnene. Det er viktig at innsatsen til frivillige organisasjoner styrkes gjennom økt driftsstøtte, og at det sikres at frivillig sektor fortsatt er en viktig arena for arbeidstrening og samfunnsdeltakelse. Det er ikke alt styres og organiseres over kommunale eller statlige budsjetter. Noen av barrierene i integreringen er knyttet til holdninger, fordommer og oppfatninger. Vi må åpne øynene for at innvandringen, i tillegg til å skape verdier i kroner og øre, også beriker den norske kulturen og utfordrer oss til økt toleranse, forståelse og respekt for ting som kanskje er uvant. Diskriminering og rasisme skyver folk vekk og ut. Vi skaper et utenforskap som i beste fall kan passivisere og i verste fall kan aktivisere motstand – motstand mot det norske samfunnet, mot menneskene og mot kulturen. Fordommene og rasismen kan således bli en selvoppfyllende profeti. Vi vet at personer med et utenlandskklingende navn har betydelig mindre sannsynlighet for å bli innkalt til jobbintervju. Vi kjenner til historier om personer som får spydigheter, rasistiske bemerkninger og hets slengt etter seg på gaten. Vi har alle lest upassende og bent ut rasistiske kommentarer under nyhetssaker eller på sosiale medier. Det påligger oss et stort ansvar å svare på slike holdninger og fordommer, og vi som myndighetspersoner må være foregangspersoner, som tar et oppgjør med dem som sprer hat og rasisme. I tillegg påligger det også media et samfunnsansvar å gi et riktig inntrykk av utfordringene, men også av hvilken berikelse nye kulturer, holdninger og normer tilfører samfunnet. For det er gjennom holdningsskapende arbeid, flere møteplasser og lavere gjerder og hekker vi møter hverandre og ser hverandre og lærer hverandre å kjenne. Det er gjennom vennskap og kjennskap vi dyrker likhetene framfor forskjellene. Det vil være vårt viktigste verktøy for å få til et samfunn der alle blir respektert, alle møter toleranse og alle kjenner seg hjemme. Og det er jo det som er målet med en god integrering: at Norge er et sted der vi ikke dyrker utenforskapet, der vi ikke dyrker utenforskapet, men der vi dyrker fellesskapet og det at folk føler seg inkludert. Jeg vil helt til slutt takke Høyre for at de har vært så rause å gi meg litt av sin taletid. Det borger godt! Helt til slutt vil jeg trekke fram de forslagene vi støtter. Vi støtter forslagene nr. 1, nr. 20, nr. 23, nr. 24, nr. 25 og nr. 27,

feltet. Det er mange kommuner som gjør en fantastisk god jobb. Mange små lokalsamfunn er veldig gode på integreringsarbeid. Men det gjelder også store kommuner, som Oslo, som f.eks. har en skole som er fantastisk god på akkurat det med integrering, og som klarer å løfte alle barn, noe som gjør at veldig mange av de unge som i dag tar høyere utdanning i Oslo, har innvandrerbakgrunn. Veldig mange av de ingeniørene som vi vet vi trenger for å overleve i framtida, har nettopp

Så det er veldig mye bra som skjer rundt omkring. Men det krever en del initiativ og kreativitet når det gjelder tiltak. Jeg merker meg at når statsråden blir intervjuet i Aftenposten i dag, er det introduksjonsprogrammet som løftes fram som det store grepet – som den forrige regjeringen innførte. Jeg tror vi må ha mye mer kreativitet når det gjelder å finne de gode tiltakene for god integrering. Venstre har lagt fram elleve forslag her i dag. Jeg merker meg at det ikke er så mange forslag i meldingen. Man har litt idétørke. Når det gjelder de forslagene som ligger på bordet, ser det ut som om den største utfordringa innenfor norsk integreringspolitikk er kjønnslemlestelse, med en uendelig mengde forslag fra Fremskrittspartiet, som de heldigvis ikke hadde så mye fokus på i innlegget sitt. Det er et stort problem, men så stort er det ikke at det fortjener så stor plass. Jeg syns Trond Helleland holdt et veldig godt innlegg med veldig mange gode tiltak knyttet til arbeidsinnvandring. Jeg ser ingen grunn til å bruke de få minuttene jeg har blitt tildelt, på å si noe mer om det, for det var mye klokt som ble sagt. I dag la Utrop evaluering av innvandring og hva innvandring tilfører Norge, som viser at vi i denne sal bl.a. har mellom 27 og 28 mrd. mer å rutte med årlig i skattepenger på grunn av innvandringa, noe som viser at den befolkninga vi får inn, har høyere utdanning enn det den norske befolkninga har. Blant den innvandrerbefolkninga vi får, har vi selvfølgelig utfordringer når det gjelder analfabetisme, men det er også en dobbelt så stor tetthet når det gjelder Det er også et viktig bilde å ha med seg. Jeg syns det er viktig at alle som kommer til Norge, møtes av både krav og forventninger om den norske samfunnskontrakten. Jeg mener det er mange grep vi burde ha gjort innenfor norsk integreringspolitikk for å gi beskjed om denne samfunnskontrakten fra dag Det systemet vi i dag har, straffer folk ved at de ikke får lov til å jobbe i Norge. Jeg mener at vi egentlig burde ha satt dem til å jobbe fra første dag de kom hit. Jeg mener at alle asylsøkere burde ha vært satt i jobb fra første dag. Hvis man bor på asylmottak og velger ikke å vaske gangen, blir man trukket i lønn. Jeg mener heller at man skulle hatt lavere lønn og fått betaling for å vaske gangen. Det har noe med hele den mikrotankegangen å gjøre, at vi har en samfunnskontrakt i Jeg mener heller at man skulle hatt lavere lønn og fått betaling for å vaske gangen. Det har noe med hele den mikrotankegangen å gjøre, at vi har en samfunnskontrakt i Norge der vi alle sammen skal bidra, og den bør det være signal om fra dag én. Vi er stadig på vei, men vi må ha flere nye ideer for å klare å gjøre integreringspolitikken god. Jeg syns at det regjeringa har lagt fram, preges av idétørke, derfor har Venstre i dag fremmet elleve forslag, både når det gjelder å gjøre skolen vår bedre, det å få flere frivillige organisasjoner med, det å bruke arbeidsmiljøloven aktivt for å få flere i arbeid, det å innføre forsøk med anonyme søknader i offentlig sektor, og det å bruke mentorordninger mye mer effektivt for å få innvandrerungdom og andre som er utenfor arbeidsmarkedet, inn i utenfor arbeidsmarkedet, inn i arbeidsmarkedet. Vi ønsker å bruke skolen mye mer aktivt, både for å bedre norskutdanningen og for å styrke de skolene som har mange elever med innvandrerbakgrunn, fordi vi har sett at det har funket. I Oslo er det veldig mange skoler som er kjempegode på flerspråklighet, flerreligiøsitet og sånne utfordringer. Vi bør lære av lærerne, som gjør en kjempegod jobb der. Representanten ønsker kanskje også å ta opp sine forslag? Det
Neste taler er representanten
til. Regjeringa har lagt fram en melding om integreringspolitikk, og det er bred oppslutning om hovedtrekkene. Det er mange grunner til at folk flytter til Norge. De som kommer til Norge, har helt ulike utgangspunkt for livet her. Menneskerettighetene og demokratiske prinsipper utgjør fundamentet i den norske rettsstaten. Alle innbyggere i Norge har de samme grunnleggende pliktene og rettighetene. Alle skal respektere de samme lovene. Innenfor disse rammene fins det mange ulike måter å leve på. Integreringspolitikken skal legge til rette for at alle som bor i Norge, opplever å høre til og tar del i fellesskapet – det er aller viktigst. Både folk som har innvandret og folk som har bodd her hele livet, skal oppleve et trygt samfunn med rom for at folk er forskjellige. Dette er et ansvar som påhviler oss alle sammen, men hvor vi som ofte oppfattes som rollemodeller, har et særlig ansvar. Det er mange ulike måter å være norsk på – mange måter å være Oslo-borger eller vestfolding på, mange måter å være muslim på. Blir debatten for ensidig og unyansert, risikerer vi selvoppfyllende profetier og at mange ikke føler seg inkludert i fellesskapet. Istedenfor å debattere norsk kultur, har regjeringa vært opptatt av å finne fram til et sett av verdier som skal være limet mellom oss – som menneskerettigheter, likestilling og barns rettigheter. En viktig grunn til at vi har lyktes såpass godt med integreringa, er at vi har en Omfordeling, arbeid, likestilling og satsing på barns og unges oppvekstvilkår er helt grunnleggende for å lykkes. Meldinga legger stor vekt på å øke sysselsettinga og forbedre norskopplæringa. Spesielt viktig er det å sikre at kvinner som i dag i liten grad deltar i arbeidslivet, får tilgang til egen inntekt. Veien til valgfrihet og likestilling går gjennom økonomisk selvstendighet. Foreldres økonomi er viktig for barnas mulighet til å klare seg i det norske samfunnet. Derfor er vi så opptatt av å nå kvinner som har vært lenge på utsida av arbeidsmarkedet. Vi firedobler satsinga på mentorprogrammet Jobbsjansen – eller Ny sjanse – der de som f.eks. har vært lenge på kontantstøtte, eller som har vært forsørget av andre familiemedlemmer, får en ny sjanse til å klare seg selv. Blant kvinner med bakgrunn fra Afrika og Asia er langt færre økonomisk selvstendige enn andre kvinner i Norge. Dette er fordi de i mindre grad deltar i arbeidslivet. Likevel har innvandrerkvinner i Norge høyere sysselsetting enn kvinner generelt i Italia. Likestillingspolitikken, der arbeidslinja er sentral, påvirker også sysselsettinga blant innvandrerkvinner. Regjeringa forventer at alle deltar i arbeidslivet etter evne – kvinner som menn. Og det skal ikke være lavere ambisjoner for kvinner enn for menn. Norskopplæringa og introduksjonsprogrammet må sikre at kvinner med lave kvalifikasjoner og liten utdanning også får mulighet til å delta. Grunnleggende kvalifisering som gis i kommunene gjennom norskopplæring og introduksjonsprogram, må bli mer effektiv. I år innføres en ny tilskuddsordning med utviklingsmidler på 32 mill. kr for å styrke kommunenes integreringsarbeid. Det er svært viktig at bosettingsarbeidet går raskere. Vi skal gi grunnleggende kvalifisering til dem som trenger det for å kunne komme i jobb. Samtidig er det mange innvandrere som har både utdanning og arbeidserfaring fra opprinnelseslandet, og kompetanse som Norge trenger. Norge går glipp av ressurser og arbeidskraft hvis innvandrere ikke kommer i jobb og får arbeid hvor de får brukt sin kompetanse. Diskriminering og rasisme, fordommer og manglende erfaring med mangfold står også i veien. Norge har forpliktet seg til å gi mennesker på flukt et nytt hjemland. De som skal bli i Norge, må komme i gang med livet sitt. Alle må bo i en kommune. Lange opphold i mottak er å kaste bort menneskers ressurser – det sliter på den enkelte og koster også staten mye penger. Derfor er det en prioritert oppgave for oss å få raskere bosetting. Vi satser på en avtale med KS i nærmeste framtid.

Alle barn som bor i Norge, har rett til beskyttelse mot overgrep og omsorgssvikt. Barn med innvandrerbakgrunn har akkurat de samme rettighetene som andre norske barn, og de er vårt felles ansvar. For å skape samfunn med tillit mellom folk, må vi møtes i ulike sammenhenger. Vi må omgås også folk som er ulike oss selv. Arbeidsplass og skole er de viktigste arenaene for å møte andre. Så spiller det en rolle hva vi gjør på fritida der vi bor – i frivillige organisasjoner og frivillig arbeid. Frivilligheten spiller en veldig viktig rolle. Vi ser på innvandrerne som en ressurs. Derfor har vi forventninger, og vi stiller krav om deltakelse. Folk skal få bidra med sine evner til det beste for Norge. Vi ser på mangfoldet som en styrke for landet vårt. Unge mennesker som vokser opp i et mer mangfoldig og flerkulturelt Norge, kan møte verden med større erfaring og mestring. Derfor er det bra at alle norske kommuner nå har innbyggere med innvandrerbakgrunn. Mangfold er hverdagen, ikke unntaket. Det blir åpnet for replikkordskifte. I integreringsmeldingen går det mye på handlingsplaner. Handlingsplaner er

å finne ut hva som fungerer, og hva som ikke fungerer i planene – og når det gjelder integreringen i Norge? Jeg kan forsikre representanten Ørsal Johansen om at vi i hovedsak har evaluert de handlingsplanene vi har hatt – det har vi! Det inntrykket som er skapt gjennom Aftenpostens artikler er faktisk feilaktig. En av de handlingsplanene som har vært mye oppe til diskusjon, har til og med vært evaluert tre ganger – internt to ganger og én gang eksternt. Vi har også følgeevaluering av mye av det vi driver med, og alt det vi gjør, er kunnskapsbasert. Du finner eksempler på tiltak vi ikke har evaluert, men i hovedsak er men i hovedsak er ting grundig gjennomgått og belyst. Det jeg syns er merkelig i de forslagene Fremskrittspartiet fremmer i salen i dag, er at det er veldig lite ideer rundt det som Ørsal Johansen egentlig mener har vært hovedproblemet, nemlig at vi ikke klarer å få flere i arbeid. I stedet kutter man i alt det vi vet fungerer, som f.eks. IMDi og Jobbsjansen – Ny sjanse – for innvandrerkvinner. Det syns jeg er veldig rart.

bl.a. i min nabobydel i Drammen. I vår barnehage er det mange foreldre som tjener minst like godt som vi gjør som stortingsrepresentanter, og som da har gratis kjernetid i barnehagen, fordi de bor 300 meter bortenfor huset vårt. Samtidig vet vi at de som går på introduksjonskurs, ikke har noe tilbud om gratis barnehageplass til sine barn. De er bosatt i alle landets kommuner, ikke bare i noen få bydeler. Hadde det ikke vært en mer målrettet ordning

I spørsmålet om gratis kjernetid i barnehagene, og bruken av det som virkemiddel, oppfatter jeg i de merknadene som ligger fra Høyre, en kritikk av måten vi har innrettet dette på. Jeg er ikke enig. Tvert imot er noe av grunnen til at vi scorer såpass høyt på rangeringene over hvem som gjør det bra på integrering, at vi har valgt å satse på områdene. Vi har hatt områdesatsing som har gitt løft til hele områder. Der har også gratis kjernetid inngått som et vesentlig element. Det handler om å gjøre områder attraktive for mange forskjellige. Det handler om å sikre likhet ved at noen ordninger er universelle – de er for alle, uansett hvor mye man tjener. Det gjør også at barna opplever en større grad av fellesskap og likhet, og at man ikke er nødt til å teste folk for å sjekke om de er verdig de tiltakene og de pengene man er villig til å sette inn. Så jeg mener det er en fornuftig måte å bruke penger på. Det er

budsjettbehandlingene. Det er helt riktig at bolig er et vesentlig element for få til raskere bosetting. Det hører vi fra kommunene. De sliter med å ha egnede boliger. Så vi er nødt til å ha en helt annen grad av styring med boligpolitikken framover, og ikke overlate så mye til markedet som har vært gjort siden Kåre Willoch overtok på 1980-tallet, og som har ført til at vi bygger både for lite, og vi bygger for lite sosialt. Så vår regjering er absolutt interessert i å ta sterkere grep om boligpolitikken både når det gjelder hvor mye vi bygger, og hva slags type boliger. For denne byens del er det også vesentlig å få en større grad av blanding, sånn at vi får blandede bomiljøer, og at ikke at alle som har dårlig råd, bosetter seg på østkanten. Replikkordskiftet er avsluttet. Det sies ofte, men det er

Innvandrere utgjør 12 pst. av alle sysselsatte i Norge – 14 pst. i privat sektor. I perioden 2005–2012 sto de for 56 pst. av sysselsettingsveksten i Norge. Å hevde at Norge ikke trenger innvandrere, er rett og slett feil. Til dem som har kommet hit lovlig, og som deltar aktivt i norsk arbeids- og samfunnsliv burde budskapet være enkelt: Tusen takk for at du er her! Jeg tror dessverre ikke etter å ha hørt dagens debatt, at det er det inntrykket de eventuelt sitter igjen med.

om hodeplagg, om hvorvidt asylsøkere bør gå på fotballpub, om uheldige meldinger på Facebook, eller om «drømmer fra Disneyland», for å nevne noe. Jeg har selv vært indignert og har overreagert, så jeg retter ikke pekefingeren mot noe annet sted, men det kan ikke være tvil om at den store og viktige debatten framover må handle om andre ting. Hvordan skal vi å tiltrekke oss, og beholde, de menneskene vi trenger for å utvikle velferden og norsk næringsliv? Hvordan kan vi unngå å utvikle et A-lag og et B-lag i arbeidslivet? Og hvordan kan vi bidra til at alle som bor i Norge, blir en del av og føler seg som del av det norske samfunnet? Det er dette stortingsmeldingen om integrering handler om. En merknad mot slutten av komitéinnstillingen sier det meste om skillelinjene i norsk

i store annonser rykket inn av selskapet Carnegie. Annonsen «Immigrants: The Pride of America» formidler en annen holdning til innvandring og innvandrere enn det som dominerer den norske debatten. Her drukner oftest verdien innvandring har for Norge – økonomisk, menneskelig og kulturelt – i alt som er vondt og vanskelig. Albert Einstein, Gene Simmons, Madeleine Albright, Henry Kissinger, Arnold Schwarzenegger, Gloria Estefan og Michael J. Fox er blant førstegenerajonsamerikanerne i annonsene. Det går ikke an å betvile deres bidrag til amerikansk kultur- og samfunnsliv. Hvordan ville en norsk versjon sett ut? Politikere som Michael Tetzschner og Hadia Tajik hører vel hjemme i en slik annonse, Alexander Rybak, som vant Grand Prix for Norge og «Norges raskeste kvinne», Ezinne Okparaebo, også – og mange, mange andre førstegenerasjons nordmenn. Selvsagt skal vi ikke fortie fenomener som kjønnslemlestelse og tvangsekteskap og annet barbari, men det er synd at alt som går godt med norsk innvandring og integrering, knapt synes – for det går veldig godt. Den registrerte arbeidsledigheten blant bosatte innvandrere i Norge er Til sammenligning er ledigheten i Sverige – for alle – 8,4 pst. Unge kvinner med foreldre fra utlandet ligger på toppen av utdanningsstatistikken. Senere i dag legger Utrop fram et innvandrerregnskap. Jeg er overbevist om at det vil vise at innvandring er viktig for Norge. Vi vet av 8 pst. av norske bedrifter oppgir mangel på arbeidskraft som et hinder for vekst. Til slutt – apropos førstegenerasjons Er det ikke på tide at vi begraver det absurde og stigmatiserende begrepet «annengenerasjons innvandrer»? Barn som er født i Norge av foreldre som har kommet hit, har ikke vandret noe sted. Det er behov for begreper – men hvorfor ikke se framover, og ikke bakover? Er ikke «førstegenerasjons» eller «utenlandskfødt» nordmann tross alt et bedre ord, og like treffende? Det er

politikk. Regjeringen har tross alt ansvaret for den innvandrings- og integreringspolitikken vi har i dag, og regjeringens består av partier som har ansvaret for den politikken som er ført de siste tiårene. Resultatene ser vi i dag. Jeg mener resultatene viser at nevnte partier, som er i regjering, har liten troverdighet når de framlegger stortingsmeldingen om integrering. La oss først se på innvandringspolitikken. I fjor kom det 41 500 nye innvandrere til landet – den De mest «lønnsomme» – man må sette det i hermetegn – er voksne arbeidsinnvandrere som kommer hit ferdig opplært, og som ikke trenger mange offentlige ytelser. Men det urovekkende er at mange av disse svært arbeidsomme menneskene ikke bevarer arbeidsevnen så lenge i Norge. Fagfolk sier de ennå ikke vet sikkert hva det kommer av. Om dette kan ha noe med Norges tilbud av velferdsordninger å gjøre, lar jeg foreløpig ligge, men stadig mer forskning og flere rapporter viser at den storstilte innvandringen til Norge ikke er bærekraftig. Rent økonomisk er det lønnsomt å åpne grensene for gjestearbeidere, men regnestykket ser altså annerledes ut når de nye gruppene som kommer, henter ektefelle og barn og blir netto brukere av offentlige ytelser. Regnestykkene blir enda mer alvorlige når vi ikke lykkes med integreringen.

Derfor trenger vi å redusere andelen som innvandrer til landet, for at vi skal kunne gi et best mulig tilbud til dem som allerede er her, og som ønsker å få mulighetene til å lykkes. Kun Fremskrittspartiet har fremmet forslag som vil redusere asylstrømmen til Norge. Asylpolitikken henger nøye sammen med integreringspolitikken. Det varsles om nye rekorder i antallet som vil søke asyl i Norge. Hvis ikke vi strammer inn andelen som får asyl, blir integreringen skadelidende. Innvandring og integrering må bli sentrale temaer på den politiske agendaen i mange år framover, for hvis utviklingen går for langt i negativ retning, vil vi aldri kunne reversere den. Regjeringen må altså komme på banen og si hva man har av forslag til løsninger, for den stortingsmeldingen som er framlagt, kommer ikke til å løse utfordringene. Når man heller ikke evner å se at asylpolitikken er en viktig og stor del av bildet, sier det ganske mye. Når vi ser andelen minoritetsspråklige elever i Oslo, bør det gi stor grunn til bekymring. Innvandringen til vår hovedstad har vært så massiv at politiske mål om integrering neppe lar seg realisere. Hvis minoriteten en dag blir majoritet, kan man vel ikke integrere majoriteten. Media meldte for noen uker siden at i år bruker Oslo kommune 233 mill. kr på ekstra norskkurs til elevene, og på ekstra norskkurs til elevene, og det er bevilget ca. 60 mill. kr til morsmålsopplæring. I hovedstaden brukes altså 300 mill. kr for å lære elever norsk utover såkalt normal norskopplæring. Hvem sa at den store innvandringen til Oslo og Norge ikke koster? I Oslo-skolen er det nå over 40 pst. minoritetsspråklige elever. Andelen elever med minoritetsbakgrunn er Hver fjerde elev i Oslo-skolen klarer ikke å følge undervisningen uten ekstra norskopplæring. Hva kommer dette til å bety for integreringen? Det brukes nå store summer på ekstraundervisning for å lære barn født i Norge norsk. Store innvandrergrupper i Oslo risikerer å falle utenfor samfunnet fordi de ikke blir integrert. Vår hovedstad har tatt imot en for stor andel Jeg mener det er udiskutabelt at man nå ser konsekvensen av en for stor innvandring. Det koster, det krever mye, og integreringen vil trolig bli mislykket. De som vil tape mest på dette, er de innvandrerne som har komme til Norge, og som ønsker å bidra, bli integrert, få jobb og lykkes. Jeg mener vi må ta imot færre innvandrere til Norge. Hvis integreringen skal være mer enn et uoppnåelig mål, må det ikke tas imot flere

Integrasjon er blitt – jeg tør si – en integrert del av integreringsdebatten. Det er en viss konsensus om tre overordnede begreper når vi skal beskrive nærhet eller avstand mellom en majoritetsbefolkning og minoritetsbefolkningene. Det er for det første

og på den annen side en smeltedigelintegrasjon hvor det oppstår ett flerkulturelt samfunn på bakgrunn av flere kulturer som etter hvert utvikler en ny felleskultur, men med flere nyanser enn man hadde før. For det tredje har vi segregering, som innebærer en tvungen eller frivillig adskillelse av minoritetsgrupper fra majoritetsbefolkningen, oftest uttrykt ved systematisk oppdeling av boligstrøk, men også ved egne parallelle institusjoner utover trossamfunn, som i vertslandet er tillagt offentlig myndighet, f.eks. reelt bindende avgjørelse for den enkelte i familiespørsmål. Assimilasjon og segregering er motsetninger til Assimilasjon betyr en ensidig tilpasning fra innvandrernes side, og det gir ikke særlig plass til avvikende levemåter. Segregering betyr varig parallellsamfunn. Integrasjonen er etter mitt skjønn svaret på det som assimilasjon og segregering representerer av problemer. Vellykket integrering respekterer forskjellig kulturpraksis, men forutsetter også gjensidig forpliktende fellesskap. Integrasjonen er etter mitt skjønn svaret på det som assimilasjon og segregering representerer av problemer. Vellykket integrering respekterer forskjellig kulturpraksis, men forutsetter også gjensidig forpliktende fellesskap. Integrasjon utspiller seg på flere nivåer. Det er for det første en systemintegrasjon som refererer til staten – og i og for seg kommunen – og de bærende institusjonenes politikk overfor de etniske mindretall både når det gjelder fordeling av sivile, sosiale og politiske rettigheter, og når det gjelder mindretallets økonomiske og Men det er et annet nivå som er tilsvarende viktig. Sosial integrering understreker majoritetsbefolkningen og minoritetenes oppfatning av holdninger til og adferd overfor hverandre både kollektivt og ikke minst som individer – det vil si med de holdninger og omgangsformer vi møter hverandre med i hverdagen: i barnehagene, i skolen, på arbeidsplassen, i fritiden og ute i bybildet. Selv om det fra enkeltpersoners perspektiv kan være vanskelig å skjelne de to integrasjonsbanene, kan det være grunn til å skjelne mellom systemintegrasjon og sosial integrasjon. Man kan enkelt tenke seg en rekke situasjoner der etniske minoriteter er fullt ut systemintegrert, men forblir sosialt ikke integrert. Selv har jeg funnet inspirasjon i samfunnspsykolog John Berrys tilleggskulturmodell. Ifølge denne kan vi som enkeltpersoner ha flere kulturelle posisjoner, hvor integrasjon også betyr at man holder fast ved sitt kulturelle utgangspunkt og sin kulturelle praksis, men samtidig er åpen og positiv til og påvirkelig av majoritetskulturen man lever i. Jeg håper vi er på vei mot det siste. Integrasjonen går langsommere enn men det som er viktigst, er at den går langt bedre enn det pessimistene har forutsagt. Selv om det i mange henseender har vært praktisk å skille mellom innvandringspolitikk og integreringspolitikk, er det også en sammenheng mellom integrasjon og innvandring. I et demokrati vil oppfatningen av hvor godt vi lykkes med integreringen, påvirke folks holdninger til hvor trang døren til Som et eksempel på dette viser jeg til foregående innlegg. Den offentlige integrasjonspolitikk, som vi behandler i denne innstillingen, har i innstillingen samlet et bredt flertall. Det er en positiv grunnholdning til at de som kommer for å realisere egne livsmål, og som ledd i dette vil delta i samfunnet og utvikle det økonomisk, kan være med. Samtidig er det en realistisk tilnærming. Man skal stille krav til innvandrerne som til oss selv. Passiv hjelp er ikke nok. Enten man har bodd kort tid eller lenge, må man være ytende og deltagende medlem av samfunnet – på like fot. Regjeringen behandler i denne stortingsmeldingen prinsipper og rammer for framtidens integreringspolitikk. En av målsettingene i meldingen er at innvandrerne skal trives og delta aktivt i arbeidslivet og organisasjonslivet i Norge. En av forutsetningene for å nå en slik målsetting, er å ha en aktiv bosettingspolitikk i kommunene. Meldingen omtaler boliger som viktig for å ha stabil tilknytning til arbeidslivet, for å ta utdanning, for å ha et sosialt nettverk, for å delta i lokaldemokratiet og for å ha god helse. Regjeringen fremmer flere tiltak i å ha god helse. Regjeringen fremmer flere tiltak i denne stortingsmeldingen som omhandler boligpolitikken og bosettingen av flyktninger her i landet. Det gjelder ifølge denne meldingen å jobbe for raskere bosetting av flyktninger gjennom forpliktende samarbeid med kommunesektoren. Det er ute i kommunene folk bor, og en vellykket integreringspolitikk avhenger derfor av basisbehov, som trygge Flertallsmerknadene viser til flere undersøkelser som viser at hovedutfordringen for bosetting er mangel på boliger i kommunene. Det bygges bl.a. for få boliger tiltenkt flyktninger. For å imøtekomme dette problemet og gi flyktninger mulighet til å ha en boligkarriere, ønsker man derfor å se på tiltak sammen med Husbanken, KS og Husbanken og IMDi har i samarbeid både nasjonalt og regionalt gått inn for flere virkemidler for å skaffe boliger for flyktninger. Målsettingen er å finne fram til egnede finansieringsordninger for flyktninger og for kommunene. Ett av tiltakene som omtales, er kommunal finansieringsstøtte til nybygg for korttidsleie eller langtidsleie gjennom Husbanken. IMDi skal i samarbeid med KS også se på tiltak som letter og skaper større forutsigbarhet i bosettingsarbeidet i kommunene. Dette er komiteens flertall også svært positive til. I tillegg til dette har regjeringen allerede styrket startlånsordningen til bl.a. flyktninger ved å øke nedbetalingstiden fra 30 år til 50 år. en flyktning skal være bosatt i en kommune innen seks måneder. Dette er viktig for at innvandrerne skal komme i gang med introduksjonsprogrammene og norskopplæringen. Spesielt barn og unge enslige asylsøkere – men også alle andre asylsøkere – bør ikke sitte lenge i asylmottak. Det svekker integreringen, og det er uheldig for flyktningene. Riksrevisjonen har påpekt at hele 68 pst. av dem som skal bosettes innen seksmånedersregelen, ikke blir det. Enslige mindreårige har høyere grad av bosetting, men det er fordi denne gruppen er prioritert. Et annet tiltak som jeg ønsker å trekke fram, er regjeringens ønske om å utrede rett til introduksjonsprogram for flyktninger som selv finner seg egen bolig. Regjeringen mener dette tiltaket kan være med på å lette bosettingsarbeidet ute i kommunen og avhjelpe situasjonen som Det problematiseres også at dette tiltaket kan føre til en sterk konsentrasjon av flyktninger som søker inn til enkelte byer, og man vurderer derfor om dette tiltaket kun skal gjelde steder som ikke er typiske pressområder. Videre vil jeg trekke fram arbeidet som allerede gjøres ute i kommunene. Byer som Bergen, Drammen, Trondheim og Oslo har alle gode tiltak for bosettinger. Meldingen framhever at det blant et sterkt ønske om å leve urbant, men likevel er det mange distriktskommuner som bosetter mange flyktninger. I flere utredninger påpekes det mange positive aspekter ved å bosette flyktninger ute i Kommune-Norge. I meldingen heter det bl.a. at mindre samfunn lettere engasjerer og bosetter flyktninger i lokale organisasjonsliv. Videre viser også tall at innvandringen og arbeidsinnvandringen står for om lag 70 Flere små kystsamfunn opplever derfor en vekst i befolkningen på grunn av dette, og det er positivt og ønskelig. Min hjemkommune, med litt i overkant av 6 000 innbyggere, har et ønske om å være en kommune som bosetter flyktninger. Det er fordi nye, kreative impulser og nye, innovative løsninger kommer til byen når vi integrerer og bosetter folk i Vadsø. Etter anmodning fra har kommunen vedtatt å opprettholde 2012-nivået på bosetting også for 2013. Dette innebærer at denne lille kommunen i 2013 vil søke å bosette 90 nye flyktninger. Jeg mener at meldingen illustrerer litt av det arbeidet som gjøres i Vadsø kommune, nemlig at dette handler om å legge til rette for at folk skal ha en plass å være, og det handler om å legge til rette for at også vi i Vadsø kommune kan delta med vår solidaritet – lokalt, så vel som internasjonalt.
Norge har en mangfoldig befolkning. Sånn har det alltid vært, helt siden staten Norge opprinnelig ble etablert på territoriet til to folk – samer og nordmenn. I tillegg har Norge anerkjent fem nasjonale minoriteter; grupper som var etablert i Norge allerede da vi ble et selvstendig land i 1905. Norge har altså aldri vært et homogent samfunn, men måten landet er mangfoldig på, har endret seg. Vi preges nå også av mangfold som følge av innvandring, og vi vet at Norge vil fortsette å Vi må ta i bruk mangfoldet på en bedre måte, både det vi har hatt i hundrevis av år, og «det nye mangfoldet». Jeg har arbeidsgiveransvar for statlig sektor. Statlig sektor er, som kjent, en stor arbeidsgiver i Norge. Statens viktigste mål er å levere gode tjenester til befolkningen og å forvalte fellesskapets midler på en fornuftig måte. Det er et mål at alle skal tilbys likeverdige offentlige tjenester uavhengig av familiebakgrunn, fødested, kjønn, funksjonsevne, religion eller seksuell orientering. Innvandrere og barn av innvandrere utgjør 13 pst. av folketallet i Norge. Da er det helt nødvendig for oss å utnytte arbeidskraften og kompetansen innvandrerne har. Det er viktig av flere grunner. For det første skal alle i samfunnet vårt få sjansen til benytte sine ressurser og bidra i arbeids- og samfunnslivet. For det andre vet vi at kompetent arbeidskraft er – og kommer til å være – et knapphetsgode, så vi må passe på at den kompetansen vi har i landet, faktisk blir tatt i bruk. Flere og flere innvandrere tar høyere utdanning. Virksomhetene må ikke overse deres kompetanse. Mangfoldet i befolkningen bør gjenspeiles blant arbeidstakerne. Utadrettede statlige etater som politiet, Nav og skatteetaten har blitt flinkere til å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, sånn at de kan løse oppgavene sine på en bedre måte – til gode for oss alle. Ulik bakgrunn og forskjellig livserfaring er viktig, og mangfold i utdanning, kompetanse og arbeidserfaring gir grunnlag for nye måter å løse oppgaver på. Dette gir bedre tjenester til hele befolkningen. Sentrale virkemidler for å fremme mangfold og bredere rekruttering er bl.a. at minst én kvalifisert søker med innvandrerbakgrunn skal kalles inn til intervju, og at innvandrere bør oppfordres til å søke ved stillingsutlysninger. Staten prøver også ut nye personalpolitiske virkemidler, bl.a. et prøveprosjekt med moderat kvotering. Andelen med innvandrerbakgrunn i statlig tariffområde øker jamt og trutt – den var på 8,2 pst. i 2011. I hele statlig sektor er prosentsatsen noe høyere, mens vi ser at det i næringslivet er nær 13 pst. med innvandrerbakgrunn. Vi ser også at innvandrerandelen varierer kraftig mellom sektorer, fra ca. 15 pst. i utdanningssektoren til mellom 2 og 3 pst. i Forsvaret. Variasjonene skyldes ulike kvalifikasjonskrav og krav til faglig spesialisering. Samtidig kan vi bli bedre på rekruttering og Engasjerte og systematiske medarbeidere og arbeid for å tiltrekke seg søkere med minoritetsbakgrunn er viktig. De virksomhetene som har kommet lengst i dette arbeidet har en egen mangfoldsstrategi, interne kartlegginger, interne måltall, lederevaluering knyttet til mangfold, omdømmebygging og omtale i stillingsannonser. Arbeidet for å bruke innvandrernes kompetanse bedre krever også godt samarbeid mellom partene i arbeidslivet. Jeg har derfor nylig invitert hovedsammenslutningene i statlig sektor til et samarbeid for å få fram gode tiltak. Jeg er glad for at hovedsammenslutningene er positive til å delta i dette arbeidet. En bevisst rekrutteringspolitikk henger også sammen med arbeidet mot diskriminering. Innsats for å bekjempe alle former for diskriminering er viktig for å skape et velfungerende, trygt og rettferdig samfunn. Diskriminering hindrer folk i å delta i samfunnslivet på like fot, og samfunnet hindres i å ta hele befolkningens ressurser og talenter i bruk – det kan vi ikke ta oss råd til i framtiden. Det åpnes for replikkordskifte. for replikkordskifte. Arbeidskraft og kompetanse har vært en gjenganger i denne debatten. Til en viss grad har Norge behov for arbeidskraft, vi har behov for kompetent arbeidskraft. Vi ser også at det i offentlig sektor er et visst behov for arbeidskraft, bl.a. i kommunene og i i kommunene og i helsesektoren, på sykehus og i andre institusjoner. Det er behov for en viss kompetanse i disse yrkene, men det aller viktigste er selvfølgelig at folk som jobber i offentlig sektor og har med folk å gjøre, kan norsk. norsk. Mitt spørsmål til statsråden er som følger: Hvilket krav bør stilles til utenlandske arbeidstakere som arbeider i det offentlige, når det gjelder kunnskaper i norsk? Det er viktig med gode kunnskaper for å kunne gi gode tjenester til befolkningen, men å stille opp et generelt kvalifikasjonskrav for hele statlig eller offentlig sektor, det er ikke mulig. Noen har direkte publikumskontakt og er helt avhengige av å kunne alle nyanser i det norske språket, andre har arbeidsoppgaver der det overhodet ikke er viktig å ha norskkunnskaper. Det må derfor vurderes av den enkelte arbeidsgiver i den enkelte situasjon for at vi skal kunne stille de rette kvalifikasjonskravene til den enkelte. Det er i enkelte sammenhenger viktig at vi har gode språkkunnskaper i norsk, men i mange sammenhenger er det også viktig å kunne kommunisere f.eks. på samisk med samiske brukere. Det kan også være nyttig at vi kan beherske andre språk i møte med våre nye landsmenn. Replikkordskiftet er omme. De siste 30 årene har Norge opplevd økt innvandring, og vi har blitt et mer mangfoldig land. Innvandringen bringer med seg nye kulturer, tradisjoner, en gang ukjente religioner, men også nye utfordringer. Den økte innvandringen til landet har også fått betydning for arbeidet mot vold i nære relasjoner. Jeg er glad for at stortingsmeldingen også tar inn over seg denne Det er viktig å huske at kvinner med innvandrer- og flyktningbakgrunn er en sammensatt gruppe. De kommer fra ulike samfunn, med ulike sosiale praksiser. Disse kvinnenes livssituasjon og posisjon i samfunnet kan gjøre dem ekstra sårbare. Deres muligheter til språkopplæring og adgang til bolig, arbeid, trygderettigheter og hjelpetjenester kan være dårligere enn for kvinner Risikoen for at volden får fortsette, øker ved manglende sosial integrering og i verste fall isolasjon, uten at andre kan stoppe det. Enkelte menn fra minoritetsfamilier ønsker å holde kvinnen i familien isolert for å opprettholde eller oppnå makt og kontroll. Det kan bl.a. innebære å nekte kvinnen å gå på norskkurs, eller å true med at hun vil bli sendt ut av landet. Dermed fratas kvinnen muligheten til å opprette et sosialt nettverk og skape grunnlag for en selvstendig tilværelse. Vi vet at flertallet av dem som i dag benytter seg av krisesentrenes botilbud, er kvinner med innvandrer- og flyktningbakgrunn. I 2001 utgjorde kvinner med innvandrerbakgrunn en tredjedel av brukerne, og i 2011 var 62 pst. av brukerne kvinner med etnisk rundt en fjerdedel av kvinnene var utsatt for vold fra en etnisk norsk partner. Økningen i andelen kvinner med innvandrerbakgrunn på krisesentrene betyr ikke at det er mer vold i familier med innvandrerbakgrunn. En forklaring kan være at en økende andel voldsutsatte kvinner i majoritetsbefolkningen har egen inntekt, god støtte fra eget sosialt nettverk og økt kunnskap om sine rettigheter. Det gjør at det er lettere for dem å forlate en voldelig partner på et tidligere tidspunkt enn før, samtidig som de har mulighet til å benytte andre botilbud enn krisesentrene. Krisesentertilbudet er særlig viktig for voldsutsatte kvinner uten arbeidsinntekt som har svake sosiale nettverk der de ikke kan påregne støtte ved et brudd. Dette vil i mange tilfeller være situasjonen for voldsutsatte kvinner med innvandrerbakgrunn. Kvinner er spesielt utsatt for vold og overgrep både før, under og etter flukt fra krigs- eller konfliktsituasjoner. Kvinner som bor i asylmottak, kan derfor være i en særlig sårbar situasjon. Å være flyktning kan få konsekvenser for fysisk og psykisk helse. I tillegg til traumer etter opplevelser før og under flukt er tap av familie, nettverk, status, identitet og endringer i relasjoner vanlige følger. Flyktninger for å utvikle psykiske og sosiale problemer i tillegg til andre helseplager. Eksiltilværelsen kan føre til økt vold i familien, og volden kan øke i omfang i en mottaksituasjon. Også menn med minoritetsbakgrunn opplever vold i nære relasjoner. I 2011 hadde 48 av totalt 79 menn som oppsøkte krisesentertilbudet, utenlandsk opprinnelse.

og det er betydelig sosial mobilitet når vi ser på norskfødte med innvandrerforeldre. Likevel er det innvandrergrupper som har problemer med å få en god tilknytning til arbeidsmarkedet, og blir værende i lavinntektsgruppen. Dette gjelder spesielt flyktningfamilier med mange barn der foreldrene har svak eller ingen yrkestilknytning. Dette er utfordringer som vi må ta på alvor, og møte med ulike tiltak rettet inn mot den enkelte familie og individ.

Det krever mot og vilje. Jeg vil fra denne talerstolen si til dem som har mot til å søke hjelp til å gå og skape seg et nytt liv: Jeg har enorm respekt for dere.
Man kan ha minst to ulike innganger til integreringsdebatten. Man kan først og fremst se problemer, se trusler mot norsk kultur, trusler mot den norske velferdsstaten, eller man kan anerkjenne at det er utfordringer, for det er det, men allikevel ha som bunnplanke at innvandring til Norge ikke bare er bra, men faktisk har vært en forutsetning for sysselsettingsvekst og sterke tall for norsk økonomi de siste årene. Når jeg tar ordet i denne debatten, er det fordi vi akkurat nå har en annen viktig melding liggende til behandling i Stortinget, nemlig perspektivmeldingen. Dette henger nøye sammen – veldig nøye sammen. Perspektivmeldingen handler om hvordan vi skal klare å møte de utfordringene vi har – ikke primært i de første årene som ligger foran oss, men i tiårene som kommer med å opprettholde produktivitet, opprettholde sysselsettingsvekst og finansiering av velferdsstaten. I det bildet er det viktig å ha med seg at siden EU ble utvidet i 2004, har arbeidsinnvandringen til Norge økt kraftig. Omtrent 60 pst. av økningen i antall sysselsatte som vi har hatt siden da, har vært innvandrere, og det tilskuddet til arbeidsstyrken har bidratt til å forlenge den veldig sterke oppgangskonjunkturen som norsk økonomi har hatt. Så det at mennesker kommer til Norge for å jobbe, er ikke et problem. Arbeidskraften de tilfører, er en ressurs, og fordi vi har hatt en arbeidslivspolitikk gjennom mange år hvor vi har oppnådd at andelen som er i jobb, kanskje er den høyeste Så til den øvelsen som enkelte har en sterk hang til, nemlig å regne på hvem av oss som lønner seg – i det lange løp er det de færreste av oss. Men jeg mener at i det regnestykket er det verdt å ta med seg at sysselsatte innvandrere gir skatteinntekter til Norge på opp mot 30 mrd. kr årlig. Mange av dem kommer ferdig utdannet til Norge. Det sparer oss for store utgifter, og de mottar omtrent 3,8 pst. av trygdeoverføringene fra folketrygden. Så disse bidrar i sterk grad til norsk økonomi, og det har allerede vært referert til flere ganger her at andelen som tar lengre høyere utdanning, faktisk er høyere i innvandrerbefolkningen enn blant den øvrige befolkningen. Men ja, det er utfordringer, som jeg sa innledningsvis. Selv om sysselsettingen blant innvandrere er høyere i Norge enn den er i veldig mange andre land, ligger den betydelig under gjennomsnittet for befolkningen ellers, og bak de store samletallene skjuler det seg veldig store forskjeller mellom grupper av innvandrere. Det henger sammen med utdanningsnivå, arbeidserfaring, hvor man kommer fra, og hvor man kommer fra, og årsak til at man innvandret. Det gjør at vi må ha et tungt fokus på arbeidsrettede tiltak, hvordan vi skal sysselsette flere. Det er nøkkelen til gode liv for dem som kommer hit, men også for robustheten i norsk økonomi. Alle har sikkert hørt utsagnet om at de norske kvinnene er verdt mer enn oljen. Sånn er det faktisk hvis man begynner å regne i kroner og øre, øre, og fortsatt er det utrolig nok sånn at vi har debatt i Norge i 2013 om kvinners arbeidsinnsats på et sånt nivå at en minister kan få beskyldninger haglende mot seg for å slå fast noe så åpenbart som at det lønner seg at kvinner jobber. Men uansett er det ingen tvil om at kvinners inntreden har vært den viktigste enkeltårsaken til den sterke veksten norsk økonomi har hatt de siste ti årene. Potensialet i kvinners yrkesdeltakelse er i stor grad tatt ut, og jeg er enig med dem som sier at det å lykkes med integrering, det å lykkes med sysselsetting av dem som innvandrer hit, er nøkkelen til å holde produktivitet og vekst oppe i årene som kommer. Det kommer til å bli flere innvandrere, andelen kommer antakelig til å øke. Hvor godt vi lykkes med å integrere innvandrere i arbeidslivet og tette det sysselsettingsgapet som vi ser av statistikkene i dag, vil derfor få stor betydning ikke bare for enkeltpersonene, men for Norge som helhet. Det som gjør meg veldig optimistisk hvis vi lykkes med dette, hvis vi tar ut det potensialet som ligger i alle de menneskene som er her, og som ønsker å bidra, er at vi langt på vei har tatt det finansieringsgapet som vi har i offentlige finanser fram mot 2060, som perspektivmeldingen sier veldig mye om. Derfor er jeg glad for at denne meldingen legger så stor vekt på arbeid, på sysselsetting og på tiltak for å få folk i aktivitet. Det er et helt riktig fokus og et helt nødvendig fokus både for enkeltpersoner og for norsk økonomi. Norge trenger arbeidskraft. Derfor er

Bedrifter ville ikke hatt mulighet til å legge inn anbud på større kontrakter, og bedrifter ville ikke hatt tilgang på viktig nøkkelkompetanse som genererer behov for flere ansatte, som f.eks. ingeniører. Arbeid til alle er Arbeiderpartiets viktigste mål, ikke bare fordi velferdssamfunnet er bygd på at vi alle bidrar til fellesskapet. Like viktig er det at det er den viktigste Det å ha arbeid gir oss verdien av å være til nytte og til å få en inntekt både vi og familien kan leve av, og arbeidsplassen er en viktig sosial arena for oss. Der møter vi andre mennesker, der får vi venner, og der bryr vi oss om hverandre. Derfor er det også svært viktig at vi har et arbeidsliv med rom for ulike mennesker med ulike ferdigheter og ressurser. Arbeidsplassen er vår viktigste inkluderingsarena. Det er viktig for innvandrere og flyktninger å delta i arbeidslivet. arbeidslivet. Der lærer de og erfarer norsk kultur på en helt annen måte enn de gjør i klasserommet på introduksjonsprogrammet. Praktisk arbeidsnorsk lærer du på arbeidsplassen. Arbeid er den viktigste veien til integrering i det norske samfunnet. Da må den veien også være tilgjengelig for kvinnene. Så vel polske som somaliske kvinner deltar mindre i arbeidslivet enn norsk kvinner. Utdannelse og språk er sammen med holdninger viktige forklaringer. Derfor må vi ha en bevisst tilnærming til dette. Jobbsjansen og andre lignende tiltak er helt nødvendig for å inkludere også disse kvinnene i det norske samfunnet. Og nok en gang: Dette er ikke veldedighet. Det er solidaritet i praksis, det er frihetskamp, og ikke minst er det bra for det norske samfunnet, som trenger flere som bidrar til å styrke velferdssamfunnet vårt. Det er et paradoks at samtidig som norske bedrifter roper etter arbeidskraft, leser vi til stadighet i avisene at velutdannede, arbeidsvillige, sunne og friske mennesker som vil og kan jobbe, ikke slipper til kun fordi de heter Hammed eller Nala. Og vi må innse at også mennesker fra andre land har kompetanse, utdannelse og ferdigheter som har stor verdi, som vi skal anerkjenne og benytte oss av. Politikken kan gjøre mye. Staten må gå foran som et godt eksempel og om nødvendig ta i bruk sterke virkemidler for å bryte ned disse fordommene. For det er nettopp det det er, fordommer hos etnisk norske, som ender opp med ikke å slippe folk til og ikke gi dem muligheten til bidra ut fra sine forutsetninger. Som samfunn har vi et felles ansvar for å gi alle mennesker muligheter. Vi vet at mange med minoritetsbakgrunn kan være sårbare for å bli utnyttet i arbeidslivet. Det skal lønne seg å jobbe. Derfor er det avgjørende at vi lykkes i kampen for å sikre respekten for ærlig hardt arbeid og mot sosial dumping. Etter to handlingsplaner for å bekjempe sosial dumping jobber vi nå med en tredje. Det handler om å sikre en inntekt man kan leve av, og at vi skal ha et arbeidsliv som ikke er helsefarlig. Jeg må innrømme at jeg sjelden bruker begrepet «innvandrer». Når man har vandret fra Mogadishu eller Warszawa til Norge for å delta i vårt samfunn, er vi vel kanskje alle medvandrere i livet. Integreringspolitikken har som mål å ta alle menneskelige ressurser i bruk. Med dette legger vi grunnlaget for at enda flere kan bidra. Norge er

representanten Marianne Marthinsen pekte på, hadde ikke den økonomiske veksten vi ser og har sett de siste årene i Norge, vært mulig, hadde vi ikke hatt den arbeidsinnvandringen vi har, og alle de menneskene som bor her nå. Nøkkelen til å få til denne integreringen handler om at vi snakker samme språk, at man behersker norsk. Da kan man delta i samfunnet på alle måter – arbeidsliv, utdanning, kulturliv, nærmiljø, idrett Da blir man en del av det store vi. «Utdanning er et av de viktigste virkemidlene for å redusere sosiale og økonomiske forskjeller i samfunnet», står det i innstillingen. Utdanning er nøkkelen til arbeid, selvstendighet og også personlig utvikling. Utdanning i Norge blir krevende uten ferdigheter i norsk. Derfor er man i denne innstillingen opptatt av mange ting som handler om norsk. Norskutvikling i norsk. Norskutvikling i barnehagene er svært viktig selvfølgelig. Gratis kjernetid er et riktig virkemiddel. Og det er mange andre tiltak i barnehagene som er av vesentlig betydning. Men obs.! Jeg har lyst til å peke på en utfordring vi nå ser, og det er at det er mange i barnehagene som er ufaglærte. Det er også en del ufaglærte som ikke har norsk som sitt morsmål. Uten kan det være en fare for at man legger veldig stort ansvar på barnehagene, som ikke klarer å levere til skolene. Det finnes barnehager i min kommune – jeg bor i Asker, som er en kommune hvor det ikke er så veldig mange innvandrere – hvor 90 pst. av barna har en annen etnisk bakgrunn enn norsk. Det er i utgangspunktet ikke et problem, særlig ikke hvis de snakker veldig mange forskjellige språk, for da blir norsk fellesspråket. Men det er et problem når flertallet av dem som jobber der, ikke er etnisk norske og ikke har kompetanse. da er ikke barna forberedt til å begynne på skolen, hvor de må beherske norsk. Manglende norskkunnskaper er en av hovedutfordringene ved at man ikke når de resultatene vi ønsker i norsk skole. Men også mange nyankomne barn av foreldre som kommer til Norge for jobb, enten de er fra Portugal eller Polen, kommer rett inn i norsk skole og kan ikke ett ord norsk, på samme måten som barn av dem som har fått innvilget asyl, kommer rett inn i skolen uten å kunne ett ord norsk. Jeg har vært på skoler i Distrikts-Norge hvor man har ekstraundervisning i tysk, nederlandsk og somali. Det er helt vanlig på en del skoler i Norge i små kommuner med små ressurser. Jeg ber om at kommunalkomiteen merker seg de økonomiske utfordringene de skolene står overfor hvis de skal klare å gi et godt språktilbud. Mange av dem som er arbeidssøkere i Norge, har også problemer knyttet nettopp til norsk språk. De som er registrerte ledige, får ikke jobb fordi de ikke kan norsk godt nok. De mangler mangler norskkunnskaper. Jeg mener rent generelt at voksenopplæringen får altfor liten oppmerksomhet i hele utdanningsdebatten. Vi er veldig opptatt av grunnskolen, men det er mange som trenger kompetansepåfyll som voksne. Dette er synd, for det er svært mange voksne som vil lære språk og andre ferdigheter, men systemene er ikke godt nok satt opp til å hjelpe alle. Derfor er jeg glad for at flertall i komiteen, bestående av Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet, viser til et forslag fra Utdanningsforbundet om en gjennomgang av hele voksenopplæringen. For hva skjer etter at introduksjonsprogrammet er gjennomført? Klarer vi å bygge en bro inn i arbeidslivet for alle? Er det tydelig nok hvilke rettigheter det er for voksne når det gjelder voksenopplæring etter opplæringsloven? Og klarer vi de forskjellige utfordringene, bl.a. den ene som går ut på å gi formell utdanning kombinert med språk, fordi det er folk som trenger fagutdanning eller studiekompetanse som ikke har det, mens andre har formell utdanning på plass og trenger bare språkopplæring? Gir vi de gode tilbudene? Jeg er ikke sikker. Vi har en del utfordringer på arbeidsmarkedet og når det gjelder språk: Vi må være flinkere til godkjenning av tidligere utdanning fra andre land. Vi må verdsette realkompetanse. Vi må verdsette realkompetanse. Vi må ha lavterskeltilbud når det gjelder å kurses i norsk, altså kurses i språk. Språk må i større grad komme inn som et kompetansehevende tilbud til dem som går på jobbsøkerkurs. Vi får til integreringen i Norge svært bra, mye bedre enn i mange andre land, men vi har fortsatt en jobb å gjøre. Særlig innen språkopplæring tror jeg det er behov for ytterligere tiltak.

tiltak. Utfordringene når det gjelder helsesituasjonen for innvandrere favner bredt. Innvandrerbefolkninga i Norge er ingen homogen gruppe. Det dreier seg om ulike mennesker som av forskjellige årsaker har kommet til Norge: flyktninger, asylsøkere, arbeidsinnvandrere og familiegjenforente. Dette innebærer også noen utfordringer for helsetjenesten, som vi må ta på alvor.

Flesteparten av innvandrerne kommer fra EØS-land og europeiske land utenfor EU. 44 pst. av alle innvandrerne kommer fra Asia, Afrika og Sør- og Mellom-Amerika. Det finnes god kunnskap om helsesituasjonen blant enkelte innvandrergrupper med lang botid i Norge. Vi har mer mangelfull kunnskap om innvandrere med kortere botid. Særlig gjelder dette innvandrere fra vestlige land til tross for at de utgjør over halvparten av innvandrerbefolkninga. En undersøkelse fra 2005/2006 om helse og levekår blant grupper av innvandrere viste at det er en økt hyppighet av diabetes type 2 og høyere forekomst av psykiske lidelser blant noen av de undersøkte gruppene. I enkelte innvandrergrupper er det også betydelige kjønnsforskjeller knyttet til helse. Slike funn er det viktig å ta på alvor for helsetjenesten og prøve å gjøre noe med. Reell tilgang til helse- og omsorgstjenester er viktig. Juridisk rett til helsehjelp er ikke ensbetydende med reell tilgang til helse- og omsorgstjenester. Det finnes mange ulike barrierer, f.eks. økonomiske, organisatoriske og språklige, som kan begrense den reelle tilgangen til helse- og omsorgstjenester. Kvaliteten på tjenestene vil også påvirke behandlingsutfall og hvordan personer kan nyttiggjøre seg helse- og omsorgstjenestene. Migrasjonsprosesser kan ofte innebære psykisk belastning. Hendelser – før, under og etter migrasjon – kan være belastende og i noen tilfeller traumatiske. Hvert menneskes erfaringer er individuelle erfaringer. Migrasjon medfører utfordringer i møtet med et nytt samfunn, nytt språk, nytt klima, nytt levesett og Hvordan personer opplever og mestrer dette varierer. Derfor er det store variasjoner mellom enkeltpersoner og grupper når det gjelder konsekvensene av migrasjon for helse. Det kan være mange årsaker til at pasienter og brukere med innvandrerbakgrunn ikke mottar eller opplever å motta likeverdige helse- og omsorgstjenester. Dette kan føre til at pasienten og brukeren opplever seg forskjellsbehandlet og diskriminert – et problem som denne meldinga også dreier seg om. Jeg vil nevne noen punkter som viser hva regjeringa har gjort og vil gjøre på dette området. Den vil bidra til likeverdig helse- og omsorgstjenester, bl.a. gjennom bedre tilrettelagt informasjon legge fram en melding til Stortinget om folkehelse våren 2013, som bl.a. skal ha bred omtale av innvandreres særskilte helseutfordringer, og i tilknytning til meldinga kommer også en nasjonal strategi om innvandrerhelse i 2013 videreføre folkehelseprosjektene i Groruddalssatsinga, som i stor grad retter seg mot innvandrerbefolkninga at tilskudd til NAKMI, Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse skal styrkes ytterligere, og inneværende år har de driftsmidler på totalt 8 mill. kr starte opp en egen satsing for å kvalifisere flere med innvandrerbakgrunn til fagutdanning innen helsefag forbedre kunnskapsgrunnlaget om innvandreres helse og deres bruk av helsetjenester ha bedre tilrettelagte tjenester på Internett for innvandrerbefolkninga. Vi har mange utfordringer på helsefeltet – også for innvandrerbefolkninga. Men folk som har kommet hit til Norge, har også kulturelt betingede helsefordeler. Mange har et sunnere kosthold, med mye frukt og grønnsaker, færre bruker tobakk rusmidler. Dette er positivt, sett fra et folkehelseperspektiv. Jeg vil også understreke hvordan arbeidstakere med innvandrerbakgrunn gjør en uvurderlig og fantastisk jobb i pleie-, helse- og omsorgssektoren. Det hører også med til bildet når vi snakker om helse og integrering. Til slutt: Det å leve i et mangfoldig samfunn er en positiv utfordring – også for helsa vår – gjennom at vi møter mennesker som representerer noe annet enn det vi kjenner fra før. Det tror jeg er bra for oss alle i dette landet.
Neste taler er representanten Trine Skei Grande, så representanten

Men det fører også samtidig til at de som føler at de blir utsatt for rasisme, ikke får den støtten som de syns de absolutt fortjener. For å ha sagt det: Det var vel ikke så overraskende at Morten Ørsal Johansen, i det samme NRK-intervjuet sa at Fremskrittspartiet ikke savner det ordet. Jeg er glad for at meldinga

forskjellsbehandling.» Denne studien viser nemlig at med et utenlandskklingende navn, sank sjansene for å bli kalt inn til et jobbintervju med 16 pst. for kvinner og 37 pst. for menn. Den samme diskrimineringa – eller kanskje vi skal si rasistisk begrunnede forskjellsbehandlinga – finner vi også på boligmarkedet og sannsynligvis også i en rekke andre institusjoner, f.eks. i sikkerhetskontroller, hos dørvakter osv. Derfor er det så bra at meldinga tar tak viser at her er det handlingsplaner som vi skal følge. Som New Public Management-motstander må jeg også si meg enig i – selv om det er litt tungt – at det er viktig å se at de arbeidsgivere som nå har blitt pålagt en aktivitets- og rapporteringsplikt om diskriminering, sier at dette virkelig har hatt betydning for hvordan de har tatt tak i den problematikken. Det er

at flest mulig skal ha statsborgerskap, men det er også et virkemiddel i integreringspolitikken. Jeg har lyst til å avslutte med å si at jeg tror at et moderne samfunn på sikt absolutt bør holde seg med dobbelt statsborgerskap. Det kler et moderne samfunn, og det er hensiktsmessig i et moderne samfunn.

Representanten Håkon Haugli var indignert på grunn av at Framstegspartiet ikkje hadde vore med på ein merknad. Eg kan lese den merknaden: «Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, ser på innvandring og mangfold som en styrke for det norske samfunnet.» Det er ingen tvil om at delar av innvandringa, arbeidsinnvandringa til Noreg, har vore positiv. Vi har hatt utan at dette har skapt verken løns- eller prispress, og heller ikkje pressa renta oppover. Men det å gå ut og seie at dette berre er positivt, uavhengig av kor mange vi tar inn – om vi tar inn 50 000, 100 000, 500 000, så er det berre positivt – det meiner eg er naivt av fleirtalet. Derfor står altså Framstegspartiet utanfor den merknaden. Innvandring skaper utfordringar, både kulturelt og i forhold til kriminalitet for enkelte grupper, og arbeidsinnvandring har også skapt større utfordringar for norsk ungdom med å komme inn på arbeidsmarknaden. Det var også noko som LO og NHO tok opp for Representanten Aksel Hagen hadde også nokre ytringar overfor Framstegspartiet, og han uttrykte vel noko liknande som at han var glad han ikkje representerte Framstegspartiet og Framstegspartiet sitt negative syn, som han kalla det. Eg kan vel roe representanten Aksel Hagen med at den gleda absolutt er gjensidig. Eg synest at SV og Aksel Hagen med interesse også kunne besøkt SVs finske og danske søsterparti, som har ein integreringspolitikk som ligg nært opp til det som Framstegspartiet står for. Framstegspartiet står altså ikkje åleine om sin integreringspolitikk og si kritiske

Ørsal Johansen

den er lav, og jeg tror det er litt forskjellige utgangspunkt som brukes. Statistikk er rart. Det hadde vært moro om en tverrpolitisk kunne sette seg ned og se på grunnlaget for forskjellig statistikk. Kanskje kunne en da blitt enig om det som er et mer riktig grunnlag. At det ville styrke debatten, er det ingen tvil om, men det det vil styrke, er i Norge. Så ville vi slippe å stå her og diskutere grunnlag og detaljer som egentlig ikke gjør at integreringen blir noe som helst bedre. Det blir sagt fra flere her at vi trenger arbeidskraft i Norge. Ja, vi trenger kanskje arbeidskraft, og til tider trenger vi kompetent arbeidskraft. Men hvis vi har så stort behov for arbeidskraft, hvorfor er da arbeidsledigheten så stor blant innvandrere, og hvorfor er de overrepresentert på trygdestatistikken? Det er lov å stille spørsmålene, og det er lov å se litt annerledes på det enn det enkelte andre gjør. Så har vi blitt kritisert fordi vi har mange forslag som gjelder kjønnslemlestelse. kjønnslemlestelse. Kjønnslemlestelse er en problemstilling som er viktig å ta opp, ikke minst med hensyn til det integreringsmessige. Jeg vil bare helt til slutt få lov til å referere til Ayaan Hirsi Ali. Hun er forfatter, eksmuslim og tidligere parlamentariker i Nederland. Hun sier at mange tusen kvinner i Europa blir blir omskåret. Derfor mener Fremskrittspartiet at det er viktig å fokusere på denne problemstillingen. Det er viktig å sette inn tiltak som gjør at dette blir oppdaget, og det er viktig å straffe dem som foretar dette, for å få slutt på denne forferdelige torturen mot unge kvinner. Helt til slutt vil jeg faktisk gi litt ros til en representant fra Arbeiderpartiet, representanten Ljunggren. Hun hadde et meget godt innlegg som fokuserte på en del tydelige problemstillinger og utfordringer vi har, og jeg håper virkelig at hun jobber videre med å få de problemstillingene i fokus. Det går an å se innvandring og spesielt arbeidsinnvandring på

i alle landets fylker, og overalt der vi kommer, ser vi at uten arbeidsinnvandrere hadde fiskeriindustrien, industrien og andre næringsgrener stoppet helt opp. Man er helt avhengig av den arbeidskraften i store deler av landet. Det har vært nevnt flere rapporter her i dag, men det kommer en spennende rapport som skal offentliggjøres nå i dag i avisen Utrop, som et seriøst analysebyrå har gjort. Den viser at

god butikk å ha arbeidsinnvandrere i Norge. Høyre mener i hvert fall at det er god butikk å ha arbeidsinnvandrere med høy kompetanse, og derfor har vår hovedvinkling i denne debatten vært at vi ønsker flere med høy kompetanse, også fra land utenfor EØS-området. Til slutt vil jeg bare ta en gjennomgang av de forslagene Venstre har fremmet, og si hva Høyre skal støtte der. Vi vil støtte forslag forslag nr. 30 og forslag nr. 31. Takk for en grei debatt. Jeg synes det har vært nyttig å få en gjennomgang av integreringspolitikken. Jeg er enig i at det kanskje kunne ha vært mer konkret og flere tiltak fra regjeringens side, særlig fordi vi har ventet på integreringsmeldingen nå i ganske lang tid. Men det er jo aldri for sent, og det kan komme nye muligheter for denne eller neste regjering.
Neste taler er representanten Trine Skei Grande, så representanten

regjering. I stortingsmeldinga «En helhetlig integreringspolitikk – Mangfold og fellesskap» blir det slått fast at Noreg ikkje skal utvikla seg til eit samfunn kor personar med innvandrarbakgrunn har dårlegare levekår og i mindre grad deltar i samfunnsfellesskapet enn resten av befolkninga. Ei god og trygg helse- og omsorgsteneste skal bidra til betre helse og til å førebyggja sjukdom i heile befolkninga. Sjølv om helsetilstanden i den norske befolkninga er god,

Helsetenesta i Noreg må forbetrast, meiner eg, slik at ein i større grad får kompetanse om innvandrarar sine spesielle helseutfordringar og auka kulturell forståing, slik at innvandrarar, som andre, får eit tilpassa tilbod. Rett bruk av tolk er ei viktig side av dette, då det er kjent at fleire tenesteytarar i offentleg sektor ikkje bruker kvalifisert tolk. Det er uakseptabelt at barn gjerne blir brukte som tolk, tolk, og det er ofte svært problematisk at nære familiemedlemer blir brukte som tolk, spesielt i situasjonar der ein f.eks. kan mistenkja vald i nære relasjonar. Betre helse skapar ein ikkje av betre helsetenester. Det viktigaste for å sikra betre helse blant innvandrarar er å ta tak i grunnleggjande faktorar, som nettopp økonomi, oppvekstvilkår og arbeids- og bumiljø. Vi veit at regjeringa i april skal leggja fram ei folkehelsemelding.

Vi får òg ein nasjonal strategi om innvandrarars helse, som eg ønskjer velkommen. Det er òg viktig at vi klarer å rekruttera fleire med innvandrarbakgrunn til helse- og omsorgssektoren. Til slutt nokre setningar om svømmeundervisning i skulen. Det er utruleg viktig at vi får eit betre tilbod. Vi veit at det er altfor mange tragiske drukningsulukker blant barn med innvandrarbakgrunn. Vi må få til ei satsing der.

der. Først en liten kommentar til representanten Helleland, som snakket om det seriøse analysebyrået NyAnalyse. Jeg vil bare minne om at de hadde utelatt 17 mrd. kr i velferdsutgifter. Men det kan vi komme tilbake til en annen gang. Veksten i folkemengden i Norge øker kraftig. Veksten var på 1,3 pst. i fjor. Det er

sammen. Da kan man ikke begynne å snakke om arbeidsinnvandring og hvordan en sveitsisk sivilingeniør gjør det i Nordsjøen, for det har altså ingenting med saken å gjøre. Det som er utfordringen, som alle vet – og man bør si det man vet, i stedet for å snakke om andre ting – gjelder kultur, utdanning og arbeid, og å få dette til å fungere i det norske samfunnet. Da må man respektere de grunnleggende verdiene i det norske samfunnet. Det er det faktisk mange som ikke gjør. Da burde vi være enige om hva som er de grunnleggende verdiene, som jeg har nevnt fra denne talerstolen mange ganger: Likeverd, likestilling, ytringsfrihet, toleranse og ikke minst religiøs og seksuell frihet – frihet til å gifte seg med hvem man vil, frihet fra ikke å måtte gifte seg arrangert, slik 15 pst. av all innvandring er i dag, nemlig arrangerte ekteskap ved henteekteskap. Selvfølgelig er tvangsekteskap ingenting annet. annet. Hvis man fikk en statsråd fra SV til å si at man vil forby tvangsekteskap, etablerte ekteskap, henteekteskap, kunne man langt på vei fått til mye når det gjelder integrering. Det aller beste ville jo vært om noen fra f.eks. Pakistan eller Somalia kunne giftet seg med noen etniske nordmenn. Men det skjer jo ikke. Så mye ønsker de ikke å integrere. Nei, de bor segregert, bor segregert, gifter seg segregert og lever segregert. Man driver med Orwellsk nytale og later som at alt fungerer i beste velgående, bare man er snille nok og gir nok ytelser til dem som kommer. Det er dessverre feil. Jeg skulle gjerne snakket i 20 minutter til, men

Men jeg har lyst til å understreke at hovedbildet etter denne debatten likevel er bred oppslutning om det som er hovedlinjene. Utgangspunktet for å lykkes er det beste, for det er nemlig at de aller fleste er enige om at det er bra for dette landet at det blir stadig mer mangfold, at vi har innvandring, og at vi er et flerkulturelt land. Det er nemlig bud nr. 1 hvis vi har tenkt å lykkes i integreringspolitikken. Hvis man derimot inntar det motsatte standpunktet, som Fremskrittspartiet gjør i disse debattene, er sjansen for å mislykkes tilsvarende stor. Jeg har også lyst til å si at Fremskrittspartiet er veldig opphengt i kultur. Man er veldig opphengt i norsk kultur, særlig sistnevnte taler, som forsvant ut av salen så fort han kunne, men som har reist en debatt om akkurat det. Det er i stor grad nytale, for mye av det handler nettopp om klasse. klasse. Klassebegrepet er i stor grad gått ut av det norske språk, men det er absolutt verdt å snakke om. Når det dreier seg om mennesker som kommer til Norge, spiller klasse en veldig stor rolle for hvor man havner og hvor godt man lykkes. Det som er helt grunnleggende for oss, er sosial utjevning. Den rød-grønne regjeringas helt overordnede politikk er inkludering i arbeidslivet for kvinner og menn. Det er å sørge for sosial mobilitet. Det er å sørge for utdanning til alle, at ulike barn skal lykkes og kunne bidra til samfunnet med sine evner. Da er det også viktig å ha en offensiv politikk for områdeløft. Den områdesatsinga som vi har fått til i Norge, har vært uvurderlig – satsinga på gratis kjernetid i barnehagene. Vi skal nå gå videre – med SFO/aktivitetsskole på Mortensrud i Oslo. Det blir veldig spennende. Det handler om det samme, nemlig å inkludere barn. Det handler om sosial mobilitet. Vi ser at sosial mobilitet i Norge faktisk er langt større her enn det er i USA, som er forrige talers drømmeland. Vi klarer å realisere den amerikanske drømmen i mye større grad enn amerikanerne greier i USA. Det skal vi være stolte av, men det er ikke noe som kommer av seg sjøl. Det kommer bare ved offensiv poltikk for omfordeling, ved å forstå at det spiller en rolle hva slags bakgrunn man har, hva slags utdanningsnivå man har, og at man ikke bare kan peke på enkeltmennesket og si: Du må skjerpe deg. Du må ta deg sammen. Du må delta mer. Men det forutsetter at også fellesskapet er villig til å tilrettelegge. Det er kun i samspillet mellom den enkeltes vilje til å bidra og samfunnets tilrettelegging for at den enkelte skal kunne bidra, at vi klarer å lykkes. Aksel Hagen har hatt ordet to ganger tidligere i debatten, og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt.

sier jo at det er noen utfordringer knyttet til innvandring og integrering. Meldinga sier videre at det må vi gjøre noe med. Det er nettopp det som ligger i meldinga. En kan da ikke si at vi ikke ser at det er utfordringer der ute. Så litt til lønnsomhetsproblematikken. Jeg syns det er veldig morsomt at det vises til en SSB-rapport. Den viste jo først og fremst at folk ikke lønner seg.

alle de andre mot Fremskrittspartiet. Det er en analyse jeg deler fullt ut, sånn er det – og jeg sier: Heldigvis er det sånn at Fremskrittspartiet blir stående isolert med sine holdninger, som jeg synes, hørt framført fra talerstolen her i dag, ikke taler til Fremskrittspartiets fordel. Det tyder på at Fremskrittspartiet henger litt igjen i en gammelmodig, lite framtidsrettet måte å tenke på, som heller ikke har særlig gjenklang i den norske befolkningen. Verden globaliseres og vi globaliseres med den, men Fremskrittspartiet har på en måte ikke kommet dit ennå, det synes jeg mange av innleggene bærer tydelig preg av. Fremskrittspartiet sier at vi glorifiserer – nei, vi gjør ikke det. I flere innlegg har vi tatt men samtidig skal vi ikke la de viktige utfordringene overskygge mulighetene som finnes, og de positive resultatene som er. Statistisk sentralbyrå – og forskerne der er noen av våre beste på statistikk – sier bl.a. at de som roper på en helt ny integreringspolitikk, må tenke seg om en gang til og ikke sette bort verktøykassa, men bare finjustere noen av verktøyene. Det er jo det vi diskuterer her i dag. Så har jeg også en kommentar til Trine Skei Grande som mener at meldingen er preget av idétørke. Jeg tror det er en avsporing å mene at tiltak for en enda bedre integrering skal klekkes ut i et departement. Som Statistisk sentralbyrå også påpeker: Alle bor i en kommune, det er der vi lever – det er der vi går på skole, det er der vi jobber, det er der vi deltar i idrett, besøker venner,

men det var etter at hovedansvarlig i den forrige regjeringen bl.a. hadde vært i Drammen på besøk og lært av det lokale initiativet vi hadde tatt der, til å bygge opp vårt eget introduksjonsprogram. Vi var allerede i gang, dels for egne penger og dels for statlige penger. Jeg tror det er der nøkkelen ligger. Det er i lokalsamfunnet folk lever livet sitt. Staten må legge rammene til rette, så må kreativiteten blomstre der ute hvor menneskene møtes.

kunne forstå norsk når en eldre person som bare kan norsk, skal fortelle om sine lidelser – og føle seg ivaretatt og forstått? Bør ikke saksbehandleren i Nav som kommer fra et annet land, kunne skrive vedtak på norsk til sine klienter i et forståelig brev? Er det ikke sånn at rengjøreren på et sykehus skal kunne gjøre seg forstått når noen kommer og spør om veien, eller at man klarer å lese veiledningen om hvordan man skal utføre sitt

Jeg vil gjerne bidra til det. Jeg tror det er viktig å innse at man må ta noen statlige grep for å få gjort de gode tingene. Det er det vi har gjort i de elleve forslagene vi har lagt fram her i dag. Det er greit at representanten Christoffersen innrømmer at det egentlig ikke ligger inne noen forslag i denne stortingsmeldinga fra regjeringas side, men jeg tror at vi må korrigere og utvikle de virkemidlene vi har. har. Mye av det går på språk, mye av det går på tilskudd, mye av det går på skolene våre – at de faktisk får mulighet til å gjøre den gode jobben som man trenger å gjøre. For Ørsal Johansen har rett i én ting: Det hjelper ikke å få barn i barnehagen hvis de som jobber i barnehagen, ikke snakker godt nok norsk. Det hjelper ikke på språkundervisningen. I f.eks. Oslo jobber man kjempehardt akkurat med det. det. Sjøl om man ikke kan veldig godt norsk fra dag én, er det veldig viktig at man lærer barn at det heter å gå på do – ikke gå i do. Det å kunne norsk ganske perfekt når man skal lære barn språk i barnehagen, er veldig viktig, og det brukes det mye energi på. Det er f.eks. store planer her i byen om at alle som jobber i barnehage, skal kunne veldig godt norsk for å kunne lære barna godt norsk, men man må ta noen statlige grep for å kunne gjøre det. I løpet av denne debatten har vi lagt fram elleve forslag, og jeg tror at regjeringa må støtte alle sammen, for den ene stortingsrepresentanten etter den andre fra regjeringspartiene har sagt at man er for disse. Aksel Hagen er til og med for doble statsborgerskap – det er Venstre også. Jeg er spent på om det kommer forslag om det fra regjeringspartiene, når man taler for det her på talerstolen.

om integrering er en utrolig viktig debatt. Jeg lyttet med interesse til representanten Tetzschners innlegg: Integrering står i en klar motsetning til segregering og assimilasjon. Ved integrering beholdes den kulturelle egenarten, samtidig som man tilpasser seg norske lover og regler. Representanten Tetzschner hadde et godt innlegg, etter mitt skjønn. Jeg har noen Det sies at arbeidsinnvandring er en nødvendighet. Ja, det er en nødvendighet, men omfanget av nødvendigheten er et resultat av en økonomisk politikk, og konsekvensene av arbeidsinnvandringa må vi diskutere. Det føres i dag – under tesen om friest mulig bevegelse av kapital – en økonomisk politikk i Norge som innebærer et rentenivå som ikke er tilpasset norsk virkelighet, men virkeligheten helt andre steder. Det fører til en aktivitet i Norge som er unormal høy – en aktivitet som ikke kommer til å vare, en aktivitet som må ned når forholdene blir normalisert etter at krisa i euroområdet får sine konsekvenser. Derfor må vi ha litt utsyn – lenger enn i den bobla vi lever i i dag, der aktiviteten er ekstrem høy fordi det koster nærmest ingenting å låne penger. Det er helt unormalt at vi er inne i en sånn tid. Vi må altså ta høyde for det som kommer seinere. Til konsekvensene for arbeidsmarkedet: Det er svært få her som snakker om hvordan arbeidsinnvandringa presser lønns- og arbeidsvilkår i næringer med svake fagforeninger eller frie yrker. Det er svært få som solidariserer seg med yrkesutøverne i de bransjene, enten det er reinhold, handel, matproduksjon eller transport. Jeg synes det er for svakt. Det er en svær utfordring, og det har vært snakk om klasser. Her utvikler det seg klasser – her utvikler det seg virkelig klasser! Den rød-grønne regjeringa bør ha større fokus på hvordan disse klassene utvikler seg. Når det blir et stort utbytte av arbeidskraft i et marked med svake faglige rettigheter, veit vi hva som blir konsekvensene. Derfor er det nødvendig med en debatt om ideologien: friest mulig bevegelse av arbeidskraft og kapital. Det er en ideologi som må korrigeres. Den vil over tid ikke kunne fungere, det må mer styring til, for det er nasjonalstatene som til sjuende og sist får ansvaret for innbyggernes, arbeidsinnvandrernes og asylsøkernes ve og vel. Da må man ha de nødvendige virkemidler for å sikre forlengelsen av de jambyrdige økonomiske forhold som særpreger Norge, og som er en viktig del av vår

som urettferdigheter i Fremskrittspartiets retorikk angående kultur. Jeg kommer fra en by der den store majoriteten av innbyggerne historisk sett var finske innvandrere, og allikevel feirer vi 17. mai i den kommunen. Min nabokommune er en sjøsamisk kommune, som er stolt av den kulturen og kulturarven, med et helt annet språk enn det norske. Der feirer de også 17. mai. Det å plassere den norske Der feirer de også 17. mai. Det å plassere den norske befolkningen inn i en så lukket, liten kulturell ramme som mest minner om avleggs bonderomantikk og de bildene som er tegnet av tyske malere, altså en norsk nasjonalromantikk – at man skal plassere oss inn i den båsen, finner jeg meg ikke i. Det er urettferdig, og det er feil bruk av retorikk, for den stemmer ikke. Representanten Tybring-Gjeddes framstilling av Norge som et ensartet kulturelt landskap med sære spesifikasjoner, eksisterer ikke. Det eksisterte ikke før Norge ble en nasjon og kommer ikke til å eksistere i framtiden heller. Det er et lite hjertesukk å få si denne typen ting i slike integreringsdebatter nettopp de representantene som er så opptatt av denne kulturelle enheten. For den er feil – den har aldri eksistert. Det er 250 mil fra mitt folkebibliotek i Vestre Jakobselv til Nasjonalgalleriet, og langs alle de milene nedover er det forskjellige dialekter, forskjellige kulturelle oppfatninger av hva som er mitt og vårt Norge, er det forskjellige dialekter, forskjellige kulturelle oppfatninger av hva som er mitt og vårt Norge, forskjellige måter å drive dugnad på, og forskjellige måter å synge og gå i 17. mai-tog på og ha 17. mai-arrangement på. Ja, vi er under ett flagg, vi er én felles nasjon, men denne nasjonen er så til de grader flerkulturell, og det har den alltid vært. La meg først få gi skryt til foregående taler:

både Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre, er forslag som vi allerede er i gang med å jobbe med. Noe av det er vi uenig i – som f.eks. åpning for større grad av midlertidige ansettelser, som Venstre fremmer forslag om, eller anonyme jobbsøknader, som vi heller ikke er for – mens andre ting er vi helt for, og gjør allerede. Det gjelder særlig mange av forslagene som angår et forferdelig overgrep – et menneskerettighetsbrudd – der vi må gjøre hva vi kan for å både forebygge og reparere. Jeg vil gjerne gi honnør til helsevesenet vårt, hvor de har vært veldig flinke til å ta til seg ny kunnskap akkurat på dette området og bidrar veldig godt til å både forebygge og reparere. De gjør en innsats som jeg vil tro kan være ganske tøff

Det er, som jeg sa i forrige innlegg, Fremskrittspartiet som skiller seg ut i det jeg vil kalle negativ retning. Jeg gjør en kort visitt til innlegget fra Ulf Leirstein tidligere i dag, hvor han på vegne av Fremskrittspartiet sa at vi må redusere innvandringen og stramme inn på andelen som får asyl i Norge.

ta det med knusende ro. Et godt råd: Ikke lytt til partifelle Amundsen som tidligere har påstått at nordmenn er i mindretall før 2050. Gå heller til den offentlige statistikken og Statistisk sentralbyrå som kan det med å lage prognoser, og sov godt om natta heretter. Inga Marte Thorkildsen nevnte at Rigmor Aasrud ikke er her. Ja, det er flere statsråder som kanskje burde vært her i dag. Anniken Huitfeldt ble også adressert tidlig i debatten: Morten Ørsal Johansen var bekymret for om Anniken Huitfeldt ut fra sine synspunkter sosialhjelpsmottakere hadde fått kritikk fra egne partifeller – «kjeft» var vel det ordet som ble brukt. Jeg kan berolige Ørsal Johansen: Nei, Anniken Huitfeldt har ikke fått det. Det er sånn lov om sosiale tjenester er innrettet, og det er sånn kvalifiseringsprogrammet er innrettet – for øvrig et program som Fremskrittspartiet hele tiden har stemt imot, selv om det er et program for å få langtids sosialhjelpsmottakere ut i arbeid. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 1. Etter ønske fra kommunal- og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

Vi skal nå ta stilling til et representantforslag som går i stikk motsatt retning. Forslaget er framsatt av representantene Ørsal Johansen, Hagesæter og Starheim, alle fra Fremskrittspartiet, og det gjelder innstramming av kravene til permanent oppholdstillatelse i Norge. Noen vil antakelig mene at kravene er for strenge som de er. Stortingsflertallet mener at kravene bør ligge der de ligger og ser ikke behov for å endre regelverket, i hvert fall ikke med utgangspunkt i dette forslaget. Komiteen har heller ikke ment at det var nødvendig å avholde høring i denne saken. Forslagsstillerne fremmer hele ti forslag som stort sett skal gjøre det vanskeligere for folk å få permanent opphold. Samtidig sier de samme forslagsstillerne at det er et siktemål at de som flytter til Norge, raskest mulig skal bli i stand til å forsørge seg selv. Det siste er vel alle enig i, men ingen av de andre partiene her på Stortinget støtter et syn som går ut på at det å gjøre det vanskeligere å få permanent opphold, er et godt og fornuftig bidrag til å nå det målet. Forslagene som fremmes fra Fremskrittspartiet i denne saken, kan deles i tre grupper. Seks av forslagene handler om ulike måter å forlenge perioden på som trengs for å få permanent opphold. To av forslagene skjerper kravene utover det, mens to forslag er å regne som en form for belønning for såkalt god oppførsel. Perioden før permanent opphold kan gis, skal fordobles fra dagens krav om tre års botid til et krav om seks år, jf. forslag Oppå der kommer dessuten forslag nr. 4 med et krav om at vedkommende skal ha hatt arbeid på heltid i to og et halvt av de siste tre årene og ikke kan ha mottatt dagpenger eller sosial stønad i mer enn seks måneder de siste tre årene. Forslag nr. 6 innebærer at alle må ha bestått prøve i norsk før permanent opphold kan gis. Forslagene nr. 9 og 10 betyr en betydelig innstramming i mulighetene for familiegjenforening ved at referansepersonen må ha permanent opphold først, og at familiegjenforente aldri skal kunne innrømmes rett til ytterligere familiegjenforening. I tillegg kommer forslag nr. 5 om at alle må avlegge en erklæring om integrering og aktivt medborgerskap før permanent opphold kan innvilges. Alle de andre partiene går imot disse forslagene. En botid på tre år bør være mer enn nok. Vi støtter heller ikke kravet om arbeid i en bestemt periode. Det finnes krav til forsørgelse når det gjelder familieinnvandring, og flertallet mener det er nok. Når det gjelder spørsmålet om bestått prøve i norsk for å få permanent opphold, viser flertallet til at det er en diskusjon om dette når det gjelder statsborgerskap, og at diskusjonen om krav til språk bør begrenses til det. Forslagene om ytterligere begrensninger i mulighetene for familieinnvandring er dels i strid med den europeiske

Å nekte opphold for alle personer som er avhengig av en eller annen form for økonomisk stønad, er heller ikke rimelig, slik flertallet ser det. Til slutt fremmes et par forslag som kan sies å være en form for premiering av det Fremskrittspartiet anser som god oppførsel. Kravet til botid kan reduseres ved aktivitet i frivillig virksomhet. Flertallet er enig i at slike aktiviteter i seg selv er positive og kan bidra til god integrering, men kan vanskelig se at det tjener verken organisasjoner eller enkeltmedlemmer å innføre et element av tvang i det som i utgangspunktet er frivillig aktivitet. Til slutt: Flertallet støtter heller ikke et system der tiden det tar for å få permanent opphold, gjøres avhengig av hvor raskt den enkelte klarer å gjennomføre introduksjonsprogrammet. Det kan fort bli en form for urettferdig sortering. Flertallet stemmer mot alle de ti forslagene, som Fremskrittspartiet forutsetningsvis selv kommer til å ta opp.

Gjeldende innvandringspolitikk, som regjeringen er ansvarlig for, og som støttes av opposisjonspartiene – med unntak av Fremskrittspartiet – er verken ansvarlig eller økonomisk bærekraftig. Som jeg ser det, er gjeldende innvandringspolitikk basert på to myter. Den ene myten er at innvandring lønner seg. Dette er beviselig feil. Den 10. mai 2011 kom det et viktig signal. Det var den dagen Brochmann-utvalget leverte sin innstilling, NOU 2011: Velferd og migrasjon, den norske modellens framtid. Konklusjonen i NOU-en er at innvandring ikke er økonomisk bærekraftig. Hvis noen i denne sal mot formodning ikke har lest NOU-en og lurer på hvorfor, kan jeg fortelle at yrkesdeltagelsen blant innvandrere er vesentlig lavere enn hos sammenlignbare nordmenn. Siden er dette blitt bekreftet av SSB. I rapporten «Makroøkonomi og offentlige finanser i ulike scenarioer for innvandring», presentert i mai 2012, var en av konklusjonene at ikke-vestlig innvandring svekker statsfinansene. Av rapporten framgår det videre at Norge fra 2020 vil få en temmelig anstrengt økonomi hvis intet endres. Kombinasjonen av høy innvandring og verdens beste velferdsordninger er en bombe under velferdsstaten. Fortsatt høy innvandring vil føre til at vi ikke vil kunne klare å opprettholde våre relativt generøse velferdsordninger. Det viser seg at arbeidslivssyklusen til store innvandrergrupper er for kort. Resultatet er at to av tre innvandrere går på trygd, ifølge en rapport fra Frischsenteret ved Universitetet i Oslo. 35 pst. av statsbudsjettet brukes på trygd. Det er svimlende 370 mrd. kr. 20 pst. av befolkningen i arbeidsfør alder går på trygd. Kan noen da fortelle meg at det er bærekraftig? Den andre myten gjelder det flerkulturelle mangfoldet. Hvilken gevinst har dette mangfoldet gitt oss? Det vi vet, er at Groruddalen tømmes for nordmenn, som i motsetning til de aller fleste politikere opplever mangfoldet på nært hold. Vi vet at Oslo ikke lenger er en trygg by, og at kvinner ikke bør gå ute alene om natta. Vi vet også at i land hvor utviklingen har kommet lenger enn her, har David Cameron og nå avgåtte Nicholas Sarkozy tatt avstand fra multikulturalismen. Den største feilen som har blitt begått i Norge når det gjelder integrering, er at en ikke har stilt krav til innvandrere. I stedet har vi forsøkt å tilpasse oss. Dette finner jeg fullstendig meningsløst. Hva slags gjester er det som stiller krav til vertskapet? Hvis en ikke trives i vertskapets selskap, kan en benytte seg av en av de friheter man har, nemlig å forlate selskapet. Fremskrittspartiet mener at det å få permanent opphold og til slutt statsborgerskap, skal henge høyt. De forslag vi fremmer i denne saken, er etter vår mening ikke urimelige krav, men krav enhver som ønsker å være en del av det norske fellesskapet, vil kunne synes er overkommelige. Jeg vil til slutt bemerke at når det gjelder de brev vi har sendt med spørsmål til statsråden, har hun unnlatt å svare

Politikk må forsøksvis være kunnskapsbasert. Så: Nei, det finnes ingen forskningsrapporter som viser at såkalte nordmenn blir minoritet i eget land. Det er på tide at vi får noen referanser hvis den påstanden fra Fremskrittspartiet fortsatt skal Så var det rapporten fra Statistisk sentralbyrå. Legg merke til hva representanten Ørsal Johansen sa i innlegget sitt, at det i den rapporten står «hvis intet endres». Det var jo nettopp det forrige debatt dreide seg om, hva vi må gjøre for at innvandring og integrering i enda større grad skal bli et suksessprosjekt for oss. Det er et nødvendig prosjekt for oss.

Margreth Olin kaller filmen sin «De andre». Det er en glimrende film, og ikke minst er det en glimrende tittel. Dette blir ikke minst bekreftet av Fremskrittspartiet i denne innstillinga. Vi har liksom oss norske, dette norske «vi» som en gruppe, og så har vi innvandrere, «de andre», som en annen gruppe. Der tillit er det gode ordet blant oss norske, det norske vi, er mistillit det dominerende ordet vi skal nærme oss dem, de andre, med. Vi, det norske vi, skal akseptere samlivsbrudd. For dem, de andre, er det utvisningsgrunn. Vi, det norske vi, har et eget regelverk som settes i kraft hvis vi begår et lovbrudd eller ikke klarer å betale gjeld. De, de andre, har et annet regelverk, der hovedpoenget er: Ut med dem! Vi, det norske vi, aksepterer arbeidsløshet, og ikke minst aksepteres deltid – en del mener faktisk det er et pluss hvis ikke minst kvinner arbeider deltid framfor heltid. Men de, de andre, skal ha to valg – enten heltid eller ut av landet. Vi, det norske vi, hyller familie som et gode og en rettighet. så kaster vi ut deler av familien. I hvert fall Fremskrittspartiet er veldig opptatt av det. Dette er en trist tilnærming, og takk og pris for at Fremskrittspartiet også her blir stående alene. Det er en umiddelbart egoistisk tilnærming fra Fremskrittspartiets side,

med en annen bakgrunn, med en annen måte å tenke på, med en annen type kompetanse, som gjør at det norske samfunn blir bedre rustet til å bli et moderne, spennende og attraktivt samfunn framover. Så til slutt en visitt til Willy Pedersen, som jeg må berømme for å holde et svært godt innlegg i forrige debatt: Det var nettopp et godt innlegg i debatten om hva som er «det norske» og «det norske vi», og hvem som er

Det er betryggende at Fremskrittspartiet ikke får støtte fra noen andre partier i komiteen. Hvordan innvandringspolitikken til en eventuell regjering bestående av Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Venstre og Høyre skal se ut, vil vi sannsynligvis ikke få svar på før valget – og forhåpentligvis vil vi heller ikke få svar på det etter valget. innvandringspolitikk går ut på å stille krav. Jeg er ikke uenig i at det skal stilles krav. Jeg er heller ikke uenig i at vi i de senere årene har stilt flere krav til innvandrere som ønsker varig opphold i Norge, men jeg mener Fremskrittspartiet går for langt. Det er fort gjort å havne i den situasjonen man hadde i Danmark, der politikerne overbød seg selv og skruestikka stadig ble strammet til. En del av kravene ble til slutt veldig vanskelig å oppfylle. En bieffekt var også at man fikk det mange i Danmark opplevde som et kaldt og hardt klima i integreringsdebatten. Det er et dårlig utgangspunkt for god inkludering. Fremskrittspartiet mener at innvandringstakten er i ferd med å rive bort grunnlaget for god integrering. Det er jeg uenig i. Denne regjeringen har ført en streng, men rettferdig og human innvandringspolitikk, og det skal vi fortsette med. Det er et helt annet nivå på innvandringen til Norge enn det vi ser i vårt nærmeste naboland, Sverige. På VG Nett i dag kunne vi se tallene fra 2012

Vi er ikke blåøyde – vi har utfordringer med integreringen også i Norge. Derfor skal vi også ha et høyt ambisjonsnivå i integreringspolitikken framover. Det store bildet er likevel at Norge lykkes bedre med integrering av ulike innvandrergrupper enn det mange andre land gjør. Ifølge Fremskrittspartiet er ikke innvandrere bærekraftig. Jeg er redd det er flere av oss

og at summen av krav må være rimelig. Jeg viser i den forbindelse til den nevnte stortingsmeldingen om integreringspolitikk, til instillingen og til mitt innlegg i den debatten. Jeg skal ikke si så veldig mye. Vi har hatt en lang integreringsdebatt før denne saken, som er ærlig, både på det som går bra når det gjelder integreringspolitikk, men også ærlig med tanke på de utfordringer vi har. Sånn sett hadde vi en god debatt i forrige runde, hvor det også ble pekt på tiltak, hva som må gjøres bedre. Ellers er det flott å høre representanten Heidi Greni snakke om en human asylpolitikk. Jeg vil bare minne representanten Heidi Greni om at ordet «human» er tatt ut av Soria Moria II. Mange av oss savner det ordet og ønsker at det kommer tilbake. OECD har jo slått fast at sammenlignet med veldig mange andre land i Europa, går integreringen stort sett bra i Norge. Vi lykkes på mange områder. Vi har utfordringer – det har vi vært ærlige på, og det skal vi snakke sant om – men stort sett går integreringen bra i Norge. Men til tross for at vi har denne «kunnskapsbasen», får vi altså høre at integreringen nærmest er en Så må de reise til Danmark for å lære mer om hvordan man skal stramme enda mer inn – jeg forstår det ikke. Et annet spørsmål, og en annen observasjon,

og jeg vil advare sterkt imot å blande sammen disse to tingene, for da kommer vi ingen vei videre. Et eksempel på dette er når Fremskrittspartiet vil stramme inn på familiegjenforeninger. Veldig mange av oss ser jo at nettopp familiegjenforening kan være et integreringsfremmende tiltak. Allikevel er det der Fremskrittspartiet vil stramme inn, for å slippe at det skal komme flere til Norge. Integrerings- og inkluderingsarbeid er et arbeid som må legges til rette slik at alle kan lykkes i det norske Jeg tror ikke at disse forslagene fra Fremskrittspartiet vil være med på å bygge opp under det – snarere tvert imot. Her legger man opp til et integreringsarbeid som mer skaper avstand og utenforskap enn inkludering og integrering. Det handler også, som vi var innom i forrige runde, i forrige debatt, om dette med å legge til rette for en sosial mobilitet. Disse forslagene legger ikke til rette for det. Mitt alvorligste ankepunkt er at man her blander sammen integreringspolitikk og innvandringspolitikk, og da går det som regel veldig galt. Presidenten vil bemerke at å bruke uttrykket «sause sammen» om andre representanters og andre partiers politikk,

beskyttelsesbehov, regelverket for familieinnvandring har blitt skjerpet, og det er innført krav om gjennomført pliktig opplæring i norsk og samfunnskunnskap for å få permanent oppholdstillatelse. Samtidig er vi alle enige om at det fortsatt finnes utfordringer og behov for å utvikle politikken videre. Jeg mener imidlertid at de forslagene som forslagsstillerne her har fremmet, ikke er de rette. Jeg tror det er nødvendig å minne om hva som er den viktigste konsekvensen av permanent oppholdstillatelse, nemlig at man har rett til videre opphold selv når man ikke lenger oppfyller vilkårene for den opprinnelige oppholdstillatelsen. Dette betyr f.eks. at dersom man fikk opphold som ektefelle, mister man ikke oppholdstillatelsen selv om ekteskapet opphører. Hvis man utvider botidskravet til f.eks. seks år – slik som forslagsstillerne foreslår

Jeg har merket meg at forslaget kan forstås slik at skjerpede vilkår for permanent oppholdstillatelse bare skal være avgjørende for status for oppholdstillatelsen – om den skal være permanent eller fornyes hvert år. Jeg viser til at forslagsstillerne i innstillingen uttaler at den som har kommet som ektefelle gjennom regelverket om familieinnvandring, ikke skal nektes videre opphold selv om ekteskapet blir oppløst, men at det bare skal ta lengre tid å få permanent oppholdstillatelse. I så fall er det uklart for meg hvilken fornyelsesvurdering forslagsstillerne mener skal foretas. Jeg må understreke at det å innføre slike skjerpede vilkår som forslagsstillerne ønsker, vil medføre en mer komplisert og omfattende saksbehandling for å avgjøre hvem som har rett til permanent oppholdstillatelse. Og i denne sammenheng må jeg minne om at utlendingsforvaltningen i fjor behandlet mer enn 18 000 saker om permanent oppholdstillatelse. Jeg vil også understreke at forslaget vil føre til at det blir mange som får avslag på søknad om permanent oppholdstillatelse. De vil imidlertid fortsatt oppfylle vilkårene for midlertidig oppholdstillatelse, og deres saker må dermed vurderes på nytt ved hver fornyelse som jeg antar forslagsstillerne mener skal skje én gang i året. Dette vil selvsagt medføre økt ressursbruk i utlendingsforvaltningen. Når vi skal fastsette innvandringspolitikken, må vi ha en helhetlig tilnærming. Det er i forbindelse med førstegangstillatelser at vi må legge størst vekt på kontroll og hensynet til en regulert innvandring. Når det gjelder saker om fornyelse og permanent oppholdstillatelse, må hovedfokus rettes mot en rask og effektiv saksbehandling. Selvsagt skal vi også i denne sammenheng legge vekt på hensynet til kontroll og regulering, men på dette punkt mener jeg at dagens regelverk ivaretar en god balanse. Som justis- og beredskapsminister kan jeg forsikre om at jeg også er opptatt av at vi skal ha de nødvendige regler for å reagere mot utlendinger som begår kriminalitet. Det viktigste i denne sammenheng er reglene for utvisning. I de tilfellene der det ikke er aktuelt med utvisning, har vi regler om karantenetid for permanent oppholdstillatelse. Jeg vil alltid være åpen for at det kan bli behov for justeringer, men slike gjennomgående endringer som forslagsstillerne foreslår, mener jeg det ikke er grunnlag for. Det blir replikkordskifte.

ikke svar på det jeg spurte om. Jeg prøver igjen: Hvilke av de forslagene som Fremskrittspartiet her har fremmet – og som Danmark har innført – har Danmark blitt dømt for i henhold til Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen? Når jeg svarer på henvendelser fra komiteer i Stortinget eller fra representanter, tar jeg utgangspunkt i de forslag som er fremsatt. De er i denne sak ikke identiske med dansk regelverk og praksis. Det er riktig at jeg i mitt svarbrev har vist til at enkelte av forslagene kunne være problematiske i forhold til våre forpliktelser etter Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen – ikke minst reglene om retten til familieliv. Poenget er at forslagsstillerne ikke noe sted i sine forslag har sagt noe om de vil gjøre slike unntak som bl.a. de danske reglene inneholder, knyttet til retten til familiegjenforeninger. Jeg må få rette på statsråden lite grann, for de forslagene som danskene har innført – og som vi foreslår her – er klippet rett ut fra det som det danske Folketinget har vedtatt. vedtatt. Spørsmålet mitt er igjen: Har Danmark blitt dømt i henhold til Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen for noen av disse vedtakene? Jeg var i ferd med å nevne reglene om retten til familiegjenforening, f.eks. mellom barn og foreldre. Det er etter min oppfatning slik at man må man må vurdere nøye hvorvidt de kommer i konflikt med Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. La meg ta et konkret eksempel: Dersom det stilles som vilkår at en flyktning skal ha hatt heltidsarbeid i to og et halvt av de siste tre årene for å få familiegjenforening med ektefelle – og barn som vedkommende hadde før han eller hun kom til Norge – vil dette være strengere praksis enn i noe annet europeisk land. land. Jeg kan ikke se annet enn at dette er spørsmål som ville måtte vurderes grundig opp mot menneskerettighetskonvensjonen. Siden ingen flere har tegnet seg til replikk, får representanten Ørsal Johansen også den siste replikken. Jeg blir omtalt som en rimelig vrang mann enkelte ganger, for jeg gir meg som regel ikke når jeg ikke får svar på noe jeg lurer på. på. Nå vil jeg prøve en siste gang – i hvert fall i denne sammenheng – å få et ja- eller nei-svar fra en statsråd, noe jeg vet kan være utrolig vanskelig. Jeg prøver likevel: Hvilke av de tiltakene som er gjennomført i Danmark, har Danmark blitt dømt for i henhold til Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen?

Så lenge forslagsstillerne ikke selv har vært konkrete på hvilke unntak man tenker seg fra hovedreglene som er foreslått, og det finnes en rekke unntak i det danske regelverket, er det vanskelig å svare på det spørsmålet som er stilt. Jeg må også peke på at det er en rekke regler i det danske regelverket som nå er endret den senere tid.

og eg synest at statsråden bør ta ordet igjen og svare på det konkrete og tydelege spørsmålet. Noreg er eit av verdas rikaste land, og det kjem av – i tillegg til at vi har store naturrikdomar – at vi har ei av verdas høgaste sysselsettingar og høgaste produktivitet. Det er veldig få land som har så høg sysselsetting og så høg produktivitet som Noreg har. Det er då ufatteleg at nokon kan hevde at det vil vere å tilføre verdiar når det kjem innvandrarar som har lågare sysselsetting og lågare produktivitet enn vi har i Noreg. I fjor kom det 50 000 til Noreg. Det skaper ein del utfordringar, og tala viser at desse har lågare sysselsetting – iallfall etter ei stund – og lågare produktivitet enn nordmenn har i utgangspunktet. Vi har òg eit stort overskot på statsbudsjettet, som representanten Aksel Hagen var inne på.

utan at nokon bidreg til det, utan at det er nokon som yter verdiskaping for å få ho opp? Då vil eg berre seie at då bør ein ta seg ein studietur – der òg – og sjå korleis verdiskapinga skjer. Å bruke uttrykket «arroganse» om andre representanters eller statsråders innlegg i denne salen, er uparlamentarisk. Neste taler er

det er ikke vi som har laget tall på det, det er Statistisk sentralbyrå. Når Statistisk sentralbyrå har sine befolkningsframskrivninger, har de tre alternativer – det er lav, middels og høy. Så bruker Statistisk sentralbyrå og veldig mange politikere middelsalternativet som det riktige. Men det viser seg gang på gang at middelsalternativet har vist seg å være feil. I henhold til middelsalternativet skulle Norges befolkning i 2020 – i 2020 – bli fem millioner mennesker. Vi passerte fem millioner mennesker i juni i fjor. I henhold til Så de tallene vi har, er hentet fra Statistisk sentralbyrås egne helt åpne befolkningsframskrivninger, og vi har sagt at hvis høyalternativet slår inn, blir det slik. Så: Innvandring og integrering hører sammen. Det slik. Så: Innvandring og integrering hører sammen. Det er to sider av samme sak, uansett hvordan en snur og vender på det. Jeg synes det er rart at Kristelig Folkeparti har skiftet politikk så til de grader. De vil nå stemme mot forslag som de tidligere har vært sammen med Venstre om, som gjelder kjønnslemlestelse. Det skuffer meg at Kristelig Folkeparti ikke ser viktigheten av dette lenger. Først litt humoristisk: Jeg tror Morten Ørsal Johansen og jeg er

rundt dette med lønnsomhet. Jeg prøvde bare å referere til hva den rapporten gjør. Den tar en lønnsomhetsrefleksjon over oss og finner fram – sjølsagt – til at de grupperinger som er mindre inne på arbeidsmarkedet, er såkalt mer ulønnsomme enn de grupperingene som er inne på arbeidsmarkedet for fullt. Det er det ene. Det andre – og det er det jeg syns er litt morsomt med den rapporten som så mange har påpekt er at den rapporten finner også ut at vi alle er ulønnsomme. Nordmenn er per definisjon ulønnsomme, all den tid vi må ta ut penger av oljefondet til å finansiere aktiviteten vår. Det var for meg bare en litt humoristisk, morsom påpekning av hva som kommer ut av en Statistisk sentralbyrå-rapport, og som har med metoden som brukes, å gjøre for øvrig en metodisk tilnærming som jeg ikke deler, og der ser det ut som om Gjermund Hagesæter og jeg er Jeg skal ikke holde noe langt innlegg, men jeg skal omtale litt de tallene som blir brukt. Det blir ikke mer sant om man gjentar noe gang på gang. Det gjelder også tallbruken fra Fremskrittspartiet om at vi blir minoritet i vårt eget land.

stor majoritet av landets befolkning som vil være etnisk norske. Tallbruken – og tallmagien – som jeg ofte opplever i argumentasjonen fra Fremskrittspartiet i denne typen saker, vil jeg påstå er feil. Og trusselen man i Fremskrittspartiet ser i framtiden, at innvandrergrupper skal overta som majoriteten i dette landet, stemmer ikke og medfører ikke riktighet. Jeg tenkte jeg skulle ta min statsråd i forsvar. Det er ikke, som Gjermund Hagesæter sier, pinlig, men meget smart av statsråden ikke

pinlig, men meget smart av statsråden ikke å svare på den typen lurespørsmål som Fremskrittspartiet kommer med her. For jeg har en mistanke, uten at jeg vet det, om at svaret på det spørsmålet vet Fremskrittspartiet utmerket godt – Danmark har ikke vært dømt i Den europeiske menneskerettighetsdomstol. Fremskrittspartiet hadde vel tenkt at det svaret som en skulle prøve å provosere fram fra statsråden, seinere skulle brukes til å legitimere Fremskrittspartiets forslag. Men statsråden har jo nettopp påpekt at de forslagene som Fremskrittspartiet fremmer her, ikke er sammenlignbare med de danske, fordi det i Fremskrittspartiets forslag mangler vesentlige unntaksbestemmelser. Det går ikke an å sammenligne epler og pærer, og jeg synes det er meget lurt av statsråden ikke å gi seg inn på det heller. Helt til slutt, når det gjelder gjelder de tallene for innvandring som Fremskrittspartiet er så redd for: For 40 år siden var det rundt 50 000 innvandrere i Norge, først og fremst fra andre nordiske land og EU-/EØS-land. I dag er det 600 000 innvandrere her i landet. Hvis en sammenligner over tid, fra 50 000 til 600 000, har jo Norge i dag mange innvandrere. Men hvis vi sammenligner med andre land i EU/EØS, ligger Norge et eller annet sted på gjennomsnittet. gjennomsnittet. Dessuten har vi den nest høyeste befolkningsveksten i EU-/EØS-området, som følge av høyere fødselsrate og lengre levealder, bl.a. blant den etnisk norske befolkningen. Og det som altså har økt mest, er arbeidsinnvandringen fra EU og siden ingen har følt for å si noe om Groruddalen for å rette opp det inntrykket som Fremskrittspartiet prøvde å gi her innledningsvis, vil jeg si at Statistisk sentralbyrå har påvist at Groruddalen på langt nær har så store sosiale problemer som en har sett i f.eks. deler av Malmø og Paris. Byrået sier at det nok vil bli et flertall av innvandrere i Groruddalen etter hvert. Det er en del sosiale problemer der, men en del sosiale problemer gjelder etniske nordmenn. Mange innvandrere klarer seg altså bedre i Groruddalen enn andre steder, kan Statistisk sentralbyrå fortelle oss. Jeg har også sett andre forskningsrapporter som sier at forsøket på å stemple Groruddalen som en getto, ikke stemmer med virkeligheten. Groruddalen er et konglomerat av mange forskjellige nasjonaliteter, og vi ser jo at folk som selv bor der, er glad i dalen sin. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 2. Etter ønske fra kommunal- og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

IKT-styring. For det andre ønsker forslagsstillerne en bedre styring av det enkelte statlige IKT-prosjekt. For det tredje ønsker forslagsstillerne at det skal stilles gjennomgående krav til gjennomføring av kost–nytte-analyser i statlige IKT-prosjekter. Forslagsstillerne har vist til de problemene man hadde i forbindelse med innsending av selvangivelser, som nok reflekterer det som var det mest aktuelle da forslaget ble skrevet. Under denne behandlingen har vi mer dagferske eksempler, som sikkert også vil kunne illustrere forslagsstillernes problemstillinger. Forslagsstillerne mener at det er grunn til å spørre om f.eks. Altinn-saken er et symptom på et større problem, nemlig mangelfull styring av IKT-prosjekter i offentlig sektor. sektor. De viser til at staten ikke har noen oversikt over hvor mye det offentlige bruker på IKT-formål i året, og at ansatte i Nav, politiet og helsesektoren fortviler over systemer som ikke fungerer, manglende styring og en digital hverdag som fremdeles er langt unna. Et flertall i komiteen, regjeringspartiene, de enkelte forslag i Representantforslag 144 S. Flertallet legger vekt på at regjeringen er i ferd med å etablere en felles infrastruktur, en grunnmur, for alle IKT-løsningene i det offentlige. Likeledes mener flertallet at felleskomponenttilnærmingen vil kunne være en viktig driver for å koordinere og standardisere IKT-løsningene på tvers Samtidig bidrar felleskomponenter til at det samlede kostnadsnivået for IKT-løsninger i sektorene blir lavere, bl.a. på grunn av gjenbruk og sambruk av IKT-komponenter. Dermed vil jeg gå over til å redegjøre for mitt eget partis synspunkter, som også langt på vei har fått følge av Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti. Disse partiene er enig i at det er et viktig samfunnsanliggende at det IKT-satsinger som gir samfunnet størst mulig avkastning i form av mer effektiv tjenesteyting og en enklere hverdag for publikum. Disse partiene, sammen med forslagsstillerne, vil peke på at en god koordinering og styring av IKT-prosjekter vil være kritiske faktorer for å få realisert gevinstpotensialet. Det betyr i konklusjon at de tre partiene stiller seg bak forslaget om en gjennomgående kost–nytte-vurdering i prosjektene. Derfor kan jeg på vegne av Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti ta opp forslag nr. 1, som går ut på det. Vi er noe mer avventende når det gjelder selve organiseringsspørsmålet. Dette med ett departement kan ha fordeler og ulemper, men vi tror ikke det er departementsorganiseringen som er det største problemet. Det er heller gjennomføringskraften. Der har vi et nokså grelt eksempel i at det nå har gått svært lang tid siden Stortinget vedtok en ny straffelov i 2005. Mens vi behandler saken i dag, kan jeg konstatere at den ikke er trådt i kraft, og at avisene forleden dag kunne fortelle oss at den formodentlig heller ikke trer i kraft før i 2021, selv om justisstatsråden er blitt sitert på at hun håper det kan skje i 2017. Det er mer et uttrykk for manglende gjennomføringskraft, for det har veldig lite med teknologi å gjøre. Vi har tillatt oss å se på betingelsene for den forrige straffeloven, som ble vedtatt i 1902, og som trådte i kraft ved det neste årsskiftet, etter at den var vedtatt i Stortinget. De hadde da skrivemaskin som «the state of the art», så de ville nok forundret seg over at generasjonen 100 år senere ikke klarer å gjøre dette innenfor en ramme av, la oss si, 10 til 16 år.
Da har representanten Bendiks H. Arnesen tatt det forslaget han refererte til.
forbindelse med representantforslaget fra stortingsrepresentantene Geir Jørgen Bekkevold, Hans Olav Syversen og Kjell Ingolf Ropstad om bedre koordinering og strategisk styring av IKT-prosjekter i offentlig sektor ønsker jeg å vise til merknadene fra flertallet i komiteen. Flertallet, bestående av medlemmene fra Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet, støtter statsrådens vurderinger av de enkelte forslag. Regjeringen la i 2012 fram digitaliseringsprogrammet «På nett med innbyggerne», som skal legge til rette for et raskere møte mellom offentlig sektor og innbyggerne i Norge. Det forventes også at en slik endring, eller dreining, fra tradisjonelle offentlige møteplasser til digitaliserte møteplasser, skal forbedre ressursbruken innenfor offentlig sektor. Flertallet i komiteen trekker også fram regjeringens arbeid med å samle og etablere en felles teknisk plattform og et tilpasset regelverk for digital forvaltning av Forslagsstillerne problematiserer en for stor variasjon innen statens IKT-løsninger og fremhever at kommunikasjonen mellom systemer derfor blir svak. Regjeringen svarer på denne problemstillingen når man i behandlingen av denne saken fremhever arbeidet med å etablere en felles infrastruktur – en grunnmur for alle statens IKT-løsninger. Hensikten med en slik digital grunnmur er å opprette såkalte felleskomponenter, som kan sambrukes og gjenbrukes av alle offentlige virksomheter. Eksempler på felleskomponenter er plattformer som Altinn, ID-porten, folkeregisteret, Enhetsregisteret og Matrikkelen. Det varierer noe i hvor stor grad disse plattformene benyttes, men målsettingen er at alle offentlige virksomheter skal ta Flertallet i komiteen forventer at det lanserte samordnede digitaliseringsarbeidet på departementsnivå vil bidra til gode digitale fellesløsninger. Flertallet i komiteen mener at samordningen og involveringen av digitaliseringsarbeidet vil skape gode rammebetingelser for driften og forvaltningen av offentlig sektor. Selv om man i stor grad jobber med samordning og gjenbruk, tror jeg mangfoldet i offentlig sektor noen ganger også vil kreve egne, sektorielle Jeg mener det vil være urealistisk å forvente at alle tjenester skal kunne leveres på en og samme plattform. Dette kan også være kostnadsdrivende for etatens kjernevirksomhet, fordi man tilpasser tjenesten til systemet og ikke omvendt. Regjeringen framhever også denne problemstillingen i sitt brev til komiteen og viser derfor en svært bred refleksjonsflate rundt problemstillingene som reises i denne saken. Avslutningsvis vil jeg trekke fram noen av de forutsetningene som mindretallet i komiteen bygger disse forslagene på, nemlig en oppfatning av en offentlig sektor som bedriver sløsing med offentlige midler, som har manglende eller lav evne og forståelse for rasjonell virksomhetsutøvelse, og at det i offentlig sektor er «generelt svak forståelse for hvor viktig det er for produktiviteten å foreta utstyrsinvesteringer for å understøtte den enkelte medarbeiders effektivitet».

man jobber meget rasjonelt, og hvor man har et stort fokus nettopp på å holde kostnadene i sjakk og yte god service, må alle forutsetningene for dette forslaget gi et feil bilde av offentlig sektor. Det vil jeg framheve. Etter Framstegspartiets syn er
et viktig samfunnsanliggende at det offentlige gjennomfører strategiske IKT-satsinger som gir samfunnet størst mulig avkastning i form av mer effektiv tjenesteyting og en enklere hverdag for publikum. Disse partiene, sammen med forslagsstillerne, vil peke på at en god koordinering og
Framstegspartiet vil derfor gi si tilslutning til at det blir stilt meir gjennomgåande krav til gjennomføring av kost–nytte-analysar i statlege IKT-prosjekt, slik at kostnader og kompleksitet i prosjekta kan avgrensast i størst mogleg grad. Det er òg særdeles viktig at offentleg sektor oppnår å få realisert gevinstpotensialet i dei IKT-investeringane som blir vedtatt. Eg vil her vise til dei enorme gevinstane danskane har oppnådd ved gjennomføring av sine IKT-strategiar. Då er det heilt nødvendig med god koordinering og styring av mykje av innovasjonen i privat sektor er IKT-driven, er situasjonen i offentleg sektor at ein blir hengande etter i den tekniske utviklinga. I offentleg sektor er det generelt ei svak forståing for kor viktig det er for effektiviteten at det blir føretatt utstyrsinvesteringar for å understøtte den enkelte medarbeidar. Framstegspartiet vil påstå at evna til å ta i bruk IKT er svakast utvikla på område der det offentlege har monopol. Ein viser heller ikkje interesse for å kjøpe inn system som er ferdig utvikla hos andre med liknande verksemd. Det er altså ikkje alltid nødvendig å finne opp krutet på nytt. alltid nødvendig å finne opp krutet på nytt. Altinn og andre portalar løyser ikkje dei fundamentale utfordringane når det gjeld manglande koordinering mellom store statseigde einingar og den unødig store offentlege pengebruken som følgjer av dette. Hadde ein innført eit pasientjournalsystem for nokre år sidan, hadde betydelege summar av fellesskapets midlar burde ein slått saman pensjonssystema i Nav og Statens pensjonskasse i staden for å utvikle to system til ein svært høg kostnad. Framstegspartiet meiner at det bør vurderast å opprette ei gruppe med IKT-ekspertar knytt til eit koordineringsdepartement, slik Danmark har gjort, og at dette bør gjerast uavhengig av om ein vil samle IKT-ansvaret tydelegare i Ei slik gruppe kan erstatte kostbare konsulentar i dei respektive prosjekta. Dessutan vil det kunne bidra til verdifull erfaringsutveksling mellom statlege prosjekt, og dermed vil dei vere meir effektive enn tradisjonelle konsulentar, som ikkje har bransjekunnskap. Framstegspartiet meiner at IKT-utviklinga ikkje må gå på kostnad av personvernet og folk sin rett til privatliv. Det er derfor viktig med eit sterkt datatilsyn og klare lovmessige avgrensingar knytte til kva slags informasjon myndigheiter og private instansar kan samle inn om folk og gjere seg nytte av. Framstegspartiet støttar forslagsstillarane sine intensjonar om betre styring av IKT-prosjekt i staten og betre utnytting av dei økonomiske midlane som blir stilte til disposisjon for desse. Vi vil gjerne leggje til ein viktig dimensjon: IKT-sikkerheit. Vi vil her peike på dei mange angrepa som blir utførte mot nasjonal infrastruktur frå ulike kjelder og miljø. Betre styring av IKT-prosjekt i staten må også omfatte ei større fokusering på sikre løysingar, og nasjonal kritisk IKT-infrastruktur må bli betre skjerma frå folk sine brukarretta tenester.

Et av statens viktigste IKT-prosjekter, Altinn, synes å ha fungert bedre i år enn tidligere år. Det er det verdt å glede seg over. I og med at saksordføreren nevnte Altinn, som jo var et av utgangspunktene for dette representantforslaget, synes jeg det er riktig å nevne det – og starte med det positive. Vi skal glede oss over det. Likevel kan ikke statens IKT-styring friskmeldes, etter vårt syn. Staten har ikke oversikt over hvor mye man bruker på IKT i året. Ansatte i Nav, i politiet og i helsesektoren fortviler over systemer som ikke alltid fungerer, og den digitale hverdagen er fremdeles langt unna i mange sektorer. Til grunn for disse problemene ligger muligens flere strukturelle utfordringer. For det første er det en mangel på koordinering og sviktende incentiver til effektiv ressursbruk. Hvorfor skulle f.eks. Statens pensjonskasse ha sin egen digitale pensjonskalkulator for innbyggerne, når Nav allerede hadde utviklet en? Hvorfor har det blitt innført flere pasientjournalsystemer istedenfor at man har ett? Det er også manglende koordinering av de funksjonelle kravene til IKT-system. I kontraktene spesifiseres hvilke egenskaper IKT-løsningen skal ha, men ikke om noen krav er viktigere enn andre. Resultatet er at leverandørene må løse alle kravene, noe som ofte gjør løsningene unødvendig komplekse, og økt kompleksitet øker risikoen for feil og er vesentlig mer ressurskrevende. Kristelig Folkeparti fremmer i dag forslag om å samle det politiske og administrative ansvaret for alle store statlige IKT-prosjekter i ett departement. En slik overordnet styring kan gi bedre samkjøring av IKT-prosjekter, slik at man unngår dagens situasjon hvor store prosjekter kjøres nesten helt uavhengig av hverandre, og der samme problem gjerne blir løst flere ganger. Det kan bedre Det kan bedre koordinering av driftsorganisasjonene og det kan bedre samkjøringen av innkjøp og løsninger, slik at man unngår at ulike statlige foretak velger ulike løsninger for å dekke de samme behovene. For det andre trengs det bedre styring av det enkelte prosjekt, og her er kompetanseoppbygging viktig. Det må etableres incentiver for kostnadseffektive løsninger som er rimelige å forvalte. Departementet som gis ansvar for overordnet IKT-styring, bør inngå i prosjektorganisasjonene med et eierperspektiv og være en pådriver for at midlene brukes optimalt. For det tredje gjøres det ikke nok kost–nytte-analyse i forbindelse med offentlige IKT-prosjekter. Dermed implementerer man gjerne funksjonalitet, selv om f.eks. en manuell håndtering ville vært mer lønnsom. Dette gjør løsningene unødvendig dyre og komplekse. Folkeparti foreslår at det bør stilles mer gjennomgående krav om at det gjennomføres kost–nytte-analyser, slik at kostnader og kompleksitet i prosjekter kan begrenses. Kristelig Folkeparti foreslår i tillegg en langsiktig, overordnet IKT-strategi for statlige virksomheter som omfatter følgende hovedpunkter: For det første bør det utarbeides en oversikt over store statlige IKT-investeringer, omtrent som man har for veiutbygging. For det andre bør det være føringer for overordnede veivalg, f.eks. felles applikasjoner på tvers av statlige enheter og sentralisering av databaser og forvaltning. Det finnes en rekke databaser med personopplysninger som kanskje kan forvaltes på en rimeligere og sikrere måte, f.eks. folkeregisteret, Nav, politiet og førerkortregisteret. For det tredje bør det gjøres vurderinger av potensialet for å samkjøre store prosjekter som har overlappende funksjonsområder eller bruke standardiserte verktøy framfor skreddersøm. For det fjerde bør en statlig IKT-strategi omfatte føringer for gjennomføring av prosjekter, bl.a. prioritering av krav, standardisering, kost–nytte-analyser, anskaffelse og gevinstrealisering. Dette er noen av de tingene Kristelig Folkeparti tar til orde for i dette representantforslaget, og jeg er glad for at både Fremskrittspartiet og

og gjør IKT til en strategisk del av hver enkelt virksomhet. Skal vi lykkes med prosjektene, må de gjennomføres i nær kontakt med ledere og medarbeidere i en mangfoldig stat. På den annen side får vi ikke ut verdiene av IKT hvis vi ikke samarbeider på tvers av etater. Vi må utveksle data og tilby innbyggerne og bedrifter Hver etat kan ikke ha hver sin løsning for elektronisk ID og sikker elektronisk post. Det betyr at vi må styre og koordinere. Det er ikke lett, men smart koordinering og styring er enda vanskeligere. For noen år siden var vi i en situasjon med svak styring og koordinering. Det har vi gjort noe med. Vi har gjort det fordi vi mener styring og samordning er viktig når vi skal spare penger og gi brukerne gode tilbud. Vi har etablert Difi, som er statens samordner på dette feltet. Vi har utviklet viktige fellesløsninger, som elektronisk ID. Vi stiller nå felles krav, som standarder og arkitekturprinsipper, som Hvert år sender vi ut de felles krav som skal stilles til statlige IKT-prosjekter. Vi har etablert Skate, som samler de viktigste etatslederne for å samordne seg. Vi har etablert rutiner som gjør at mitt departement vurderer IKT-forslag før

Styrket styring og samordning er en nødvendig del. Vi har fått på plass nye virkemidler for bedre prosjektgjennomføring, bl.a. Prosjektveiviseren. Vi har støttet etableringen av KommIT, som er kommunenes organ for samordning, og vi har invitert KommIT inn sammen med de statlige topplederne. Vi har etablert bedre samordning på departementsnivå. Vi jobber systematisk med å endre regelverket for å få til digitalisering. Vi har lansert en egen strategi for informasjonssikkerhet og samler ansvaret for IKT-sikkerhet for å understøtte strategien. Men i alt vi har gjort og planlagt ligger det i bunnen hvordan IKT-ansvaret må koples med sektor- og virksomhetsansvaret. Derfor vil vi ikke samle det Derfor vil vi ikke samle det politiske og administrative ansvaret for alle store IKT-investeringer i ett departement og under én statsråd. Selv om hensikten er den beste, vil forslaget kunne skape ineffektivitet og oppgaveløsninger som ikke er bra, langtrukne prosesser og kompliserte ansvarslinjer på tvers av statsrådenes ansvar for egen sektor. Som IT-minister skal jeg påvirke rammene for prosjekter både i mitt eget departement og i andre sektorer. Men det er langt fra dette til å overta alle prosjektene. Det vil ikke være forsvarlig om jeg skulle ha ansvaret for moderniseringsprogrammene i Nav, eller for IKT-prosjekter i politiet eller i Bioteknologinemnda. Spennvidden er stor mellom de ulike IKT-investeringene i staten, og IKT-ansvaret bør ikke flyttes bort fra fagansvaret. Vi skal stille felles krav, men nytteverdien av de overordnede kravene til bedre beslutningsgrunnlag og beslutningsprosesser må ikke overstige verdien av det merarbeidet og de merkostnadene vi påfører virksomhetene. Så til slutt: Det sies her at vi ikke har oversikt over vi ba om det, fordi Stortinget ønsket det. Så fra og med regnskapene for 2011 vet vi at vi bruker 10,8 mrd. kr på IKT i staten, og alle store IKT-prosjekter undergis de samme reglene for kvalitetssikring som andre store investeringsprosjekter i staten. Det blir replikkordskifte. Stortinget vedtok i 2005 en ny straffelov. Det er

Det er den ikke, under henvisning til at man har uoverstigelige – later det til – IKT-problemer. Men det ser ikke ut som den skal iverksettes snarlig heller, for en kollega av statsråden, justisministeren, har nå antydet at 2017 kan være et

denne salen redegjort for det IKT-arbeidet som skjer i hennes departement. Det er et betydelig arbeid som gjøres for å forbedre IKT-løsningen i justissektoren. Som justisministeren tidligere har sagt, er det et program som går under Merverdiprogrammet, der flere prosjekter og leveranser skal defineres og kvalitetssikres hver for seg. seg. Jeg tror det er viktig at justisministeren får anledning til å gjennomføre de prosjektene og foreta de nødvendige kvalitetssikringsprosjektene før vi kan gå ut med helt eksakt på hvilken dato og hvilket årstall man er ferdig. Jeg stilte et veldig konkret spørsmål. Jeg må stille det igjen: Vet statsråden når den nye straffeloven er tenkt gjennomført? gjennomført? Svaret om at den allerede er dekket i mange paragrafer i den gamle straffeloven, er ikke et tilfredsstillende svar, fordi det var jo en grunn til at Stortinget vedtok en ny straffelov. Det var nettopp fordi man ikke skulle ha den gamle, man skulle ha en ny straffelov. Så spørsmålet er igjen: Når trer den nye straffeloven i kraft?

gang. Jeg pekte f.eks. på Statens pensjonskasse. Hvorfor skal de ha sin egen digitale pensjonskalkulator for innbyggerne når Nav allerede har utviklet en? Hvorfor er det blitt innført flere pasientjournalsystemer i stedet for ett? Dette er eksempler på hvordan ressursene brukes og hvor en bedre koordinering kanskje kunne spart samfunnet for store midler. noe av dette jeg vil utfordre statsråden på: Mener hun virkelig at dette er forsvarlig ressursbruk? Det har vært mye ressursbruk som ikke har vært fornuftig opp igjennom tiden fordi vi har latt hver enkelt etat få lov til å utvikle sine egne IKT-systemer. Det har vi tatt et grep om nå gjennom å innføre krav til felles standarder og felles arkitekturprinsipper. Vi ønsker også at man skal bruke mer standard programvare. Så er det sånn at om vi fatter vedtak i denne sal eller i regjeringskollegiet, endres ikke de gamle IKT-systemene av den grunn. Det vil ta tid før vi har IKT-systemer som henger godt sammen, fordi vi må skifte ut veldig mange gamle systemer som ikke bygger på de standarder og arkitekturprinsipper vi nå har vedtatt. Med de grepene vi tar, gjør vi de riktige tingene for framtiden, men det vil fortsatt være systemer som henger igjen fordi de er utviklet etter andre prinsipper enn dem som gjelder per i dag. Men det er viktig nå at vi følger opp og har stort trykk på at vi sørger for at ingen systemer blir utviklet utenfor de standarder og prinsipper som er vedtatt. Replikkordskiftet er

og henvise til Justisdepartementet, mener jeg at man i grunnen har illustrert forslagsstillernes poeng, at det er ingen som tar ansvar. Dette er i virkeligheten den statsråden som regjeringen har sendt for å svare på spørsmål om IKT. Vi vet at IKT er den største anstøtsstenen for at den nye straffeloven ikke er iverksatt, og hun kan ikke svare på det under henvisning til at fagdepartementet arbeider med saken. Det stopper ikke der. Det er også slik at Dagsavisen den 12. mars kunne referere riksrevisor som «raser mot årevis med datatrøbbel i sykehusene» – altså helsevesenet – det er to etater som staten og regjeringen som Stortingets utøvelsesorgan har det Det kan umulig være verken demokratisk eller tilfredsstillende at denne manglende handlekraften gjør at statsviljen, slik den kommer til uttrykk i denne salen, ikke blir gjennomført. Dette er en regjering som er god til å kommunisere, men ganske slett til å gjennomføre. Jeg hadde også forventet et mer forpliktende svar, i hvert fall antydninger om når man har tenkt å gjennomføre lovgiverviljen i dette huset. huset. Straffeloven er ikke en hvilken som helst lov, heller. Den er faktisk ganske sentral. Jeg har allerede pekt på at dette har hatt materielle følger i en av de største drapssakene i norgeshistorien, som da ikke har fått den sanksjon som denne sal og dette hus har forutsatt. Det er i seg selv et demokratisk problem med en regjering som obstruerer Stortinget. Så får man si til det gode at skal regjeringen ha, at den gjør ikke forskjell på Stortinget og andre. Den behandler også folk som står i helsekø på samme måten. Så de behandler høy og lav på samme måten. Men at man her har et styringsproblem fordi man ikke klarer å styre elementære IKT-prosjekter, mener jeg denne debatten har vist. Jeg kan ikke ta ansvar for de formuleringene som var i Stortinget i 2003 og 2004, og hvilke vurderinger som ble gjort da når man foreslo at straffeloven kunne fremmes uten vesentlige økonomiske konsekvenser. Det er det nok andre i denne salen som er bedre til å svare på enn meg. IKT er kommet for å bli, og det bruker vi i alle sektorer, i alle deler av samfunnslivet, i alle deler av statsforvaltningen. Derfor er det viktig at IKT, strategisk tenking, gjennomføring av de enkelte systemene og prioritering av hvilke IKT-systemer som er viktigst, må gjøres av den enkelte etaten, som sørger for både å implementere og planlegge. Da må det være sånn at den enkelte statsråd også foretar vurderinger av hva som er riktig å gjøre på hvert enkelt tidspunkt. Jeg opplever at statsråd Faremo har gitt gode svar på at man nå er i gang med et større IKT-prosjekt i Justisdepartementet som også vil bære frukter. Så er det mitt ansvar å sørge for at vi lager systemer som henger sammen, som gjør at vi kan bruke komponenter på tvers, vi ikke gjør unødvendige investeringer i de enkelte departementene. Det er jeg glad for at vi har fått et godt system på nå. Det betyr at de feilene som ble gjort tidligere da vi etablerte hvert vårt IKT-system, vil vi i framtiden unngå. Men det vil ta lang tid før vi er der, for de gamle systemene er der Jeg håper de mer skarpsindige observatører merket seg statsrådens svar. Det impliserte at det var de som skrev Ot.prp. nr. 90 for 2003–2004 som undervurderte implikasjonene av å gjennomføre straffeloven. Men det var Stortinget som vedtok straffeloven i 2005, og fra det tidspunktet har den nåværende regjering hatt gjennomføringsansvaret. Det kan jo være at de som skrev Ot.prp. nr. 90 for 2003–2004, hadde forhåpninger om at det var en mer handlekraftig regjering som skulle ha fortsatt etter valget i 2005 – det vet vi ikke. Men det å gjennomføre de lovforslag som denne nasjonalforsamlingen setter som norsk lov. Det å vise til at verden likevel går videre – under henvisning til at mange av bestemmelsene i straffeloven av 1902 ikke er utdatert – er på en arrogant måte å sette seg over Stortingets lovgivervilje, for det er jo en grunn til at Stortinget i 2005 valgte å gi oss en ny straffelov. Dette er etter mitt skjønn igjen et ganske godt eksempel på at denne regjeringen kanskje er brukbar til å kommunisere, men den er én sammenhengende handlingslammelse. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 3. Etter ønske fra kommunal- og forvaltningskomiteen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

Jeg vil takke mine kolleger i komiteen for at de har bidratt til rask og smidig behandling av saken. Komiteen peker i innstillingen på at Slottet og Slottsplassen er en helhet som sammen utgjør et av de fremste symbolene på Norge og det nasjonale fellesskapet. Slottsplassen er også en turistattraksjon som hvert år blir besøkt av tusenvis av turister fra inn- og utland. Som nasjonens fremste paradeplass vil Slottsplassen ha en sentral funksjon ved markeringen av grunnlovsjubileet. Det er et etterlengtet rehabiliteringsarbeid som nå blir satt i gang, både for dem som daglig ferdes over Slottsplassen, for turismen og for nasjonen som sådan. Vi har altfor lenge hatt en slottsplass som til tider har vært lite representativ, vanskelig å ferdes på og som har gitt problemer også for naboene rundt omkring. Problemene er knyttet til mangelfull drenering. Store nedbørsmengder fører til avrenning med regnvann som graver store renner, groper og Når vannet renner nedover Slottsplassen, tar det med seg store mengder grus. Tilstanden har forverret seg fra år til år og gir økte kostnader til vedlikehold og reparasjon. Naboer har heller ikke vært forskånet. Det blir opplyst at Det kongelige hoff har mottatt klager fra Universitetet i Oslo, som har fått vannskader i det historiske bibliotek, på grunn av grus som har stoppet til vannsluk. Rehabilitering av Slottsplassen er blitt diskutert flere ganger de siste Valg av toppdekke har vært et tema i diskusjonen. Løsningen det nå legges opp til, innebærer at det skal etableres et nytt fast toppdekke av stabilisert grus i et gjennomsiktig bindemiddel. Vel så viktig som det nye dekket er det grunnarbeidet som skal gjøres, med utskifting av masse og drenering. Prosjektet innebærer også rehabilitering av veier og fortau i tilknytning til Alt dette vil gi Slottsplassen et representativt utseende og en mer rasjonell drifts- og vedlikeholdssituasjon. Det foreslås en kostnadsramme på 70 mill. kr. Prosjektet foreslås i proposisjonen finansiert over Statsbygg post 30 Større rehabiliteringsprosjekter. For 2013 er det bevilget 37,94 mill. kr på denne posten til fullføring av takprosjektet på Det Kongelige Slott. Sluttprognosen for prosjektet ligger imidlertid ca. 20 mill. kr under budsjett. ca. 20 mill. kr under budsjett. 20 mill. kr foreslås derfor omdisponert til prosjektet på Slottsplassen. I tillegg foreslås det å øke bevilgningen på post 30 med 37,5 mill. kr og å øke post 1 Driftsutgifter med 2,5 mill. kr. Som det framgår i innstillingen, har komiteen merket seg at det ikke fullt ut er samsvar mellom teksten i proposisjonen og forslaget til vedtak. Det manglende samsvaret gjelder forslaget om å øke bevilgningen på kap. 1581 Eiendommer til kongelige formål post 30 Større rehabiliteringsprosjekter. I teksten i proposisjonen omtales en økning til 75,44 mill. kr, mens det i forslaget til vedtak står Komiteen mener beløpet som framkommer i forslaget til vedtak i proposisjonen, framstår som en åpenbar inkurie og foreslår derfor at vedtaket til bevilgningsendring på kap. 1581 post 30 innebærer en økning til 75,44 mill. kr – ikke til 74,44 mill. kr som det står i vedtaksforslaget. vedtaksforslaget. Høyre vil gjerne støtte innstillingen i den konklusjonen som går ut på at man legger til rette for en kostnadsramme som gjør at Slottsplassen kan settes i god skikk til grunnlovsjubileet i 2014. Nå brukte saksordfører uttrykket «ny drakt», og det er vel en mild overdrivelse.

Men noen ny drakt blir det ikke. Det blir grus, og vi synes det er synd, og det er det vi vil bemerke i saken når vi da ellers kommer til å stemme for denne konkrete bevilgningen. Vi vil bemerke at man burde ha benyttet anledningen til å vurdere hvordan alternativ utforming og belegning kunne ha tilført mer verdig slottsplass av høyere teknisk og estetisk kvalitet enn plassen slik den nå ligger. I en slik vurdering kunne selvfølgelig også de langsiktige vedlikeholdsutgifter ved et dekke av høyere kvalitetsinnhold ha inngått. Men som sagt: Vi skal altså støtte bevilgningen av disse pengene, så grunnlovsjubileet kan foregå i de beste former som det nå er mulig å skape, innenfor den tidsrammen

glad for at vi står foran et vedtak om å oppruste Slottsplassen; denne saken har vært diskutert i årevis. Debatten har gått om kostnader, og den har ikke minst gått om hva slags dekke som skal brukes. I godt samarbeid med antikvariske myndigheter og kongehuset er det nådd fram til enighet om å benytte grus som toppdekke. Statsbygg har gjort et grundig forarbeid. Ulike typer toppdekker er testet ut. Det er blitt gjennomført befaring i England og i Danmark for å studere liknende toppdekke som nå foreslås brukt på Slottsplassen. At det er behov for utbedring av Slottsplassen, er det ingen tvil om. Utfordringene med Slottsplassen kommer særlig til syne etter mye nedbør. Det er ikke noe vakkert syn med all grusen som flommer nedover Slottsbakken, tetter sluk på andre eiendommer og legger seg i nabogatene. Jeg er glad for at en samlet komité slutter seg til regjeringens forslag om å ruste opp En rehabilitert slottsplass til 200-årsjubileet for Grunnloven i 2014 vil være en fin gave til nasjonen. Dette er en av de fineste paradeplassene i landet. Formålet med prosjektet er å gi plassen et verdig preg og la den stå fram som et uttrykk for vår nasjonale kulturarv. Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti mener regjeringen har arbeidet med prosjektet under for stort tidspress. Det er riktig at regjeringen har ønsket å være ferdig med oppussingen til 17. mai neste år. 200-årsjubileet for Grunnloven er en svært viktig begivenhet i norsk historie og for utviklingen av vårt demokrati gjennom de siste 200 årene. For nasjonen og befolkningen har Slottsplassen derfor stor betydning, og den har sterk symbolverdi på nasjonaldagen. Det ville tatt seg dårlig ut om Slottsplassen 17. mai neste år eller at den ligger der som i dag med groper og renner til sjenanse for ferdsel og for øyne som ser. Til komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti kan jeg forsikre om at det er gjort grundige vurderinger før det ble besluttet hvordan plassen skulle utformes. Selv om slottsanlegget ikke formelt er fredet, har Riksantikvaren bestemt at det skal behandles som om det var fredet. Det innebærer at Slottsplassens hovedform skal beholdes uendret. Som sagt er det gjennom et tett samarbeid mellom Statsbygg, hoffet og Riksantikvaren at det er besluttet å legge et fast toppdekke med nedvalset grus. Grusens farge og kornstørrelse blir slik at det visuelle inntrykket av plassen ikke blir veldig forskjellig fra i dag. Dermed blir Slottsplassens historiske uttrykk opprettholdt, og jeg tror dette toppdekket vil være en driftsmessig, funksjonell og estetisk Det er ikke umulig at det kunne vært driftsmessige fordeler med brolegging, som det er vist til fra komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti. Men dette har av historiske og antikvariske årsaker ikke vært tema i denne prosessen. Oslo kommune har ansvaret for den nedre delen av plassen. Det er innledet et svært godt samarbeid med kommunen om prosjektet, slik at vi kan være ferdig med hele prosjektet innen 17. mai 2014. Som saksordføreren sa, er kostnadsrammen for prosjektet 70 mill. kr, fordelt med 40 mill. kr i 2013 og 30 mill. kr i 2014. Det er riktig som komiteen har merket seg at kap. 1581, post 30, foreslås økt til 75,44 mill. kr, og ikke – som det står i saken ved en inkurie – 74,44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

jeg vil påstå at slik denne saken foreligger i dag, har vi ingenting å skjemmes over. Jeg synes vi har kommet et godt stykke på vei. Motorferdsel i utmark er en sak vi har diskutert i denne salen mange ganger. Det er mange som har vært med på den debatten. Det er en sak som betyr mye for mange, en sak som krever vanskelige avveininger mellom ulike hensyn. Særlig er det avveininger mellom hensynet til klassisk friluftsliv og miljøvern, og hvordan det skal kombineres med økt scooterkjøring. Det er litt av utfordringen. Går vi litt tilbake i tid, så kan vi stille spørsmålet: Hvorfor løste ikke de borgerlige partiene denne saken i 2001 og 2005 når de var så opptatt av den? Vi kan kanskje komme tilbake i dag til en del uttalelser fra daværende statsråd Børge Brende i forbindelse med I løpet av denne stortingsperioden har vi behandlet flere forslag til endringer i motorferdselsloven. Debatten omhandler to forslag. Begge forslagene handler om snøscooter- eller motorferdsel i utmark med noe ulike innretninger. Forslagene gjelder i hovedsak det samme. Uavhengig av behandlingen av Dokument

Regjeringen åpner for at 40 kommuner skal kunne utprøve eller etablere løyper for rekreasjonskjøring med snøscooter i en avgrenset periode fra 2014 til 2018. De kommunene som allerede har forsøk med slike løyper, inngår i de 40. Det blir også utvidet mulighet til næringskjøring gjennom en viss åpning for kjøring av turister. Kommuner som grenser mot Finland og Sverige, skal kunne etablere tilførselsløyper til løypenettet der. I noen kommuner i Troms og Finnmark, der det allerede er en lov om rekreasjonskjøring, vil det bli enklere å knytte løypenettet sammen over kommunegrensene og øke muligheten til å kjøre fra reiselivsanlegg til

Jeg mener at dette er en balansert løsning som ivaretar flere hensyn. For Arbeiderpartiet og regjeringen har det vært viktig å finne en god løsning i denne saken som ivaretar ønsket mange har om å gjøre det lettere å tilrettelegge for snøscooterkjøring i kommunene og hensynet til det klassiske friluftslivet, som jeg sa i stad. Med dette forslaget vil det legges til rette for at flere kommuner kan bruke plan- og bygningsloven til å regulere scooterløyper, og det vil kunne åpnes for næringsvirksomhet basert på scootersafari med løyve i distriktene. Det vil bli enklere og smidigere å samarbeide med våre naboland innen turistnæringen. Jeg er tilfreds med den løsningen regjeringen har landet på i denne saken. Motorferdsel er en viktig sak for mange. Jeg ble spesielt glad den 15. mars, da jeg slo opp lokalavisene Helgeland Arbeiderblad og Rana Blad, og på lederplass sto det følgende: «God scooterløsning», og han skriver mer i lederen som jeg vil sitere: «Æren for kompromisset er det SVs miljøminister som skal ha. Det er et godt og konstruktivt politisk håndverk. Der er det mange som har deltatt.» Jeg er enig i denne lederartikkelen. Jeg syns den var veldig god, og det kan vi være stolte over. Jeg tar opp forslaget fra Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet. Representanten har tatt opp det forslaget han refererte til. Så er vi atter ein gong i ferd med å

Det vil også gjere det enklare å få til nytte- og næringskøyring, og det vil kunne bli drive rekreasjonskøyring og leggjast til rette for løyper i område der desse løypene ikkje sjenerer nokon. Dette er viktig òg for bevegelseshemma og eldre, som gjennom vårt forslag vil få moglegheit til å ferdast i naturen i større grad enn i dag. Det er no på høg tid at dei gode erfaringane frå dei åtte forsøkskommunane, som har vore i gang sidan 2000, får leggje grunnlaget for resten av landet. Evalueringa av dei åtte forsøkskommunane som blei utført av NINA i 2005, viser at kommunane har handtert dette svært godt. Dei negative konsekvensane som blei påviste, var så små at forsøket blei vidareført, og vil effektivt kunne eliminerast ved lokale justeringar. Evalueringa viser òg at ein i forsøkskommunane har hatt ein meir heilskapleg motorferdselspolitikk gjennom planprosessane og ei demokratisk forvalting ved involvering av alle partar Likevel får ein påstanden om at forslaget vårt er eit frislepp som vil true natur og friluftslivsopplevingar dersom det får fleirtall. Lat meg derfor vere heilt tydeleg: Ingen tek til orde for frislepp, absolutt ingen – ikkje Framstegspartiet, ikkje Høgre og slett ikkje Kristeleg Folkeparti. Framstegspartiet, Høgre og Kristeleg Folkeparti fremjar i dag forslag om å la kommunane styre dette ei svært god og demokratisk løysing som Senterpartiet har moglegheit til å vere med på i staden for å gi støtte til regjeringa sitt langt dårlegare forslag for distriktskommunane. Det er underleg at delar av regjeringa framleis meiner at ein skal sitte i Oslo og bestemme kvar og når ein skal kunne køyre scooter ute i distrikta. Førre veke hadde Senterpartiet ein snøscooteraksjon utanfor Stortinget. Det har skapt store forventingar i mange lokalmiljø, og ikkje minst har utsegner frå enkeltrepresentantar i regjeringa og spesielt representanten Lange Nordahl gjort det. Dersom det nok ein gong viser seg at Senterpartiet seier éin ting, men gjer noko anna, vil aksjonen framfor Stortinget framstå som grov Senterpartiet vil miste alt truverde dersom dei stemmer ned forslaget vårt i dag. Ein kan ikkje stille med ein stor scooter framfor Stortinget, love veljarane liberalisering og deretter stemme ned forslaget to veker seinare. Svært mange såg på Senterpartiet sin aksjon som ein garanti for støtte til forslaget om kommunal styring. Med vårt forslag vil kommunane avgjere kva Det er ingen grunn til at dette skal regulerast av andre enn kommunane sjølve, og Framstegspartiet har full tiltru til at kommunepolitikarane klarer å vurdere dette på ein hensiktsmessig måte. Det blei teke fram aviser og leiarar. Òg i Nationen er ein tydeleg i sin konklusjon når det gjeld det omtalte forslaget frå regjeringa. Der skriv ein: «Kompromisset er svakt, og langt fra prinsipielt. Det ville vært riktig å overlate styringen med skuterbruk til kommunene.» Det er konklusjonen derfrå. Og dette er ei landsavis. Det er mange paradoks i forslaget til dei raud-grøne. Det betyr m.a. at det vil kunne opnast for løyper i Valdres, men ikkje i ein av landets største viser at begge kommunane burde få lokal avgjerdsmakt, slik Framstegspartiet har arbeidd for i mange år. Spesielt Senterpartiet bør ha ein flau smak i munnen over slik meiningslaus forskjellsbehandling. Derfor framstår forsøket på å kome lokaldemokratiet i møte panisk. Det har ein slett ikkje klart med det framlagde forslaget, snarare tvert imot. Framlegget vil medføre ei ytterlegare forskjellbehandling av kommunane, der altså 40 av 428 kommunar vil få andre rammevilkår og anna lovgiving. Ikkje minst er det eit paradoks at vedtaket ikkje skal vedtakast no, men skal ut på ny høyring. Etter snart 13 år med forsøksordning skal altså eit nytt forslag ut på høyring. Kor lenge skal ein halde på med dette spelet? Det ein no har klart å få til med regjeringa sitt forslag er full krig mellom kommunane om løyve til å delta i dette nye forsøket. Tilfeldigheitene vil rå. Kommunane som grensar til Sverige og Finland kan etablere løyper som fører til løypenettet i nabolandet. Med andre ord ønskjer ein å prakke på nabolanda dette utysket som er uønskt i heimlandet. Kva slags dobbeltmoral er dette? Vi vil ikkje ha slitasje på vår natur, men naboane er det ikkje så nøye med. Kva slags prinsipiell haldning er dette til motorferdsel i naturen? Når Tollvesenet til sjuande og sist skyt ned forslaget då all grensekryssing skal om ein tollstasjon, er komikken over forslaget fullstendig. Eg vil ta opp forslaget frå Framstegspartiet og Høgre. Representanten Oskar J. Grimstad har tatt opp det forslaget han refererte til. Saka om motorferdsle i utmark har vore ein gjengangar i Stortinget ved fleire høve dei siste åra. Det nye denne gongen er at regjeringa dagen etter at komiteen la fram si innstilling, lanserte eit nytt prøveprosjekt med 32 nye kommunar som skulle få vere med på ei prøveordning med motorferdsle i utmark. Dette er rein trenering av ei sak som skulle ha vore handsama for lenge sidan, og eit godt døme på at regjeringspartia ønskjer å leggje lok på den interne striden i regjeringa. Her går kamelane ned både medhårs og mothårs. Høgre meiner at det regjeringa no legg opp til, fører til mange år med endå større forskjellshandsaming av kommunane i dette landet. Nokre kommunar får lokal råderett, andre ikkje. Det er dårleg politisk handverk frå regjeringa si side. Høgre har så stor tillit til lokale folkevalde at vi meiner dei vil vere betre i stand til å avgjere denne type saker enn statsbyråkratar i departement og i direktorat, og vi er glade for at det no er fleirtal for dette i komiteen. Det er viktig å slå fast at fleirtalet i komiteen understrekar at fred og ro og moglegheitene for å nyte naturen framleis skal stå sentralt i forvaltinga av den norske fjellheimen. Det er viktig å understreke at auka lokalt sjølvstyre med motorferdsle i utmark ikkje skal innebere eit frislepp for køyring Det må berre føregå innanfor avgrensa område og innanfor strenge nasjonale retningslinjer. Auka kommunalt sjølvstyre føreset at kommunane tek sitt ansvar for å sørgje for at viktige natur- og friluftsinteresser blir tekne vare på. Allereie i perioden 2000–2005 vart det gjennomført eit forsøksprosjekt med utvida lokalt sjølvstyre i åtte utvalte kommunar. Dei kommunane som har vore med på prosjektet, har hatt løyve til å etablere både turistløype og Alle kommunane har det til felles at det berre er marginale delar av kommunane sitt areal som har blitt regulerte med mogligheit for snøscootertrafikk, i medhald av regelverket for prøveprosjektet og det lokale planverket. Norsk institutt for naturforsking har på oppdrag frå Miljøverndepartementet lagt fram sine evalueringsrapportar frå prosjektet, men dei har aldri blitt lagde fram for Stortinget. I staden for å evaluere desse prøveprosjekta og gjere ordningane permanente, og på den måten likebehandle kommunane, ønskjer altså regjeringa ei ny prøveordning i mange år. Det er å gå baklengs inn i framtida. Dette viser berre kor liten tillit raud-grøne politikarar har til lokalt folkevalte og til lokaldemokratiet. Saka om motorferdsle i utmark skulle ha vore lagd fram for Stortinget med sikte på å innarbeide ho i lovverket for fleire år sidan. I svar til komiteen skriv statsråden: «Miljøverndepartementet foretar nå grundige vurderinger av mulige har gjort utgjør en del av grunnlaget som vi bygger våre vurderinger på. Jeg kan ikke love noe nå om når spørsmålet om rekreasjonskjøring vil være avklart, men vi arbeider med det og vil ikke la det gå for lang tid. Dersom regjeringen beslutter å sende et forslag på høring, vil det skje i inneværende stortingsperiode.» Eg håpar at statsråden kan svare på om det nye prøveprosjektet også skal ut på høyring, og korleis dei 32 nye kommunane blir plukka ut til dette prosjektet. Høgre er glad for at det er fleirtal i komiteen for eit godt framlegg om å gje alle kommunar ansvar for å handsame saker om motorferdsle i utmark, og vi har registrert at fleire senterpartipolitikarar 6. mars poserte utanfor Stortinget på snøscooter til støtte for dette framlegget. På nettsida til Nationen 6. mars kunne vi lese at senterpartipolitikar Irene Lange Nordahl uttalte at no er dei lei av SV si trenering. er no slutt. Senterpartiet krev at kommunane skal få styre motorferdsle i utmark og få moglegheit til å etablere rekreasjonsløyper. I den same saka uttalar senterpartipolitikar Heidi Greni at dette ikkje handlar om meir eller mindre motorferdsle, men om kven som skal bestemme og regulere. Høgre forventar at senterpartipolitikarane held ord og stemmer for fleirtalsframlegget, slik at lovendringa kan gjennomførast omgåande. Noko anna ville vere ei fallitterklæring frå desse senterpartipolitikarane. Saka om motorferdsle i utmark nærmar seg ein parodi. Ho har vore til handsaming i Stortinget kvart år dei sist seks åra og kunne ha vore avgjord for lenge sidan. I motsetning til Arbeidarpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti har Høgre tillit til lokaldemokratiet, derfor ønskjer vi at kommunane skal ta avgjerder i saker om motorferdsle i

om å få lov til å kjøre mer scooter, men samtidig viser meningsmålingene at det faktisk er et flertall i utkantkommuner – også i forsøkskommunene – som ønsker mindre snøscootertrafikk. Det er åpenbart at sterke grupper har stått på hver sin side og steilt mot hverandre. I dag behandler vi to Dokument 8-forslag, det ene der Fremskrittspartiet åpner for at ferdsel med snøscooter kan planlegges fritt etter plan- og igjen med det samme resultatet: Man skal kunne planlegge traseer for motorisert ferdsel i utmark. Fremskrittspartiet argumenterer med at deres forslag ikke betyr frislipp. Likevel avviser de å gå inn på et kompromiss, som regjeringas forslag er. Regjeringa har nå arbeidet med å finne en løsning som kan virke samlende med hensyn allmennhetens mulighet til friluftsliv uten å bli forstyrret av snøscootere. Det gjelder også hensynet til dem som syns det er urimelig strenge regler for bruk av snøscooter, og som vil gjøre det enklere å bruke den. Ikke minst er det dem som vil ha lokal næringsutvikling basert på snøscooter. Så gjelder det hensynet til verneområder, til dyre- og planteliv, og ikke minst til villrein. Vi kunne også legge til Samtidig påpeker andre at snøscooteren faktisk gjør at flere kan komme seg ut i utmarka. Slik jeg forstår det, er dette åpenbart en sak som er egnet for et kompromiss. Det er nå lansert et forslag som skal ut på høring, og som innebærer en forsiktig åpning for at flere kommuner kan prøve ut regulering av snøscooterløyper etter plan- og bygningsloven. I tillegg blir det åpnet for at mer turisttrafikk kan tas innunder definisjonen «lokal næringskjøring» – etter min mening et riktig prinsipp. Nettopp på spørsmål fra noen av grensekommunene er det åpnet for muligheten til å lage løyper inn i det svenske løypenettet – ikke for å jage turistene over til Sverige, men nettopp for – etter spørsmål fra grensekommunene – å kunne lage et turisttilbud også i Norge. Dette er et kompromiss som åpner for at vi får mer erfaring, som imøtekommer de kommunene som ønsker å få mer hånd om snøscooterpolitikken lokalt, men som samtidig sikrer det Den Norske Turistforening står utenfor her og ber om, nemlig at vi ikke får vår siste påske med mulighet for stille naturopplevelser i skogen og på fjellet. Hos noen framstilles begrensningene i snøscooterkjøringa som storsamfunnets overgrep mot utkantene. Jeg har pekt på at det er ulike meninger, både i by og bygd om dette. Jeg mener at dette like mye handler om at byfolk ikke skal kunne kolonialisere utkantene med snøscooterne sine. Jeg tror regjeringa har funnet fram til en avbalansert løsning, og sjøl om Høyre og Fremskrittspartiet nå prøver å piske opp stemninga, ser vi at det har ikke vært noen flodbølge av protester. Noen mener vi er for liberale, andre mener vi fortsatt er for strenge. Men når reaksjonene kommer fra begge flokker, som sier det kunne vært verre, tenker jeg at vi har funnet et greit kompromiss, som alle de rød-grønne partiene kan stille seg bak, og som igjen viser at vi – de rød-grønne partiene – klarer å bli enige. I dag vil Senterpartiet stemme mot Høyre og Fremskrittspartiets forslag om motorferdsel i utmark. Senterpartiet går i stedet inn for regjeringens forslag til nye regler for motorferdsel i utmark. Senterpartiet er glad for at vi her har fått gjennomslag for viktige grep. Regjeringens forslag ivaretar mange hensyn og mye av det som har vært etterspurt når endringer i motorferdselsregelverket har vært diskutert. For kommuner som grenser mot Sverige og Finland, er endringene særlig viktige. De kan nå etablere løyper som fører mot løypenett i nabolandene. Da får vi bort hinderet som gjør at folk har måttet sette scooteren på bilhengeren og kjøre den over grensen fra hjemkommunen. Også for reiselivsnæringen er dette godt nytt. Regjeringens forslag gir utvidet adgang til næringskjøring i alle norske kommuner som ønsker det. Dette står i klar kontrast til hva Høyre selv sa da de var i regjering. Fra Stortingets talerstol sa Børge Brende: «Motorisert ferdsel i utmark bør normalt ikke være en del av et I motsetning til Høyre ønsker regjeringen at snøscootersafari kan bli en del av utfartsnæringen. Kommunene gis muligheten til å opprette løyper etter plan- og bygningsloven. Det kommunale selvstyret er særlig viktig for Senterpartiet. Fra å ha en prøveordning som dekket bare åtte kommuner, gis nå 40 kommuner muligheten til å opprette Evalueringen av prøveprosjektet med de åtte kommunene viser både positive og mindre positive erfaringer. Prøveordningen viste at omfanget av ulovlig kjøring ble redusert. Det ble ikke den sterke økningen i scooterkjøring som enkelte fryktet. Verneområder ble godt ivaretatt. Det er gode erfaringer fra sikring av viltbiotoper. Samtidig ser vi eksempelvis at kommunenes kartgrunnlag for sårbare områder varierte. Noen kommuner hadde gode kart, andre hadde det ikke. Ikke alle erfaringene var positive. Derfor går Senterpartiet inn for en utvidet ordning, der 40 kommuner fra det distriktspolitiske virkeområdet gis muligheten til å opprette rekreasjonsløyper. Erfaringene fra prøveprosjektet i de åtte kommunene er tatt med inn i den nye ordningen. Funnene i evalueringen er del av grunnlaget for forslaget som kommer på høring. Det skal fortsatt tas hensyn til friluftsverdier, dyreliv og vernetiltak. Det skal tas sterke naturhensyn. Jeg ser med interesse at Erna Solberg, da Høyre var i regjering i 2002, uttalte at regjeringen generelt var skeptisk til å liberalisere Denne regjeringen har imidlertid kommet med en balansert løsning som ivaretar viktige miljø- og naturinteresser og ønsket om bruk av snøscooter til både nærings- og fritidsformål. Den årlige debatten om motorferdsel i utmark er blitt en tradisjon i Stortinget under den rød-grønne regjeringen. Beslutningsvegring og manglende evne til å følge opp egne løfter har skapt en uholdbar situasjon. I Soria Moria II-erklæringen står det at regjeringen vil fullføre gjennomgangen av lov om motorferdsel i utmark. Det har de ikke gjort. av prøveprosjektet i 2000–2005 har det vært en betydelig forskjellsbehandling av kommunene. I påvente av en endelig avklaring har forsøkskommunene fått forlenget adgang til kommunalt selvstyre over motorferdsel i utmark. Tiden er overmoden for å konkludere i saken. Kristelig Folkeparti har konkludert, og vi har landet på et klokt standpunkt som ivaretar alle vesentlige interesser. Før jeg går videre på vårt eget forslag, vil jeg kommentere regjeringens nye forslag. Forrige fredag kom det en pressemelding fra Miljøverndepartementet om nye regler for motorferdsel i utmark. Pressemeldingen er på fire avsnitt, og det foreligger ingen annen informasjon enn denne. Jeg siterer fra pressemeldingen: «Dei endelege rammene for ordninga er ikkje avklart, og Miljøverndepartementet vil kome attende med fleire detaljar». Jeg må si at det er ganske spesielt å ha en debatt og diskutere et forslag som ingen – i hvert fall ikke opposisjonen – vet noe om, men bare har en pressemelding. Men ut fra det jeg har klart å tyde av pressemeldingen, er det 32 nye kommuner som får samme mulighet som de åtte forsøkskommunene har hatt siden 2000, til å etablere flere løyper for fornøyelseskjøring med snøscooter i en avgrenset periode fra 2014 til 2018. Kommunene som ønsker å delta, må sende søknad til departementet. Er dette en ny forsøksordning? Det sier de ingenting om. Det blir utvidet mulighet til næringskjøring gjennom en viss åpning for kjøring av turister – men ingen detaljer. Så til sist: Kommuner som grenser mot Finland og Sverige, skal kunne etablere tilførselsløyper til løypenettet der. Det tipper jeg svenskene og finnene er kjempefornøyd med nordmenn som er sultefôret på scooterkjøring skal geleides over grensen til Sverige og Finland for å få blåst ut litt der. Da melder følgende spørsmål seg: Er det mindre støy, plager og skader knyttet til scooterkjøring i Sverige og Finland enn i Norge? Eller prøver regjeringen bare å utnytte nabolandenes frisinnede holdning til motorferdsel? forslag virker svært dårlig forberedt, lite prinsipielt, og det bærer preg av panikk i forkant av en valgkamp. Det er ikke et kompromiss, som flere hevder, men det er jo forskjellsbehandling. Jeg hadde forventet at etter åtte års jobbing med lovverket for motorferdsel i regjeringen, skulle det ende ut i et regelverk med litt mer substans. Så til Kristelig Folkepartis forslag. Det er viktig å presisere at det er Kristelig Folkepartis forslag som flertallet i komiteen fremmer. Komiteen er tydelig på at det også skal tas naturhensyn. Vi har konkludert med at alle norske kommuner bør få samme mulighet som de åtte forsøkskommunene har hatt siden år 2000, til økt lokalt selvstyre over motorferdsel i utmark. Motorferdsel skal bare foregå innenfor avgrensede områder og innenfor strenge nasjonale retningslinjer. Økt kommunalt selvstyre forutsetter at kommunene tar sitt ansvar for at viktige natur- og friluftsinteresser blir ivaretatt. I perioden 2000–2005 ble det gjennomført et forsøksprosjekt med utvidet lokalt selvstyre i åtte utvalgte kommuner. De kommunene som har vært med i prosjektet, har hatt lov til å etablere både turistløyper og rekreasjonsløyper. Forsøket har i ettertid blitt evaluert av Norsk institutt for naturforskning på oppdrag fra Miljøverndepartementet. Evalueringen viser at alle seks delmål for bedre motorferdsel ble helt eller delvis innfridd i forsøkskommunene. i kommuner uten snøscooterløyper var faktisk mer plaget av støy enn innbyggerne i kommuner som deltok i prøveordningen. Jeg vil minne om at en viktig overordnet målsetting med forsøksordningen var at formålsparagrafen i motorferdselloven skulle oppfylles bedre enn i dag. Formålsparagrafen bygger på tre hovedelementer: samfunnsmessig helhetssyn, vern om naturmiljøet og det å fremme trivselen. Gjennom plan- og bygningsloven ble det gitt mulighet for etablering av egne løyper for rekreasjonsformål – noe som ble gjort i noen kommuner, i andre ikke. Jeg mener at evalueringen nettopp viser at kommunene er i stand til å foreta disse avveiningene på en god måte, og at det er fullt mulig å opprettholde en restriktiv nasjonal politikk for motorferdsel, selv om en åpner for utvidet lokalt selvstyre og er åpen for lokale variasjoner. ønsker derfor å åpne for økt lokalt selvstyre for motorferdsel i utmark, med samme formål og begrensninger som var gjeldende for forsøksordningen. De som har skoen på, vet best hvor den trykker. Vettet er likt fordelt over hele landet. Det er sagt i dag at forsøket med lokal forvaltning av snøscooterløyper er positivt. Dette må oppfattes som at målene ble oppnådd. Slik ble det ikke. Første delmål med forsøket var å få mindre motorferdsel og ulovlig kjøring i utmark. Slik ble det heller ikke. Det ble mer trafikk og støy og kjøring inn og ut av løypenettet. Slik Venstre ser det, ble målet dermed ikke oppnådd. Hvis man mener at mer motorferdsel i utmark er positivt, bør man si det rett ut. I Vinje og Stor-Elvdal var det bare innenbygdsboende medlemmer i scooterklubbene som fikk tilgang til løypene. ga dermed ingen erfaringer med hva det vil si å legge ut åpne rekreasjonsløyper i befolkningstette områder i Sør-Norge, heller ikke med det å legge ut rekreasjonsløyper som strekker seg over flere kommuner. Det kan stilles spørsmål ved om muligheten til å diskriminere utenbygdsboende i fremtiden vil holde i et internasjonalt lovverk. Forsøket viste at kjøreomfanget økte som følge av nye kjøreformål. Slik sett kan man gå ut fra at det å åpne for rekreasjonskjøring i hele Kommune-Norge vil føre til vesentlig mer kjøring i utmark enn det som er tilfellet i dag. Det sies at kjøring på snø og is ikke medfører varige skader på Men da tar man ikke inn over seg skadene på vegetasjon og dyreliv. Ingen motor er uten eksos, støy og klimagasser. Hva med de negative helsekonsekvensene av ytterligere å motorisere friluftslivet for en befolkning som blir stadig mer inaktiv? Og – ikke minst: Ro og stillhet er en kvalitet for norsk natur og det fysisk aktive friluftslivet. Et stort flertall i Norge, faktisk 67 pst., vil bevare dette – som også representanten fra SV sa. Det viser årlige undersøkelser. Venstre vil ikke bifalle forslagene fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet. Spørsmålet om fornøyelseskøyring i utmark er

tema som engasjerer mange, og det er ingen hemmelegheit at det har vore ulike syn både mellom parti og i partia på korleis ein skal løyse det spørsmålet. I mitt svar til Stortinget i november 2012 skreiv eg at eg såg på «muligheter for å gi kommunene større myndighet til å bestemme om de vil åpne for etablering av Eg skreiv òg: «Vi må være sikre på at eventuell økt lokal myndighet på motorferdselsfeltet lar seg gjennomføre uten at vi risikerer vesentlige konsekvenser for friluftsliv og naturmangfold.» Eg meiner at vi ikkje er der at det er forsvarleg å opne permanent for snøscooterløyper for allmenta over heile landet, slik som forslagsstillarane ønskjer. Til det veit vi for lite om konsekvensane for naturmangfald, Regjeringa seier likevel at det er sterke ønske i enkelte kommunar om sjølv å kunne styre snøscooterbruken. Regjeringa seier òg at snøscooterturisme kan vere ei viktig inntektskjelde enkelte stader. Eg har òg sjølv i arbeidet med saka sett meg ganske grundig inn i ho, bl.a. hatt møte med tre–fire av dei forsøkskommunane som vi har hatt ein del år. Regjeringa foreslår derfor endringar som opnar for noko meir lokalstyring med motorferdsel i utmark, og som samtidig vil gje oss verdifull kunnskap som vi kan bruke ved seinare vurdering av dei spørsmåla. 40 kommunar skal kunne etablere løype for fornøyelseskøyring med snøscooter i ei avgrensa periode på fem år – frå 2014 til og med 2018. Dei sju kommunane som allereie har forsøk med slike løyper, inngår i dei 40. Det vil verte ei søknadsordning for å verte med blant dei 40 kommunane som skal vere med i ordninga. Det skal gjelde klare vilkår og rammer for etablering av slike løyper i kommunane. Blant anna vert det forbode å leggje løyper i enkelte område som f.eks. verneområde, villreinområde eller viktige friluftsområde. Løypene skal etablerast gjennom arealplanlegging etter reglane i plan- og bygningslova. Vi foreslår òg andre endringar: utvida moglegheit til næringskøyring gjennom ei viss opning for køyring av turistar i løype, som del av utmarksnæring. Kommunar som grensar mot Finland og Sverige, vil kunne etablere tilførselsløyper til løypenettet der. I kommunar i Troms og Finnmark der det allereie er lov med fornøyelseskøyring i etablerte løyper, vil det verte enklare å knyte løypenett saman over kommunegrensene og økt moglegheit til å køyre frå reiselivsanlegg til løypenettet. Eg tek sikte på å sende forslaga på høyring kort tid etter påske. Dei nærmare detaljane for forslaga vil departementet så kome tilbake til i forbindelse med høyringsbrevet. Vi skal òg ha ei grundig evaluering av korleis ordninga fungerer i dei 40 kommunane. Det vil bl.a. gje oss omfattande informasjon om kva slags effekt på naturmangfald og friluftsliv etablering av slike løyper vil ha. På bakgrunn av dette meiner eg òg det er riktig å stemme imot representantforslaga som opnar for både snøscooterkøyring og barmarkskøyring generelt, og at vi har funne fram til ei god og balansert løysing som seinare vil verte lagt fram meir detaljert i høyringsbrevet. Eg meiner vi har funne ei løysing der vi tek både omsyn til naturmangfald og friluftsliv,

snøscooter. Det blir replikkordskifte. Det blir hevda at regjeringa har lagt fram eit samlande forslag som eit alternativ til dagens representantforslag. Spørsmålet er: Samlande for kven – 40 heldige eller 428 uheldige? Det såkalla samlande forslaget inneheld også eit forslag om tilkomstløyper til nabolanda. Samtidig registrerer vi at her blir det ikkje kryssa grenser utan at ein kryssar via ein tollstasjon. Kor mange av desse kommunane, som grensar til desse nabolanda, har tollstasjon og kan – med andre ord – realisere denne opninga? No presenterte eg i innlegget mitt hovudtrekka i det vi tenkjer å sende på høyring, det har eg òg presentert for offentlegheita tidlegare. Kort tid etter påske vil vi sende ut eit høyringsbrev som meir i detalj går igjennom det rammeverket vi foreslår. Der vil vi òg ta opp korleis vi skal setje det ut i livet. Så vil det bli ein høyringsrunde der motførestellingar, spørsmål og uklarheiter kan reisast, noko som er poenget med ein høyringsrunde. Etter det vil vi kome tilbake med ein endeleg presentasjon av Det er interessant å høyre at statsråden snakkar om det dei tenkjer å sende på høyring, og at politikarar frå Arbeidarpartiet, Senterpartiet og SV faktisk allereie sluttar seg til det som statsråden tenkjer å sende på høyring. Det er litt spennande. Det har vore mykje snakk om evalueringane frå prøveprosjektet 2000–2005. Det var ein klok mann som ein gong sa at papir som blir liggjande lenge i eit departement, ligg til gulning. No har evalueringsrapportane frå forsøksprosjekta som var utarbeidde for dei åtte kommunane, lege til gulning i mange år. Eg kunne tenkje meg å høyre litt om korleis statsråden vurderer erfaringane frå desse åtte kommunane? er det behov for å lage nye evalueringar og nye prøveprosjekt? Eg har lese NINA-rapporten som summerte opp dette forsøket, og som eg nemnde i mitt innlegg, har eg òg møtt representantar frå om lag halvparten av dei kommunane som har delteke i forsøket. Eg føler at eg kjenner ganske godt til det. Det forsøket har nokre klart positive oppsummeringar, men vi ser også nokre betydelege utfordringar knytte til forsøka, noko eg eigentleg synest har blitt nyansert belyst gjennom fleire innlegg her. Kanskje aller mest var dei forsøka prega av at ein i for liten grad følgde utviklinga samla sett – det at ein hadde eit samanlikningsgrunnlag før og under forsøka og eit breiare referansebilete av alle kommunar. Det vi no gjennomfører av endringar, vil gje oss eit langt betre grunnlag for å ta stilling samla sett dersom vi er flinke til å følgje opp med følgjeforsking og faktisk skaffar oss ny kunnskap gjennom ho. I tillegg kjem vi til å imøtekome noko som ganske mange kommunar i Noreg er opptekne av i denne saka. Jeg tror vi alle deler oppfatning om at en må balansere hensyn. Statsråden mener at regjeringen har landet på en fornuftig konklusjon, og vi som ikke helt har sett konklusjonen ennå, er litt usikre på om den fanger opp det prinsipielle i at det etter så lang tid bør være mulig for alle kommuner å komme inn på en slik ordning. Det som jeg synes er interessant, og som jeg vil be statsråden svare på, er: Hva er det med naturen i Sverige og Finland som gjør at det tydeligvis ikke blir like mye slitasje der, siden han ønsker å flytte trafikken fra Norge og over til Sverige og Finland? Det er eit etablert løypenett i dei landa. Det er mogleg at Kristeleg Folkeparti kanskje er ueinig i akkurat det punktet, og ikkje ønskjer å etablere dette, men vi meiner det kan vere gode grunnar for å etablere tilførsel til løypenettet som er etablert i dei to landa. Sidan Kristeleg Folkeparti no tydelegvis meiner at det er eit prinsipp som står på spel her, nemleg at kommunane skal få bestemme sjølve, må eg få minne om at Kristeleg Folkeparti styrte Noreg – i hovudsak – i dei åtte åra og hadde moglegheit til å forfølgje det prinsippet – viss det er det det dreier seg om. Ein må då spørje: Hadde ein eit anna prinsipp den gongen, eller var det ganske enkelt det at ein ikkje var så interessert i å få gjennomslag for sitt syn? Eg synest kanskje at ein heller skulle ha den tilnærminga til dette – som eg trur mange vil ha – at det faktisk er reelt motstridande omsyn som er nødvendig å balansere. Det er ikkje eit spørsmål om det eine prinsippet opp mot det andre, men å finne balanserte, gode løysingar. Det kan jeg gjerne svare på. For Kristelig Folkeparti er det ikke et prinsipp at det skal være sånn, men et prinsipp er motstridende, nemlig den lokale selvbestemmelsen opp mot naturhensynene. Men det jeg oppfatter som utfordrende, og som jeg tror statsråden også skjønner er mitt poeng, er at det nå åpnes for 40 kommuner. Det kunne vært interessant å se hvilke aktuelle kommuner som ikke får lov. Det kan være 100 – det er ikke alle kommunene i landet som dette kommer til å være reelt for. Derfor synes jeg det er spesielt at man nå øker tallet til 40 i stedet for bare å si at nå prøver vi ut dette i alle kommunene. Det jeg synes er spesielt, er at det har gått så lang tid. Det som var poenget for Kristelig Folkeparti, var at man burde evaluert forsøksordningen fra 2001–2005. Det har ikke regjeringen gjort de siste åtte årene. Hadde man gjort det, og fått en grundig evaluering og laget en sak på det, mener jeg man kunne gått et steg videre allerede nå – som Kristelig Folkeparti foreslår i dag – med både lokal forankring og strenge nasjonale natur- og friluftshensyn.

at man får laget et regelverk? Eller skal vi gå ut på en endeløs vandring igjen for å innhente nye opplysninger? Er 2018 det endelige mål for å komme i havn og se om kommunene kan overta disse søknadene? Eg skjønar at representanten er noko pessimistisk på Framstegspartiet sine vegner når han legg til grunn at vi styrer i 2018 òg – etter stortingsvalet i 2017. vil svare at vi no har lagt fram eit alternativ vi meiner er balansert. Vi vil sende det på høyring, gjennomføre det og følgje det opp vidare. Vi meiner dette samla sett ei god løysing. Eg trur at det samtidig òg vil vere viktig å vinne kunnskap om spørsmål om motorferdsel. Det trur eg vil gjere framtidige debattar om spørsmålet meir kunnskapsbaserte.

det opplegget som regjeringen nå har lagt fram. Da Høyre hadde miljøvernministeren under Bondevik II, ble det jobbet mye for å få etablert en løype – Arctic Trail – fra dyreparken Polar Zoo i Bardu kommune i Troms og over til Sverige, en avstand på knappe to mil. Dette var med tanke på å kunne frakte vinterturister mellom våre to land. På svensk side går det en slik løype til fra daværende miljøvernminister Børge Brende. Han var ikke interessert i å få dette realisert. Med det opplegget regjeringen nå har lagt fram, vil dette spennende prosjektet kunne realiseres. Arbeiderpartiet har hele tiden vært opptatt av å finne løsninger som kan ivareta miljøet og naturen, samtidig som motorferdsel skal kunne skje i utmarka i kontrollerte former. Dette synes jeg de åtte forsøkskommunene har bevist på en god måte. Da Arbeiderpartiet i 2002 tok motorferdsel i utmark opp med daværende miljøvernminister Brende for å få bedre ordninger, sa han at Arbeiderpartiet ville «liberalisere for fulle mugger». Han stilte også det slik at Arbeiderpartiet ønsker brølende scootere rundt omkring i utmarka vår?» Jeg registrerer at Høyre både før 2001 og etter 2005 har krevd raske løsninger på denne saken, men i regjering slo pendelen deres så til de grader i motsatt retning. Hva er grunnen til dette? Kan det være at de da måtte ta noen andre hensyn enn de må når de sitter i opposisjon? Dette må vel være som å svelge kameler både medhårs og mothårs samtidig. Her kan man også ta Kristelig Folkeparti med i samme slengen. Hvorfor gjorde de ikke noe når de var i regjering og hadde makt til å gjøre det? Jeg legger ikke skjul på at denne saken, og jeg er glad for at vi har kommet et så langt skritt videre – lenger enn noen annen regjering noen gang har klart med dette spørsmålet. Flere år etter høringsrunder om endringer av motorferdsel i utmark foreslår nå regjeringen en oppmykning av det som mange har oppfattet som både litt stivbent og begrensende. Det som legges fram i dag, er bra, og har også blitt godt mottatt i mitt hjemfylke. Etter at regjeringen la fram sitt endringsforslag, har debatten blitt typisk norsk politisk hverdag. Jaggu på tide, åtte år i regjering uten at noe er gjort, budskap. Ikke overraskende, men jeg tror at hvis vi er ærlige mot oss selv, så er det mangt et parti som bør lese referatene fra tidligere motorferdselsdebatter i dette huset. Representanten Arnesen, som har 16 års erfaring fra å delta i disse debattene, ikke bare et godt innlegg i sted, men han husket også veldig godt hvem som sa hva i tidligere debatter. Å møte seg selv i døren er ikke alltid like hyggelig, dette med en spesiell hilsen til noen av opposisjonspartienes representanter her i salen i dag. La det bli med det. Jeg velger å se litt lenger framover og har noen tanker om det som foreslås, men også om noe som kan gjøres bedre. For det første vil jeg si at jeg er svært fornøyd med at statsråden på vegne av regjeringen nå signaliserer at det skal bli enklere å justere løypenettet. Flere har snakket om løypenett mellom våre naboland, men at det blir lettere å justere løypenettet mellom kommuner, blir svært godt mottatt. Dagens praksis med at én kilometer ny løype medfører tilsvarende kutt i en annen løype vil bli historie. Også når det gjelder kjøring på islagt vann, bør vi endre dagens praksis. Kjører du 301 meter fra løypa på vannet for å slå leir eller fiske, risikerer du bøter i tusenkronersklassen. At du kjører båt med påhengsmotor helt fritt på det samme vannet om sommeren, er greit. Denne praksisen må endres, og jeg tolker budskapet fra statsråden dit hen at dagens håndheving av kjøring på islagte vann, vil tilhøre gårsdagen. Noe annet vil overraske meg. i nord har allerede ropt hurra til de endringene som nå foreslås. I dag står rigide regler i sterk kontrast til de satsinger som vi politikere har ønsket skal skje innen vinterturismen, og i altfor lang tid har man bejublet opplevelsesturismen samtidig som turistoperatørene har hatt uforutsigbare dispensasjoner å forholde seg til. Når nå regjeringen også åpner for samarbeid over tror jeg det kan bli en vinn-vinn-situasjon for mange aktører på begge sider av den norsk-finske grensen, spesielt i nord. I min hjemby Alta har vi også en enestående sjanse til å utnytte økt interesse for vintercruise, bl.a. på grunn av nordlysturismen. Da vil det samme gjelde her, og at næringslivsaktørene får bedre vilkår, vil skape enda bedre produkter for dem som ønsker å besøke vår landsdel. For dem som måtte tvile, da sier jeg inkludert statsråden, så er jeg trygg på at gjennom økt kommunalt selvstyre også når det gjelder motorferdselsloven, vil den bli forvaltet av lokaldemokratiet med den samme klokskap som på andre

I kommuner med stabile snøforhold fenger motorferdsel i utmark stor interesse hos de fleste. Det dreier seg i det vesentlige om snøscooterkjøring. Tillatelse til snøscooterkjøring har bare de åtte forsøkskommunene og Troms og Finnmark fylke. I stortingsperioden har vi behandlet snøscooterkjøring mange ganger, men det er like aktuelt i valgår. Det er en god valgsak for de fleste som har problemer med å få lov til å kjøre på snø. Denne stortingsbehandlingen viser klart det enkelte partis holdning, og det er utrolig å høre på Knut Magnus Olsen fra Senterpartiet, som skryter av det som ligger på bordet, når han vet at for mindre enn én måned siden sto en snøscooter – den fineste jeg har sett – på utsiden her sammen med Irene Lange Nordahl og Sandra Borch, for her skulle man virkelig slå på stortromma. Men det skjer ingenting. Så har man faktisk kommet i den situasjonen at nå er regjeringens forslag veldig bra. Prøvekommunene har jo vært i sving nå i 12–13 år; ingenting er gjort. Nå skal man innhente, som statsråden sier, flere opplysninger, mer opplysninger. Det er ikke vanskelig å forstå at en sak om prøveboring i Lofoten/Vesterålen tar lang tid når man skal bruke så uendelig lang tid på en enkel sak som å tillate at lokalpolitikerne skal få lov til å bestemme om man skal kjøre snøscooter på snø. Det er banalt. Regjeringens holdning i denne saken er et grelt eksempel på hvordan regjeringen hindrer det kommunale selvstyret. Alle kommuner er pålagt å ha en bygningsavdeling. Man kan levere inn de mest kompliserte byggplaner, og kommunene er nødt til å skaffe opplysninger sånn at de kan behandle tillatelser. De samme lokalpolitikerne kan derimot ikke vurdere om man skal få lov til å kjøre snøscooter på snøen. Det finnes jo ikke de to sakene – på den ene siden: meget vanskelige og kompliserte saker, på den andre siden: å behandle snøscooterkjøring må være enkelt. Det må spesielt for Senterpartiet være vanskelig når man skal ut i distriktene og forkynne budskapet om at vi nå skal vente i fire–fem år til, for kanskje å se om dette kan men man skal ha prøveperiode. Man skal ha 40 kommuner. De resterende 388 kommunene skal ikke få lov til noe som helst i denne perioden. Så for Senterpartiet å drive politikk på denne saken er vanskelig. I ein engasjert og kanskje noko tilspissa debatt om motorferdsel i utmark – slik eg òg har registrert i media – blir ofte nyansane borte. Men når ein skal drøfte spørsmålet om å opne for meir motorisert ferdsel i utmark, er det viktig at ein nærmar seg det spørsmålet med stor respekt for naturen, friluftslivet og dei omsyna som ein må ta. Det kan vere både veldig morosamt og å køyre snøscooter. Samtidig trur eg faktisk det er eit stort fleirtal i det norske folket som ønskjer å nyte naturen og friluftslivet med den roa og den stilla som naturen kan gi oss. Vi vil også ta vare på flora og fauna. Derfor registrerer eg at det er ingen, fall ikkje mange, som tek til orde for eit frislepp av snøcooterkøyring i utmark – det er ikkje det det er spørsmål om. Spørsmålet er kor restriktive vi skal vere i reguleringa, i kor stor grad vi skal styre gjennom lover og reglar sentralt, eller i kor stor grad ein kan overlate dette til lokal ei rimeleg god lov om motorferdsel, som faktisk gir kommunane stor myndigheit til å opne for nyttekøyring, og det er jo veldig mykje scooterkøyring – innanfor omgrepet «nyttekøyring» – rundt omkring i heile landet. Det har eg inntrykk av at ein klarar å handtere på ein veldig god måte. Det er òg slik at landet vårt er veldig forskjellig når det gjeld folketettleik og tilgangen på areal og natur, og derfor er det veldig bra at den skissa til kompromiss eller løysing som regjeringa no har trekt opp, nettopp opnar for ei differensiering. Eg trur det

naturverdiane. Når ein opnar for dette, vil ein avsløre kor stort behovet eigentleg er, kor mange kommunar som vil søkje om dette, og kor mange av desse kommunane som eigentleg har areal og utmark som ligg til rette for dette. Det er òg lagt opp til at ein kan utvide høvet til nyttekøyring innanfor reiseliv og turistverksemd – det trur eg er riktig. Mykje av utkantturismen har veldig marginal økonomi, og i den grad dette kan bidra til å gi han fleire bein å stå på – styrkje det grunnlaget – er det veldig bra. Kanskje det òg må gå føre seg i veldig styrte former, og eg trur det er viktig at ein rundt omkring i Bygde-Noreg ikkje opnar for at turistar kan få kome inn og køyre snøscooter, mens bygdas eiga befolkning ikkje har høve til det. Her må

og snøscooterfolket har jublet. I dag ser det ut som det kun blir et fåtall av Norges kommuner – og kun dem som grenser til Sverige eller Finland – som kan få tillatelse til dette. Resten av Norges kommuner får ikke lov. Vi har hatt et prøveprosjekt siden 2000 hvor åtte distriktskommuner har fått lov til å prøve seg og la snøscootertrafikken være lovlig. Av de tilbakemeldingene jeg har sett, er alle positive. Hvorfor skal man da prøve i mange år til – til og med 2018 – for å evaluere nok en gang? Hvorfor ikke – en gang for alle – gi den enkelte kommune muligheten til selv å si ja eller nei til snøscooter? For meg personlig, som bor i en kommune som grenser til Sverige og dermed er blant de heldige, er dagen grei, mens mange kommuner i mitt fylke, Hedmark – som sårt trenger muligheter til nye arbeidsplasser og mulighet til å utvide begrepet «livskvalitet» – faller utenfor, takket være Senterpartiet. Hedmark er ett av mange fylker hvor det å kunne bruke snøscooter kunne trygget og kanskje også skapt nye arbeidsplasser innenfor bl.a. turisme og reiseliv. Dette er en næring som sliter, og her kunne snøcooteren vært et arbeidsverktøy som er sterkt etterspurt og ønsket. Derfor er jeg sterkt undrende til Senterpartiets representant fra Hedmark, som aksepterer kompromisset til regjeringspartiene. Hun tar det som en selvfølge at ordningen blir varig utvidet etter 2018. Hvis vi må vente så lenge, tror jeg at denne delen av regjeringens distriktspolitikk vil gjøre at det ikke vil være noe behov for denne endringen, da det i store deler av Distrikts-Hedmark – i 2018–2019 – ikke lenger kommer til å bo folk. tror jeg ikke at vi behøver å vente så lenge. Hvis det blir et regjeringsskifte fra 1. oktober 2013, vil denne saken være en av de mange som blir tatt opp, og kommunenes selvråderett vil gjelde også når det gjelder snøscooterkjøring og tillatelser til denne typen motorferdsel. Ellers vil jeg bemerke at det er mange til stede i salen, flere enn det vanligvis bruker å være når saker debatteres. Det viser engasjementet for denne saken, og at det og at det er mange som er positive til dette, men regjeringspartiene – med Senterpartiet – skuffer meg dessverre veldig. Det blir litt som keiserens nye klær, med hoffet av rød-grønne politikere som løper rundt omkring og forteller hvor flott og fin den nye motorferdselen i utmark skal bli. Men så sier statsråden i salen i dag at vi egentlig ikke vet hvordan det kommer til å bli, for først skal det ut på høring, og så skal vi ta hensyn til alle innspillene som kommer i Da begynner jeg virkelig å lure på hva det egentlig er de rød-grønne løper rundt og skryter av skal komme, når statsråden sier at vi skal ta hensyn til de innspillene som kommer. Vi vet allerede at tollvesenet har sagt at det er uaktuelt å få lov til å kjøre der det ikke er en tollstasjon som kan få klarert deg inn til og ut av Norge. Dette kan bli spennende. Så sier man at det er kjempebra at prøveprosjektet skal utvides fra åtte kommuner til 40 kommuner. Spørsmålet er da: Hvilke kommuner skal få lov til å være med? I mitt eget hjemfylke vet jeg om én som får lov til å være med, og det er Vinje, fordi den var med forrige gang – den er en av de åtte kommunene. Det er til og med en SV-ordfører som styrer den kommunen, og han sier at man skal kjøre på, at dette er kjempebra, at det må åpnes for mer motorferdsel i utmark, at flere kommuner bør få lov til å være med, og at kommunene til og med bør få lov til å bestemme det selv – en SV-ordfører, fra Jeg registrerer at det er veldig mange rød-grønne politikere som ikke til stede er her, eller som ikke kommer til å ta ordet, men det er mange som må ha en bitter smak i munnen når man i dag skal fatte det vedtaket Stortinget kommer til å fatte. Jeg har oppslag på oppslag med rød-grønne politikere som har sagt at de mener at vi bør tillate at det er kommunene selv som skal få bestemme dette. Alle kommuner bør få muligheten til å bestemme dette. Jeg tror på lokaldemokratiet, jeg tror på lokalpolitikerne, jeg tror de vet hva som er best. Det er faktisk sånn at hvis de gjør en dårlig jobb og gir for mange scooterløyver, så kan de bli kastet i neste kommunevalg. Det er altså helt opp til hver kommune. Jeg ble oppringt i går av en person som hadde tatt med seg moren sin på over 80 år på snøscootertur. Da hun kom ut og så den fantastiske naturen, da hun så solnedgangen og månen som kom opp, kom tårene fram i øynene hennes. Men det hun var mest bekymret for, var at sønnen hennes kjørte ulovlig, at det hun gjorde faktisk var ulovlig – en 80 år gammel dame var redd fordi det man gjorde, var ulovlig. Men det var en fantastisk opplevelse å få se naturen, å få lov til å komme ut og kjøre på denne måten, og hun ville sannsynligvis aldri ha fått den muligheten hvis det ikke hadde vært for at sønnen valgte å ta henne med ut. Derfor håper jeg virkelig at en del rød-grønne politikere besinner seg for det forslaget hvor man vet hva man får, og ikke for det forslaget der man ikke vet hva man får og som skal ut på en ny høring. En prøvetid på 18 år er det vel nesten bare ordningen med arbeidsreiser for funksjonshemmede som har hatt, eller som i hvert fall har vært i nærheten av å ha hatt like lang prøvetid. Heldigvis er det nå blitt en permanent ordning. Jeg må innrømme at det nå begynner å bli vanskelig å vite hvor man skal begynne i denne saken, for saken om motorferdsel i utmark har tatt stadig nye vendinger bare de siste ukene. Det begynte med at Senterpartiet demonstrerte utenfor Stortinget på scooter, og sa at nå ville de støtte Høyres forslag. Så skulle komiteen levere sin innstilling, og Senterpartiet – som de andre regjeringspartiene – gikk imot Høyres forslag. Samme dag kom Senterpartiet med en pressemelding – samme dag – om at de nå hadde vunnet fram i regjeringen – riktignok en veldig utydelig pressemelding. Etter nærmere undersøkelser ser vi altså at de har tapt. Eller vi tror i hvert fall det, for nå er forvirringen stor. Her snakkes det om kompromiss – det skjønner vi jo, at det er det som ligger bak – det snakkes om forslag, og Bendiks H. Arnesen snakket til og med om det som «foreligger» her i dag. Ja, jeg synes nesten det er en parodi sånn som denne debatten er nå, der altså halvparten av representantene snakker i detalj om et forslag som de mener å vite innholdet i, statsråden sier han har tanker om hva han skal sende ut på høring, og resten av forsamlingen har ikke sett noe som helst. Det er ikke en verdig debatt. Vi forholder oss til det vi vet, ikke at en lover at en kanskje skal gjøre noe. Det er et stort ønske om å avgjøre saker om motorferdsel i utmark rundt om i kommunene. Høyre har stor tro på lokalt demokrati, og vi mener at dette skal avgjøres lokalt, i grundige prosesser gjennom de regler og lover som gjelder for arealbehandling i kommunene. Det er en av de tryggeste behandlingsmåtene vi har. Selvfølgelig skal det avgjøres av dem som kjenner forholdene best, som kjenner de lokale forholdene, og det skal gjøres etter nasjonale føringer og retningslinjer som Fylkesmannen kontrollerer. Derfor har de innsigelsesmulighetene her. Det er en trygg og god behandling. Som Rudihagen sa: Alle vil ha de nasjonale føringene som tar vare på de Jeg må for øvrig si at jeg tror nesten at hele treminuttersinnlegget til Rudihagen kunne vært mitt, for vi var veldig enig i vurderingen her og balanseringen. Så over til et par faktagrunnlag som legges til grunn. SV-representanten snakker om byfolk som ødelegger for dem i distriktet. Det er godt og vel 70 000 snøscootere i dette landet. Hvis vi satte prikkene inn på et kart, var det ikke byene som ble fargelagt. Det er 50 000 scootere uten løyve hvis de prikkene ble satt inn på et kart, var det altså ikke byene som ble fargelagt. Det er en fullstendig misforståelse av virkeligheten der ute. Regjeringens forslag vil ikke i særlig grad endre mye på dagens situasjon i Finnmark, for vi har et etablert løypenett. Men det vil fortsatt bli slik at Fylkesmannens miljøvernavdeling kan overkjøre lokale demokratiske vedtak, og lokalt demokrati og lokalt styre ønsker tydeligvis verken Arbeiderpartiet, Senterpartiet eller SV. Regjeringspartiene har tydeligvis liten tro på lokal kompetanse og i de kommunene og fylkene de selv representerer. I praksis innebærer regjeringens forslag at det skal være slik at Lierne og Røyrvik skal kunne få forvaltningsmyndigheten og adgang til å etablere scooterløyper, men ikke nabokommunene Grong og Snåsa. Verdal og Meråker skal også kunne få myndighet til å etablere scooterløyper, men ikke nabokommunene Levanger og Stjørdal. Det er ikke 1. april i dag, men man skulle faktisk tro det. For paradokset i det man her legger fram, er faktisk at regjeringen nå innfører tre ulike rettslige regimer mellom kommuner innenfor det samme rettsområdet. Et annet poeng i denne sak etter vanvittig mange år med saksbehandling er at regjeringens såkalte kompromiss skal ut på høring i en mengde tilsyn, organisasjoner, foreninger, kommuner og fylkeskommuner. Så hva som kommer tilbake til Stortinget – ja, det er det vel ingen i denne sal som vet i dag. Vi erfarer altså at allerede nå har tolletaten slaktet hele forslaget og hevder at forslaget bryter norsk lov. Tydeligvis er ønsket om å skyve hele denne saken ut i tid, langt større enn viljen til å ville noe som helst. Slik er det, og slik har det dessverre vært i 18 år, hvorav Senterpartiet og Arbeiderpartiet er de partiene som har vært lengst i regjering. Jeg regner ikke med SV i den blokken der, for hadde det partiet bestemt, hadde vi ikke hatt scootere i Norge, og vi hadde ikke hatt denne debatten i Stortinget i dag. Det er med undring jeg hører ovasjonene fra en del rød-grønne politikere her. Den rød-grønne regjeringen har altså levert – den rød-grønne regjeringen har levert den største endringen innenfor dette feltet noensinne. Det eneste som er levert, er en statsråd som har tenkt høyt. Og hva slags statsråd er det som har tenkt høyt? Jo, det er en representant fra regjeringspartiet SV, SV i regjering, som lokaldemokratiet så høyt at man sendte ut Heidi Sørensen som statssekretær for å drive lobbykurs for Ngo-ene, sånn at man skulle kunne plan- og bygningsloven og naturmangfoldloven så godt at man kunne stikke kjepper i hjulene for kommunene. Det er en representant fra aktivistdemokratipartiet SV. SV er det partiet som i forbindelse med forsøksordninger rundt kommunale videregående skoler kunne gi oss beskjed om at når forsøkstiden var over, kunne man ikke forlenge den eller starte et nytt forsøk, for man kunne ikke drive med evige forsøk for å skape god politikk. Den statsråden som har tenkt høyt, er den statsråden som i forrige uke ikke tenkte høyt nok rundt mineralstrategien og tillatelsene til Nordic Mining, sånn at man nesten fikk en Økokrim-anmeldelse da de to statsrådene gikk i klinsj på Vestlandet. Det er altså det partiet, SV, som uten blygsel stiller demokratiske prosesser på sidelinjen hvis man bare kan nå egne mål. Vi har ikke fått levert noe som helst, vi har fått levert antydning om et høringsforslag som kanskje en gang skal komme. Dette er en kjent teknikk i forkant av et valg. Det skal ikke komme noe som helst – vær trygg på det. Så Høyre – hvorfor er denne saken viktig for Høyre? Dette handler om lokaldemokrati, og det handler om maktspredning. Det handler om at det skal være mulig å snu seg i eget lokalsamfunn, lage gode løsninger for det gode liv i eget lokalsamfunn. Så enkelt er det. Det er ikke primært sånn at det for Høyre er viktig å få doblet antall snøscootere som er ute og kjører tur på en søndag. Det er ikke sånn at Høyre har en rettferdig nøkkel som sier at hvis det ikke er like mange snøscootere som kjører i alle kommuner i Norge, er det urettferdighet, og da styrer vi dette landet feil. Det handler ikke om det i det hele tatt. Det handler faktisk om at det skal være mulig for lokalpolitikerne våre å benytte de kreftene og de musklene som lokaldemokratiet skal være for å skape det gode liv. Det er heller ikke sånn at vi har bare åtte kommuner som har prøvd ut dette. Jeg kommer fra et fylke der vi har 19 kommuner hvor man har kjørt snøscooter i årevis. Det går helt fint, men også der vi har denne ordningen, ser vi at vi fra år til annet kunne ha tjent på at lokalpolitikerne kunne justere løypenettet, sett ut fra at forhold forandrer seg, ting forandrer seg, behov forandrer seg. Det er ikke verre. Stol på lokalpolitikerne, så går det oss godt i

og den høringen skal være en ordentlig høring. Men den skal komme raskt, forutsetter jeg. Harberg påpeker at de fleste snøscooterne er ikke i byene, men på bygda. Det er også mitt poeng – det skal de fortsatt være. Det er egentlig Kristelig Folkeparti og Ropstad som overrasker meg mest, når han sier at forslag ivaretar alles interesser. Det var i hvert fall ikke friluftsorganisasjonene som demonstrerte utenfor her, enig i. Så sier han at vi skal sende folk «som er sultefôret på scooterkjøring» over til Sverige. Han snakker så mye om Sverige at jeg må spørre: Er snøscooterpolitikken i Sverige idealet for Dette var et forsøk på å imøtekomme nettopp, som Bendiks Arnesen var inne på, lokale krav og ønsker om å koble løypenettet for å få til lokal verdiskaping til løyper i Sverige. Representanten Bredvold sier at etter hvert vil det ikke bo folk på landsbygda i Norge. Jeg tror ikke at det kommer til å gå så ille i Norge som det har gjort i Sverige. Venstre at å åpne for rekreasjonskjøring i hele landet vil føre til mer snøscooterkjøring, og det tror jeg er rett. De bifaller altså ikke forslaget fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet. Vi har funnet et kompromiss, mens Venstres mulige samarbeidspartnere avviser et sånt kompromiss og har ingen forståelse for at det er ulike vurderinger. Det er det bildet vi ser å tegne seg, at de rød-grønne greier å komme til enighet, på den andre siden gjør man ikke det. Høyre og Fremskrittspartiet framstiller det som om de som ikke blir med på ordningen, er uheldige, de taper, som om alle norske kommuner ville ønske å bli med i denne ordningen. Vi så allerede da det var snakk om den første forsøksordningen, at det var kommuner som sa fra at de ikke ønsket å bli med. De som ikke blir med, sier representanten Skumsvoll, får ingenting å gjøre. Men det må i så fall være etter at Fremskrittspartiet har vunnet fram med en politikk som fratar kommunen alt ansvar for Men det må i så fall være etter at Fremskrittspartiet har vunnet fram med en politikk som fratar kommunen alt ansvar for eldreomsorg, skole osv. Så lenge de ikke gjør det, er det mange kommuner som ikke ønsker å være med, som vil ha nok av arbeidsoppgaver likevel. Vi diskuterer konkret forslag i dag om det som representanten Bård Hoksrud karakteriserte som «keiserens nye klær». For det er jo ei rekkje spørsmål: Er det 40 kommunar som vil få løyve? Er det lokalbefolkninga, eller er det gjestane, eller er det begge delar? Nokre kallar det eit framlegg, andre kallar det ei skisse. Regjeringspartnarane er fornøgde, men med kva? seier at ein ting skal liggje i botn: Det skal vere kunnskapsbasert. Spørsmålet som det då må vere lov å stille, er: Kor treig skal ein vere når ein har brukt 13 år og framleis ikkje synest at ein har fått nok erfaring med denne saka? Og som det blei opplyst av representanten Bakke-Jensen frå Finnmark: Der har Spørsmålet er også: Skal det no bli lovleg, noko som mange spør, å kjøre på ein skogsveg når det har lagt seg 10 cm med snø, eller skal det framleis vere forbode, men når snøen har smelta, kan du bruke all slags kjøretøy? Representanten Lars Egeland var frampå her, og eg føler argumentasjonen hans er på ein slik måte at han blir med SV-vennene sine, i denne saka. Dei er bremseklossar. Dei presenterer dette som eit kompromiss, men det er eit kompromiss som vi ikkje har sett innhaldet i. Ingen kjenner til det eller har oversikt over det, og her er ei rekkje spørsmål det ikkje er svart på. Likevel ser vi at leiaren i energi- og miljøkomiteen, Senterpartiets Erling Sande, uttaler i Trønder-Avisa at han synest det er direkte pinleg at ein ikkje allereie no har fått avgjort saka i kommunanes favør. Han får også medhald av Gerd Janne Kristoffersen frå Arbeidarpartiet. Men likevel, trass i den presentasjonen vi har så langt, har Senterpartiets nestleiar og landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum konkludert: «Dette er norsk politikk på sitt beste». Tru det om du Flere av de rød-grønne representantene har i dag referert til det forslaget som de visstnok kanskje kommer med. Men vi har altså kun ett forslag til behandling her i dag. Det er det forslaget Høyre og Fremskrittspartiet har fremmet sammen med Kristelig Folkeparti. Den rød-grønne regjeringen, hvor Senterpartiet har vært medlem nå i åtte år, har ikke levert et eneste komma i motorferdselloven til Stortinget. Det er i dag sikkert den fjerde eller femte gangen jeg er med på å behandle forslaget fra Høyre og Fremskrittspartiet. Den rød-grønne regjeringen har ikke levert noe som helst om snøscooter, og kommer ikke til å gjøre det før de går av 1. oktober 2013. Det er sannheten. Det er i lov om motorferdsel absolutt alle Senterpartiets stortingsrepresentanter har lovet oss, og det er det et betydelig antall av Arbeiderpartiets stortingsrepresentanter har lovet oss, gang etter gang. Det har ikke den rød-grønne regjeringen levert, og det er ikke det vi diskuterer i dag. Jeg er glad for når vi først har kommet dit vi har kommet – etter det som kommer til å bli 18 år med prøveprosjekt – at både Senterpartiets parlamentariske leder, Lars Peder Brekk, og Senterpartiets ansvarlige statsråd i regjeringen for forhandlingene, Trygve Slagsvold Vedum, har sagt at de er fornøyd – de er fornøyd med et kompromiss som de ikke engang vil vise i Stortinget når vi diskuterer denne saken. Men det er Senterpartiet fornøyd med. Det er en avklaring jeg tror at scooterfolket i Trøndelag er veldig glad for at Senterpartiet har gitt dem i dag. Lov om motorferdsel har alltid vært en lov laget av Oslo-folk og det forslaget vi har lagt fram i dag, sier noen at det skal bli lov å kjøre scooter. Det er jo ikke det vi foreslår. Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti tar til orde for at man ikke skal sitte i Oslo og bestemme hvor og når og hvem som skal kjøre scooter, men at den avgjørelsen må man kunne ta i de kommunene hvor folk bor. Og Her må man lese evalueringsrapportene som fanden leser Bibelen. Det går ikke an å argumentere med at forsøksprosjektet ikke har vært en stor suksess – for sikkerheten for dem som kjører scooter, for floraen, da man kanaliserer trafikken ut av de mest sårbare områdene, for friluftslivet ved at det blir mer friluftsliv i kommunene enn det var, og man fikk en sterkere kanalisering av motorferdsel, så man kunne holde noen Så sier de rød-grønne politikerne at det kanskje blir noe rekreasjonskjøring, og hvem vet hvordan det blir? Men det som er klart, er at det skal være basert på at du skal leie en scooter. Det vil altså si at byfolket nok en gang kan reise ut, leie seg en scooter og kjøre seg en tur. Men hvis du vil kjøre en tur sammen med kompisen din, må du ifølge den rød-grønne regjeringen leie scooteren hans, og han må leie scooteren din, og du må sikkert betale momskompensasjon også! Det har vært en interessant debatt så langt, og

om. Den handler om hvorvidt vi har tiltro til at kommunepolitikerne rundt omkring i det ganske land klarer å ta bestemmelsen om man skal ha en scootertrasé i sin kommune eller løypetrasé. Det er det vi skal votere over. Vi vet også at plan- og bygningsloven, som Erik Solheim for en del år tilbake la frem, åpner nettopp for at man kan regulere dette i kommunene. Da trenger man bare å gjøre én liten endring, og det er i § 3 i lov om motorferdsel å fjerne ett ord, ordet «denne». Det er flertallet i denne sal ikke villig til å gjøre. Man prøver å bruke alle andre ord og uttrykk og kommer med mange forskjellige bortforklaringer og lager dette til en helt annen sak enn det det egentlig handler om. Jeg ser utover salen, og jeg har også hørt hva statsråden har sagt: Vi må ta balanserte hensyn, vi må ta hensyn til kulturmangfold og friluftsliv. Mitt spørsmål tilbake er: Kan statsråden forklare meg hvorfor det er sånn at kommunestyrerepresentantene i mitt eget fylke, Nord-Trøndelag, i Røyrvik, Lierne, Snåsa, Verdal og Meråker er kompetente nok til å ta de balanserte er kommuner som ligger mot svenskegrensen, mens kommunepolitikerne i Namsskogan, Grong, Høylandet, Steinkjer, Levanger og Stjørdal ikke er kompetente nok til å ta den samme vurderingen av de balanserte hensynene til friluftsliv og kulturmangfold? Det er det det kompromisset som vi ikke har sett her i dag, egentlig går ut på. Eller hva det går ut på, vet vi ikke, for det vet jo heller ikke statsråden. Han har sagt klart og tydelig fra at hvordan dette blir, er man ikke helt klar på, men det man er klar på, er at man skal ha forvaltningsmulighet i de kommunene som ligger mot svenskegrensen, og at man skal åpne for 40 nye forsøk. Ja, det betyr – rett og slett – for meg et håpløst kompromiss, hvis dette blir fremmet i Stortinget. Det betyr at man forskjellsbehandler kommuner i enda større grad. Fremskrittspartiet har tillit til kommunepolitikerne – tillit til at de kan ta avgjørelser selv om hvorvidt man skal ha snøscootertraseer eller ikke. Jeg har tillit til at de er i stand til å ta disse balanserte hensynene, og at en kommune som Namsskogan er like god til å ta disse hensynene som folkevalgte i Lierne kommune.

Men hvis man leser innspillene til Dokument 8-forslagene, er det én ting, men jeg mener også at det i innstillingens forslag til vedtak i dag er et viktig punkt B, der man nettopp viser til hvilke hensyn som skal legges til grunn for ordningen. Vi erkjenner dilemmaene og konfliktene. Det jeg har sagt i dag, er at jeg synes det er veldig spesielt å stå her og diskutere en pressemelding på fire avsnitt, som er det som har kommet fra regjeringen etter åtte år. åtte år burde det vært mulig å komme lenger. Det jeg synes er utfordrende, er at jeg ser de samme dilemmaene når det gjelder natur, friluftshensyn og muligheten for lokal selvbestemmelse, og at det også skal være mulig å kunne ha snøscooterkjøring innenfor visse rammer. Jeg mener bare at det såkalte kompromisset, som jeg ikke opplever som et kompromiss, men som gjennom vårt forslag – løfter fram at dette nettopp skal gjelde for alle kommunene, og det skal gjelde innenfor strenge rammer. Det mener jeg er løsningen vi bør ende på. Jeg har ingen problemer med at dette skal på høring. Tvert imot – jeg mener det er helt nødvendig i denne typen saker, når regjeringen velger å komme med dette. Det synes jeg er helt greit. Det er ikke det jeg reagerer på. Jeg reagerer på innholdet, som ikke engang er kjent. Når det gjelder Sverige, er jeg ikke mer glad i Sverige. Det var ikke derfor jeg brukte tid på Sverige. Jeg syntes bare det var spesielt at det var helt greit for regjeringen å sende nordmenn over til Sverige for å frese av seg der. Det synes jeg fremdeles er spesielt. Man kunne nesten vært fristet til å stille spørsmålet tilbake, om snøscooterpolitikken i Sverige er den optimale for SV, siden man vil sende snøscooterne over Er Sverige et forbilde? Vil man ha den samme politikken i Norge som i Sverige, fordi det er det man prøver å gi nordmennene? Vi må finne gode løsninger på problemene i Norge – ikke i Sverige. Det hadde vært interessant å sende høringen til Sverige og høre om de er fornøyd med at man skal få lov til å kjøre i Sverige, men ikke i Norge. Et annet poeng, som jeg synes er litt interessant, er at Irene Lange Nordahl fra Senterpartiet – hun var en av dem som satt på skrev på Twitter: «Er ikke fornøyd med Ap og SV som ikke vil følge Senterpartiet og kommunene i scooter-saken. Jeg stemmer med opposisjonen den 21. Det er et klart signal fra en representant fra Senterpartiet, og jeg hadde forventet at hun hadde holdt et innlegg og i hvert fall hadde fulgt opp det hun skrev på Twitter tidligere. Vårt signal er klart: Vi ønsker et kompromiss. Vi ønsker å ivareta begge hensyn, og

Det er lokaldemokratiet, og det er det vi har tillit til. Jeg merker at andre ikke har tillit til det. Jeg må kommentere – som Ropstad også var inne på – at det er ett parti som er fraværende i debatten. Jeg forstår det egentlig veldig godt, for det kan ikke være enkelt, men jeg skulle ønske at de likevel var her og stod på det de har stått på. Noen spørsmål til statsråden, som jeg håper vi kan få oppklart: For det første – i replikkrunden svarte statsråden at grunnen til at det var et poeng